Med ham er en engasjert, viljesterk og sterkt ideologisk forankret politiker gått bort. Harald Synnes ble født 18. mars 1931 i Bø i Vesterålen. Etter fullført cand.real-utdannelse slo han seg ned i Kristiansand, hvor han arbeidet som lektor. Han kom tidlig med i lokalpolitikken. I 1960 ble han medlem av Kristiansand bystyre. I 20 år var har han sterkt lokalpolitisk engasjert, som ordfører, varaordfører og medlem av fylkestinget. I sin tid på Stortinget var Synnes medlem av finanskomiteen, bortsett fra ett år, fra 1985 til 1986, da han var medlem av utenriks- og konstitusjonskomiteen. Han var også medlem av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og av delegasjonen til Nordisk råd. Da Kristelig Folkeparti gikk inn i Willoch-regjeringen i 1983, ble han parlamentarisk leder. Harald Synnes hadde også erfaring fra regjeringsapparatet. I Korvald-regjeringen var han statssekretær ved Statsministerens kontor, og han ble en sentral person i forhandlingene om en handelsavtale med EF. I Syse-regjeringen var han statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet. Harald Synnes hadde en rekke Han var bl.a. medlem av menighetsråd, av Utvalget for menneskerettigheter, av styret for Nei til EU og leder i Det regionale høgskolestyret for Agder. De senere årene var han styreleder og arbeidet aktivt ved ARCTIC kurs- og kompetansesenter. Harald Synnes var en dyktig og kunnskapsrik person med stor arbeidskapasitet. Han engasjerte seg og arbeidet aktivt i Stortinget bl.a. for et mer rettferdig skattesystem og for hjelpetiltak overfor vanskeligstilte gravide kvinner. Han var, både som person og som politiker, en som alltid sto opp for det han mente og trodde på. EØS-saken ble vanskelig og førte til at han en tid trakk seg ut av Kristelig Folkeparti, men han kom tilbake og gjorde en stor innsats som leder av partiets seniorutvalg. Vi minnes Harald Synnes for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne.

Representanten Jørund Rytman, som har vært permittert, har igjen tatt sete. Representanten Christian Tybring-Gjedde vil framsette et representantforslag.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16. Videre vil presidenten foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenens § 43 første ledd og foretar votering etter at sakene nr. 1–4 på dagens kart er ferdigbehandlet, og deretter samlet votering etter sakene nr. 5–25 ved slutten av dagens møte. – Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.

Jeg vil knytte noen kommentarer til nettopp det spørsmålet samt kommentere forslaget til endringer i eiendomsmeglingsloven. Når det gjelder spørsmålet om hvor lang lagringstid det skal være for dokumenter under bokføringsloven, tar flertallet i komiteen til etterretning at regjeringen nå ikke foreslår endring til kravet om ti års oppbevaringstid for primærdokumenter som kommer inn under bokføringsloven. bokføringsloven. Dette er i tråd med anbefalingene fra Skattedirektoratet og Økokrim og støttes av et stort flertall av høringsinstansene inkludert Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nav, Konkurransetilsynet, LO, Revisorforeningen, Riksadvokaten og Sparebankforeningen.

og flertallet har merket seg Økokrims klare anbefaling i saken, der de nettopp peker på at oppbevaringstiden både generelt og i en rekke eksempler har hatt betydning for å bekjempe nettopp økonomisk kriminalitet. Flertallet viser også til at det må være samsvar mellom kravet til oppbevaring av dokumenter og foreldelsesfristen i skatte- og strafferettslige saker. Flertallet er samtidig opptatt av sin målsetting om forenkling for næringslivet, slik vi var da vi f.eks. fjernet kravet til pliktig revisjon av årsregnskapet for de minste selskapene. Det sentrale spørsmålet vedrørende oppbevaringstiden er om nytten av kravet om ti års oppbevaringstid står i rimelig forhold til kostnadene som kravet

Komiteen er imidlertid samstemt i at dagens papirdokumenter etter hvert vil erstattes med andre oppbevaringsmedium, og er positiv til at det nå presiseres at det er valgfrihet i forhold til oppbevaringsmedium. Komiteen mener dette vil bidra til å redusere næringslivets oppbevaringskostnader. Den andre lovendringen jeg vil knytte noen kommentarer til, Da lov om eiendomsmegling ble vedtatt her i Stortinget i 2007, medførte det vesentlige endringer sammenlignet med tidligere lov. Blant annet ble kompetansekravene til dem som arbeider som meglere, skjerpet. Loven justeres i denne omgangen også på dette området, ved at det i forskriftshjemmel gis adgang til at medhjelper i en viss periode kan arbeide uten å ha bestått eksamen som eiendomsmegler. En slik ordning vil etter departementets vurdering møte et behov for større fleksibilitet ved ansettelser av medhjelpere i eiendomsmeglerbransjen, samtidig som medhjelper før eksamen vil kunne opparbeide seg relevant kunnskap og erfaring. Komiteen peker i sin merknad på at intensjonen med eksamen er å heve kompetansenivået i bransjen, og mener derfor det er avgjørende at den nye hjemmelen ikke fører til utstrakt bruk av midlertidige ansettelser av medhjelpere uten eksamen. Utover disse kommentarene slutter komiteen seg til proposisjonen. Mindretallet vil ta opp sitt forslag. Jeg legger hermed fram saken.

og ikke minst en enstemmig opposisjon samt regjeringens egne konkrete målsetting om reduserte administrative byrder for næringslivet. Høyre er derfor overrasket over at regjeringen ikke klarer å ta standpunkt i en sak hvor konsekvensene åpenbart er mer enn godt nok utredet. På bakgrunn av Stortingets anmodning ba departementet både Skattedirektoratet og Økokrim ved slutten av 2007 om en vurdering av kravet om ti års oppbevaringsplikt for primærdokumentasjon. Høyre mener derfor at regjeringen må starte arbeidet med eventuelle lovendringer, slik at det opprettholdes framdrift i dette arbeidet, som tydeligvis fullstendig har stoppet opp under denne regjeringen. I Danmark gjelder som hovedregel krav om fem års oppbevaringstid. Noen unntak er gjort. I Sverige ble oppbevaringstiden redusert fra ti til sju år som ledd i den svenske regjeringens forenklingsarbeid. Høyre registrerer at forenklingsarbeidet for næringslivet har bedre vilkår i våre naboland, som på de tidspunktene endringene ble vedtatt, begge hadde borgerlige regjeringer. Både Høyre og regjeringen har lovet forenklinger for næringslivet med 5 mrd. kr i løpet av 2013. Det er veldig vanskelig for regjeringen å klare det dersom den ikke klarer å gjennomføre de mest opplagte tiltakene, slik som f.eks. forslaget om å halvere på. Regjeringen skriver selv at kostnadene knyttet til oppbevaring av regnskapsmateriale – som etter regjeringens syn bør vurderes ytterligere – er beregnet til 631,5 mill. kr per år. Det utgjør således 2,2 pst. av de samlede administrative kostnadene for bedriftene. I en oppfølgingsrapport om utviklingen i næringslivets administrative kostnader, utarbeidet av Rambøll Management i november 2009 for regjeringen, angis det at det ikke har skjedd noe som helst i perioden fra 2006 til 2009. I høringssvaret til NARF vises det bl.a. til at næringslivet til enhver tid holder lagret rundt 80 millioner regnskapspermer, og at det bare i 1 pst. av bedriftene som blir kontrollert, blir funnet feil i materialet. Det betyr, ut fra NARFs måte å telle på, at 40 millioner regnskapspermer hvert eneste år oppbevares nær sagt til ingen nytte, og dette er estimert til å koste 260 mill. kr for næringslivet. Høyre kan ikke se at kostnaden og merarbeidet står i forhold til nytten som staten har av regelverket. Høyre mener at regjeringens uttalelser om at det er behov for ytterligere kartlegging, ikke er begrunnet ut fra manglende informasjon, men rett og slett ut fra beslutningsvegring og intern uenighet i regjeringen. Derfor er det uheldig at nødvendig forenklingsarbeid for næringslivet i beste fall utsettes og i verste fall nok en gang stopper opp. Regjeringen har hevdet at en ekstern utredning vil kunne ferdigstilles ved årsskiftet, og Høyre forutsetter dermed at saken blir behandlet med positiv innstilling i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har fremmet fellesforslag både som representantforslag

Først vil jeg gjerne komme med en liten kommentar til proposisjonens punkt 4.3, særlig om å gi adgang til at medhjelper i eiendomsmegling i en viss periode kan arbeide uten å ha bestått eksamen. Jeg er lærer, og det hender faktisk noen ganger at elevene mine bestemmer seg for ikke å ta en eksamen, men velger å gjøre noe annet. Slik kan det også være her. Vi i Fremskrittspartiet mener at det er positivt å gi medhjelpere uten eksamen praksis og erfaring. men velger å gjøre noe annet. Slik kan det også være her. Vi i Fremskrittspartiet mener at det er positivt å gi medhjelpere uten eksamen praksis og erfaring. Det kan faktisk skje at medhjelperen etter å ha hatt denne praksisen en stund finner ut at det ikke er framtiden, og at en vil arbeide med noe helt annet. En midlertidig ansettelse kan altså være en fordel. Fremskrittspartiet ser også positivt på de endringene i lovverket som muliggjør en enklere hverdag for den næringsdrivende. Det er bra at de oppbevarte dokumentene er på norsk, svensk, dansk eller engelsk språk. For de fleste av oss kan det f.eks. være vanskelig å forstå arabisk. Etter gjeldende rett er det krav om minst ti års oppbevaring av regnskapsmateriale, herunder primærdokumenter. Som tidligere nevnt av representanten fra Høyre, så vi for oss 80 millioner regnskapspermer etter hverandre, og at denne oppbevaringen koster 631 mill. kr per år. Departementet ønsker ytterligere kartlegging av kostnadene knyttet til oppbevaringstid. For Fremskrittspartiet er dette spørsmålet kartlagt svært grundig, og det bør ikke være vanskelig for regjeringen å kunne ta stilling Ja, dokumenter skal være tilgjengelige så lenge det kan være saklig behov for å kontrollere dem. Men det må jo også være slik at nytten må stå i forhold til kostnaden. Regjeringen lover forenklinger for bedrifter med 5 mrd. kr i løpet av 2013. Hvordan skal de greie dette? Vi foreslår å redusere oppbevaringstiden for regnskapsdokumenter fra ti til fem år, slik som i nabolandet Vi i Fremskrittspartiet ser også for oss at reaksjonsevnen til dem som skal kontrollere oppbevarte dokumenter, vil øke ved en reduksjon fra ti til fem års oppbevaringstid. Ellers vil jeg poengtere at vi er svært positive til forslaget om at Økokrim gis elektronisk adgang til opplysninger i norske verdipapirregistre. Dette vil være et eget bidrag til bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Som det

som strenge krav til oppbevaring fører til for bedriftene. Jeg har lyst til å si det innledningsvis, så det ikke er noen tvil om det. Det ligger som en bunnplanke i alt det som regjeringspartiene gjør i denne saken. Når saken så har vært ute på høring, har det blitt helt klart at det er et svært ulikt syn på avveiningen mellom de administrative konsekvenser for bedriftene og de kontrollbehov som myndighetene har, og det er et veldig klart flertall som mener at en ikke må redusere kravet om ti års lagringstid for primærdokumenter ytterligere ned. Det er Skattedirektoratets og Økokrims syn som vi fra regjeringspartiene sjølsagt legger stor vekt på, men Sparebankforeningen og Revisorforeningen har det samme synet. Det som er klart, er at dersom en følger mindretallets syn, som NHO står for, nemlig å redusere lagringstida til fem år, vil det forringe mulighetene for innsyn og myndighetskontroll av pliktige regnskapsrapporter i ettertid. Det som kjennetegner det norske næringslivet, er at det i rimelig grad er en rettferdig konkurranse mellom selskaper. Det er enighet blant opposisjon og posisjon om at det er en stor styrke at en har et offentlig regelverk som sikrer at alle skal opptre på en slik måte at en ikke skal få fordeler som følge av at systemet ikke er godt nok til å sikre den rettferdige konkurransen. Dette er et tema som vi fra Senterpartiets side mener det blir viktigere og viktigere å ivareta framover, ikke minst fordi vi nå i større grad får en arbeidslivssituasjon og en næringslivssituasjon med utenlandske selskaper, altså selskaper som har utenlandsk tilknytning. tilknytning. Vi får også en rekke selskaper som driver med utleie av arbeidskraft. I det hele tatt får vi både arbeidstakere og selskaper som har mindre tilknytning til den norske tradisjonen, de norske spillereglene og den norske langsiktigheten her. Det er vesentlig å være klar over det. Jeg, og mange næringsdrivende med meg,

I saken har regjeringa og posisjonspartiene sagt at en ønsker å se nærmere på disse spørsmålene, se på nytte–kost-vurderingen, inklusive oppbevaringstida. I den sammenheng vil jeg bare avslutningsvis peke på at én ting er hvilken tid en har til å oppbevare dokumenter. Et annet og nok viktigere punkt vil etter Senterpartiets syn være å se på hvilke dokumenter som det er nødvendig å oppbevare. En del av de dokumentasjonskravene som er i dag, er ganske krevende, og det er områder hvor en kan stille spørsmål ved om det er nødvendig å ha så detaljerte krav til hvilke dokumenter som skal oppbevares. Jeg vil Jeg vil antyde at en her bør gjøre en vurdering av hvilke dokumenter en skal ha, slik det har vært gjort i våre naboland. Der har en, som et eksempel på det jeg nå snakker om, redusert kravet til eksempelvis kassastrimler. En tar altså ikke det med i kravet til hva som skal tas vare på i ti år. Takk til saksordføreren for en balansert fremstilling – og også til representanten Lundteigen for en balansert fremstilling. Mye er Takk til saksordføreren for en balansert fremstilling – og også til representanten Lundteigen for en balansert fremstilling. Mye er allerede sagt av når det gjelder representantforslaget om å endre bestemmelser om oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter. Jeg skal derfor forsøke å fatte meg i korthet. For Venstre har forenkling for norsk næringsliv vært en svært viktig sak i mange, mange år. Vi har alene eller sammen med andre opposisjonspartier foreslått en rekke forslag til forenkling de siste årene. Enkelte av disse, som f.eks. fritak for revisjonsplikt for noen bedrifter, men langt færre enn antatt, har regjeringen senere adoptert – all ære for det. Alle tiltak som bidrar til forenkling, er bra. Det er viktig at de mest kostnadseffektive tiltakene iverksettes først. Fritak for revisjonsplikt er et slikt forslag. Reduksjon i oppbevaringstid for regnskapsmateriale er et annet. Flere har vært inne på kostnadene for oppbevaring – en betydelig kostnad for noe som Venstre og de øvrige opposisjonspartiene mener er helt unødvendig. Bare kostnader til regnskapspermer, beregnet av NARF til ca. 8 millioner permer per år, er på et sted mellom 50 og 75 mill. kr årlig. Altså er det betydelige kostnader som bindes opp helt unødvendig, og som burde og kunne vært frigitt til bedriftenes kjernevirksomhet: utvikling og styrking av bedriftene og dermed trygge arbeidsplasser og vår felles velferd. I tillegg vil det offentlige få inn mer skatteinntekter som resultat av bedre resultater i bedriftene nær sagt et kinderegg, for å bruke et populært uttrykk. Svaret fra regjeringen og regjeringspartiene er at det nå skal bli valgfritt om man vil oppbevare regnskapsmateriale elektronisk eller i perm. Det er vel og bra, men det er heller ikke kostnadsfritt med elektronisk lagring. Dette er en sak som har vært utredet og kartlagt etter alle kunstens regler. Allikevel må det, ifølge stortingsflertallet og regjeringen, utredes og kartlegges videre. Jeg undres over hva det er regjeringspartiene og regjeringen tror de vil oppdage etter enda en vurderings- og kartleggingsrunde som ikke allerede er kjent. Jeg håper finansministeren, som er neste taler, kan svare på to enkle spørsmål. Spørsmål 1 er: Har finansministeren noen statistikk som viser hvor mange ganger ganger det de siste ti årene har vært av avgjørende betydning for skattemyndigheter eller påtalemyndigheter at regnskapsmateriale eldre enn fem år har vært tilgjengelig? Spørsmål 2 er: Hvilke negative konsekvenser er rapportert i våre naboland Sverige og Danmark etter at oppbevaringstiden ble redusert til henholdsvis syv og fem år? Jeg tror ikke man skal være rare spåkvinnen for å slå fast at oppbevaringsplikten for regnskapsmateriale kommer til å bli redusert. Det lett uforståelige er at regjeringen og bli redusert. Det lett uforståelige er at regjeringen og regjeringspartiene må utrede og utrede og deretter kartlegge og kartlegge før det blir et endelig resultat. Det er Det er ingen tvil om at regjeringen har satt seg et veldig ambisiøst forenklingsmål. Det innebærer at vi skal fortsette det arbeidet som vi har begynt på når det gjelder både forenklinger i lovverk og forenklinger på andre måter. Vi kommer til noen viktige forenklingsforslag om litt, i sak nr. 4 på dagsordenen i dag.

såpass med erfaring har jeg at jeg har sett at det har vært en del veldig kompliserte og vanskelige saker den siste tiden som har vært forbundet med økonomisk kriminalitet, der en nok har hatt behov for å gå utover fem år for å dokumentere hvordan historien har vært i slike saker. Så jeg tror det er et både–og-svar på det. Grunnen til denne avveiningen er at en har besluttet at en vil trenge ytterligere tid for å kartlegge kostnader forbundet med kravet om ti års oppbevaring, og en eventuell stuttere oppbevaringstid. Alternativet til ytterligere kartlegging ville ikke fra regjeringens side vært å foreslå en halvering av oppbevaringstiden slik opposisjonen ønsker, men snarere, tror jeg, å konkludere med at det men snarere, tror jeg, å konkludere med at det ikke er grunnlag for halvering. Så det at vi nå skal bruke noe mer tid på å kartlegge kostnader og nytte, tror jeg er fornuftig av hensyn til saken. Det er grunn til å understreke at oppbevaringskravet ikke bare skal sikre mulighet for gjennomføring av faktiske kontroller eller bokettersyn når det er aktuelt, men i tillegg skal det ha en forebyggende virkning, ved at de bokføringspliktige vet at de kan bli kontrollert, og at de dermed har incentiver til å innordne virksomheten sin i henhold til gjeldende lover og regler. Så vil det alltid være slik at det store flertallet vil gjøre sitt ytterste for å ha ting i orden. Men det er også slik at noen ikke har det, og en del saker har vist at så er tilfellet. Så

Regnskapsdokumentasjon er nødvendig for å bekjempe skatteunndragelser, økonomisk kriminalitet, og bidra til å sikre påregneligheten av regnskap, og at regnskapene dekker informasjonsbehovet til en rekke interessenter, eiere, kreditorer, ansatte og tilsynsmyndigheter. det også er vist til, er det krav om ti års oppbevaringsplikt. Det samsvarer også med det som er den vanlige regelen når det gjelder skatte- og strafferettslige foreldelsesfrister. Jeg mener derfor at det er gode grunner for å ta en ny runde, en ny kost–nytte-vurdering, før en endelig beslutter i spørsmålet. Det vil ikke bare ha betydning for spørsmålet om oppbevaringstid, men det vil også i stor grad gripe inn i annen lovgivning. Så det ligger i dette at vi skal ta en ny runde, men det ligger ikke i dette at en kommer til en annen konklusjon enn den vi har i dag. Det blir replikkordskifte. Jeg ble litt overrasket over finansministeren som ikke klarte å svare på spørsmålet fra representanten Tenden, om det har vært behov for å lagre dokumenter over fem

når man ikke har noen idé om behovet, men bare holder på med gjetninger? Det har vært flere saker om økonomisk kriminalitet der en har sett at det har vært et betimelig behov for å gå utover fem år og ta de lange tidslinjer i forbindelse med både etterforskning, oppklaring og for så vidt rettssaker knyttet opp mot saker om økonomisk kriminalitet. Men, som vi sier, dette er et avveiningsspørsmål behovet for forenklinger på den ene siden og behovet for å ha dokumentasjon på den andre siden. Som også representanten Lundteigen viste til, er det klart at noen mer kompliserte forhold på bl.a. eiersiden gjør at en skal vurdere veldig nøye om en skal ha en stuttere oppbevaringstid enn det en har i dag. Men dette er spørsmål som vi skal gå gjennom, og vi skal love at det også blir en god statistikk i forbindelse med

at me alltid må vega samfunnsomsyn på den eine sida og forenklingar på den andre sida – og sjå kva som skal vega tyngst. I utgangspunktet – når me tenkjer på desse 80 millionar ringpermane – er det kanskje lett å forstå spørsmålet om lagringstid. Det kjem eg litt tilbake til. Me har valt framleis å ha ti års oppbevaring. Det

oppbevaring. Eg vil tru at bedriftene vil gå over til elektronisk oppbevaring, f.eks. med scanning av fakturaene, og i framtida vil også elektroniske fakturaer verte mykje meir vanleg. Da må ein stilla spørsmålet om den innsparinga frå ti til fem år er så stor som opposisjonen seier. Eg har ikkje tal på det. Eg kontakta òg rekneskapsbransjen i går for å stilla spørsmålet, og det i går for å stilla spørsmålet, og det svaret dei gav meg da, var at dersom ein kan bruka elektronisk medium til oppbevaring, vil innsparingsbehovet vera marginalt, og samfunnsnytta av ti års oppbevaring vil vega mykje tyngre. Likevel skal me utgreia spørsmålet meir, så me er trygge på at me både har teke omsyn til næringslivet og har teke omsyn til samfunnsnytten. Det dei som eg snakka med i rekneskapssektoren i går, òg sa til meg, er at ofte er det sånn at det går gjerne to–tre år før ein får eit bokettersyn, som kanskje avdekkjer systematiske feil. Da vil det vera behov for å gå lenger tilbake i tid, og da vert fem år kort. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 2 og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

vedtatt. Innstillingen i saken som vi nå behandler, omhandler de nødvendige lovendringer som er knyttet til bl.a. revidert nasjonalbudsjett, men også en rekke andre forslag, særlig fra mindretallet, som jeg antar mindretallet redegjør godt for sjøl. Som saksordfører vil jeg takke for godt samarbeid i komiteen rundt behandlingen av dette. Mange av de punktene som er foreslått, har samlet så å si fullstendig enighet, og flere av punktene utgjør i så måte lite omstridte endringsforslag. Men det er noen forhold som jeg har lyst til å nevne og vektlegge i behandlingen her, som jeg opplever som veldig positivt både av skattemessige årsaker og ikke minst ut fra den debatten vi hadde i sted om muligheten til å forenkle. For jeg oppfatter at de forenklingsforslag og de forslag som ligger på bordet i denne saken, er av langt større betydning enn mange andre klassiske forenklingsforslag. Aller først når det gjelder spørsmålet som har vært noe diskutert om skattlegging ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde, blir det fra mindretallet anført at departementet og regjeringa har lagt seg på en ganske stram fortolkning av bl.a. EU-domstolens avgjørelse knyttet til dette. Jeg vil bare understreke at de grep man gjør knyttet opp mot et ganske komplisert skattefelt, både knyttet til sikkerhetsstillelse, knyttet til rentebetaling og for så vidt også denne femårsregelen, etter Arbeiderpartiets oppfatning står veldig godt på egne bein. Det er gode grunner til å gjøre dette: for både å sikre en effektiv skattlegging og å unngå det som og å unngå det som man ser i mange saker, et forsøk på å kunne omgå skatteregler. Så til det som etter min mening har stor betydning for fornyingsarbeidet i Norge og også inn mot både vanlige folks hverdag og ikke minst næringslivet. Jeg vil særlig trekke fram det man gjør nå, for det første å endre saksbehandlingsreglene knyttet til eiendomsskattesaker. Det er en nødvendig opprydding og et nødvendig regelendringsforslag, og i så måte imøtekommer man også i veldig stor grad de rettssikkerhetsmessige hensyn som skattyterne fortjener knyttet til forvaltningslovens regler hva angår habilitet, rettledning, varsel og innsyn. De to forslagene som derimot etter mine begreper har kanskje størst betydning i denne saken opp mot det å gjøre hverdagen enklere, og som det er bra at man fremmer og har jobba fram, som jeg syns regjeringa fortjener stor honnør for, er spørsmålet om arbeidsgivers innrapportering og den elektroniske dialogen som man der ser for seg. Som med all denne type reform vil jeg si: Måtte det gå bra, måtte man nå klare å få dette i kraft i 2015! Det er avgjort viktig for mennesker, men ikke minst for bedrifter, som har en betydelig innrapporteringsplikt overfor flere offentlige instanser. Det å kunne ha en slik felles innrapportering som er skissert i lovforslaget, til skattemyndighetene, til Nav og Nav og også til Statistisk sentralbyrå, er av stor viktighet. Etter mitt skjønn vil det også bidra til å sikre kvaliteten på saksbehandlingen – ikke bare at det blir lettere for dem som skal rapportere, og dem som skal motta, men kvaliteten på saksbehandlingen blir også bedre. Gledelig er det også – og det har samlet hele komiteen at man med dette tilrettelegger for det å kunne bruke elektroniske skattekort. I så måte er det også en god sak i det forenklingsarbeidet som regjeringa bedriver. Når det gjelder opposisjonens øvrige forslag og også merknader, forutsetter jeg at de eventuelt redegjør for dette det være seg herreløs arv, frukt og grønt, aviser, elbiler eller andre herligheter. Lovsakene i tilknytning til revidert og hele revidert er

og vi foreslår en kraftig forbedring av BSU som et resultat av det. Vi er på tur til å drive fram nye sosiale skiller i Norge. Det å investere i egen bolig og eie egen bolig er viktig i Norge, og vi er på tur til å komme i en situasjon der mange kan bli stengt ute grunnet egenkapitalkrav og manglende evne til å spare opp. Det mener vi bør ha en helt annen fokus fra

så langt vi kan skue fram i tid, må også de virksomhetene stimuleres til å investere for framtiden. De må investere for å øke produktiviteten og for å ha en produktivitet som utligner den kostnadsforskjellen som vi ser. Der er vi på tur til å utvikle noen ganske dramatiske skjevheter i Norge, og vi er litt forundret over at man ikke tar dem mer på alvor. Man kan på en måte si at regjeringens gjerrighet overfor tradisjonell industriell virksomhet i Norge kun overgås av dens gavmildhet overfor oljeselskapene. Det regner jeg med at vi kommer til å få heftigere debatter om framover. Så bruker regjeringen pluss/minus 40 sider på gjennomgang av eiendomsskatt. Mye der er bra, vi slutter oss til det meste, men vi er mer forundret over det som man ikke gjør noe med. Det er en sak som Stortinget behandlet allerede i fjor vinter, som hastet den gang, og som haster enda mer nå, og det er at man utvikler en praksis i kommunene hvor maskiner og lett flyttbart utstyr blir inkludert i eiendomsskattegrunnlaget. Det er en betydelig belastning på mange arbeidsplasser rundt omkring i Distrikts-Norge som lever i konkurranse med utenlandsk industri. Regjeringen lovte egentlig for halvannet år siden å finne grep og vi er forundret over at man ikke har klart å finne fram til dem. Jeg skjønner at kraftverk kan være noe av grunnen til at man har en utfordring. Høyre har gjentatte ganger sagt at kraftverk er spesielle skatteobjekter, for der henter man ut en grunnrente på samme måte som vi gjør i Nordsjøen, og man kan lempe det ut av den generelle problemstillingen og ta det spesielt. Så det vil være en oppfordring til finansministeren, å få fart på det. Så vil jeg også kommentere EDAG, for det er en stor og viktig satsing, som vi mener er veldig viktig. Det vil, som saksordføreren også sa, kunne bety ganske store forenklinger. Men sporene etter innføring av elektronisk rapportering i staten er ikke alltid like god, så her vil vi i hvert fall oppfordre til veldig tett kontakt mellom de partene som er involvert. Det gjelder skatteetaten, skatteinnkreverne – som er kommunene, det er ganske viktig å huske på at de sitter i et desentralisert system som krever inn dette – arbeidsgiverne, ikke minst, og selvfølgelig de som skal utforme systemet. For det er veldig viktig at vi kommer riktig av gårde med en såpass omfattende reform, som vi også tror vil kunne gi betydelige forenklinger rundt omkring Vi har en rekke andre forslag – tilleggsskatten. Der kommer regjeringen med en ny mellomsats – det er vel mer at man har gitt opp å følge opp det som var Stortingets intensjon da mellomsatsen ble fjernet – og vi har noen forslag på IPS og arveavgift, som jeg ikke nå har tid til å komme inn på. I det store og hele er det ikke store grep som foretas i revidert, men jeg tar opp de forslag Høyre har

det vil bli mindre lønnsomt å forurense. Venstre ønsker å legge til rette for et nyskapende næringsliv, hvor innovasjon og utvikling i eksisterende bedrifter er viktig, og hvor flere starter sin egen bedrift. Venstre vil derfor legge forholdene bedre til rette for enkeltpersonforetak, ikke minst gjelder det bedre og likestilte sosiale rettigheter. Ulike statsråder har gjentatte ganger på oppfordring fra Venstre sagt at de vil vurdere å styrke de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende. Ingenting har skjedd så langt. I forrige uke behandlet Stortinget en 400-siders melding fra regjeringen om norsk arbeidslivspolitikk. Selvstendig næringsdrivende er ikke nevnt med et ord. Venstre har et annet utgangspunkt. Derfor har vi en rekke forslag i denne innstillingen som vil bedre vilkårene for de selvstendig næringsdrivende, fra bedre sosiale rettigheter, inkludert sykelønn, økt maksimalt sparebeløp i tjenestepensjonsordning til bedre og mer fornuftige regler når det gjelder innbetaling av skatt. La meg stoppe opp litt ved det siste. Den 28. mai i år sendte forfatter Tom Egeland ut følgende Twitter-melding: «Jeg overskred fristen for forskuddsskatt med noen dager. Dermed må jeg betale resten av Ja, sånn er faktisk regelverket for de selvstendig næringsdrivende. Ikke bare må de betale skatt kvartalsvis på forskudd, basert på en antatt inntekt. Dersom man er en eller to dager for sen, inntrer det lett absurde at man må betale hele den antatte skatten man måtte ha på en antatt inntekt for hele året. Mange må ta opp lån for å betale skatt på en antatt inntekt. Derfor fremmer Venstre i dag et forslag om å endre skatteinnbetalingsreglene for selvstendig næringsdrivende slik at de blir tilnærmet de samme som for vanlige skattytere. For kort tid siden var det en interessant interpellasjon her i Stortinget, SVs Geir-Ketil Hansen tok opp spørsmålet om å bruke skatte- og avgiftspolitikken aktivt for å oppnå Stortingets vedtatte målsetting i helsepolitikken. Hansen etterlyste en aktiv avgiftspolitikk når det gjelder matvarer: høyere avgift på usunne matvarer, lavere avgift på sunne matvarer. Dette er Venstre helt enig i. Derfor foreslår vi en omlegging av momsen på matvarer i tråd med Hansens etterlysning: ingen moms på frukt og grønt, full moms på brus og andre sterkt sukkerholdige drikkevarer. Dette synet ble i interpellasjonsdebatten støttet av representanten Lundteigen, som appellerte til finansministeren om å ha fullt fokus Jeg rekker ikke å sitere det han sa i salen, men jeg håper han gjentar det nå, for han kommer som neste taler, ser jeg. Det paradoksale og beklagelige er at både SV og Senterpartiet stemmer imot den politikken de tar til orde for. Jeg ønsker imidlertid SV og Senterpartiet all mulig lykke til i håp om å se spor av dette i politikken i budsjettet for 2013. Samtidig som Venstre vil gjøre vilkårene for næringslivet bedre, vil vi stimulere til at næringslivet blir mer klima- og miljøvennlig. Gjennom skattesystemet kan det gjøres på to måter – enten ved å øke miljøavgiftene eller ved å innføre differensierte satser som premierer ønsket miljø- og klimavennlig atferd. Venstre foreslår derfor at det blir innført en egen miljøavskrivningssats i saldogruppe d, slik at det er mulig med en ytterligere avskrivning på 5 pst., dersom investeringen åpenbart gir en miljø- og/eller klimagevinst. Samme tankegang følger Venstre når det gjelder SkatteFUNN-ordningen. I dag er det kun 10 pst. av SkatteFUNN som kan relateres til klima, miljø og energieffektivisering. Dette vil Venstre øke og foreslår derfor at det innføres egne beløpsgrenser i tillegg for slik FoU-aktivitet, med henholdsvis 2 og 4 mill. kr, avhengig av om forskningen er intern i bedriften eller eksternt utført. Jeg tar til slutt opp Venstres forslag i innstillingen, med håp om at regjeringen har et skråblikk på disse ved neste statsbudsjett.

Det er viktig å følge med videre i denne saken, for det er sentralt å opprettholde tilliten mellom kommunene, som har stilt naturressursene til disposisjon i forbindelse med kraftutbygging, og dermed har rett til og krav på en del av verdiskapinga, og storsamfunnet, som får hovedfortjenesten ved slik utbygging. Det er viktig å ha tillit og herunder ha tillit til at skatt blir korrekt utskrevet. Når det gjelder videre omkring eiendomsskatten, fremmer opposisjonen forslag om endringer knyttet til eiendomsskatt på maskiner og lett flyttbart utstyr. Dette er et forslag fra NHO, og det er et krav som vi i stadig sterkere grad ser komme, ut fra den konkurransesituasjonen som fastlandsindustrien er i. Etter regjeringas og Senterpartiets syn er det feil å skiple ved ordninga som har vært her, fordi integrert maskineri og tilbehør er en del av den

i dag, og dersom man begynner med noe annet, får vi en rekke tvister. Som eksempel kan vi spørre: Hva er lett flyttbart utstyr, som det refereres til her? Ja, det kommer an på hva slags maskineri du har. Alt utstyr kan i dag flyttes. Det kan demonteres i passelige størrelser, og dermed er det flyttbart. flyttbart. Vi skal også være klar over at eiendomsskatten, som er kommunal, er til fradrag for selskapene i den statlige selskapsskatten. Vi må få fram den helheten. Når det gjelder styrkinga av skattyters rettssikkerhet, har det vært oppe til debatt tidligere, som flere har vært inne på. Vi får nå en redusert tilleggsskatt på 10 pst. når skattyter har gitt feil eller ufullstendige opplysninger om poster i selvangivelsen, som seinere blir gitt ukrevd fra arbeidsgiver eller andre tredjeparter. eller andre tredjeparter. Regjeringa følger nå opp stortingsdebatten på dette området, og jeg er glad for det samspillet vi har mellom Stortinget og Finansdepartementet – det utvikler seg bra på en del områder. Når det gjelder spørsmålet om omvendt avgiftsplikt, moms, i bygg- og som innebærer at kjøper skal kunne oppkreve avgiftene – i motsetning til i dag – har det vært en grundig debatt og drøfting om dette, i både regjeringspartiene og ikke minst i embetsverket, og forslaget er avvist. Jeg håper at den diskusjonen nå er lagt død, siden jeg hører at opposisjonen sier at de bare ber om en enklere løsning. Dette spørsmålet er såpass komplisert at dersom man skal gjøre det på en god måte, er det vanskelig å se for seg en enklere løsning – den blir heller mer komplisert. Når det gjelder andre forslag, har Fremskrittspartiet på en forbilledlig måte sagt at de ikke ønsker omkamper om disse spørsmålene som man tidligere har tatt opp, nå i revidert nasjonalbudsjett. Jeg vil nevne et par punkter. Når det gjelder forslaget om saldoavskrivning, som blir framsatt av Venstre og Fremskrittspartiet, vil jeg si at avskrivningsregler skal avspeile verdifallet, og man må holde seg til det prinsippet. Det er en rekke punkter hvor verdifallet er større enn avskrivninga i dag, og det må ha hovedfokus. Grunnrenteskatteforslaget fra Høyre om å øke minstegrensen fra 5 500 kVA til til 11 000 kVA innebærer bare en ny barriere og endrer ikke prinsipielt på problemene. Problemene kan bare løses ved å ha en lineær avtrapping fra der hvor man har null i grunnrenteskatt, til der hvor man får full grunnrenteskatt. For øvrig har Venstres syn på full moms på sukkerholdig drikke Senterpartiets fulle støtte, enten sukkeret er naturlig eller kunstig tilsatt.

man gjør ikke noe med lett flyttbart utstyr, som i langt større grad blir beskattet. Det betyr i realiteten at det er en skatteskjerpelse. Det er synd at man ikke tar tak i det. Regjeringen foreslår videre å redusere tilleggsskatten når opplysningssvikten gjelder poster hvor ligningsmyndighetene allerede sitter med opplysningene fordi de har innberettet fra annet hold. Dette gjelder eksempelvis når arbeidsgiver har innberettet lønnsinntekt, men for sent til at opplysningene kommer med i den utsendte selvangivelsen, og skattyter glemmer å føre den opp. Regjeringen foreslår å redusere satsen fra 30 pst. til 10 pst. Det er bra at regjeringen senker satsen, men vi mener at satsen også etter endringen er for høy. Begrunnelsen for tilleggsskatt er at den skal bidra til at skattyter oppfyller opplysningsplikten etter loven. Gir skattyter uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan dette vanligvis føre til skattemessige fordeler, og ileggelse av tilleggsskatt er da en fornuftig sanksjon. Fremskrittspartiet mener begrunnelsen ikke på samme måte kan benyttes når ligningsmyndighetene allerede sitter på de aktuelle opplysningene. Derfor fremmer vi følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at det innføres et maksimalbeløp for tilleggsskatt ved ligningsmyndighetene allerede sitter på opplysningene da disse er innberettet fra annet hold. Maksimalbeløpet settes til 10 000 kr.» Regjeringen gjør også en vurdering av omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen. Vi mener at Finansdepartementet, i samråd med næringslivet, burde se på ulike modeller – og ikke bare i samråd med næringslivet, burde se på ulike modeller – og ikke bare avvise det – for å se om vi kan finne en enklere løsning enn det arbeidsgruppen har foreslått. Et slikt forslag vil kunne bli sendt på høring, slik at forslaget blir grundigere behandlet av regjeringen enn det er lagt opp til. Jeg tar opp våre forslag. Representanten Kenneth Svendsen har tatt opp de forslagene han refererte til. Dermed er alle 27 forslag, som er inntatt i

en endring i regjeringens opplegg. Etter mitt og Kristelig Folkepartis syn bør revidert ikke minst brukes til å søke å rette opp «feila fra i går», eller at det er kommet til endringer i terrenget som tilsier at også kartet bør endres, og det gjelder boligsparing for ungdom. Jeg synes egentlig det er ganske oppsiktsvekkende at en rød-grønn regjering, med den historiske tradisjon i hvert fall noen av disse partiene har hatt for å være opptatt av at alle bør ha mulighet til å skaffe seg en bolig, har en så til de grader passiv holdning når det gjelder boligsituasjonen her i landet, ikke minst for ungdom. Ved at man har økt egenkapitalkravet til 15 pst., har man ytterligere sørget for at mange grupper stenges enda mer ute fra boligmarkedet. I tillegg har man det generelle bildet at boligprisene nå blir så høye at man er i ferd med å få et klassedelt boligsamfunn. Det undrer meg stort at det er så mye tafatthet i en rød-grønn regjering på dette punkt. Jeg skulle like å se hva en rød-grønn opposisjon hadde anført dersom det var en ikke-sosialistisk regjering som hadde sittet med ansvaret i samme situasjon. Da tror jeg man hadde sett ganske andre adjektiver enn det vi nå ser de rød-grønne beskrive situasjonen med. På denne bakgrunn er det vi – sammen med andre opposisjonspartier – på dette punkt fremmer endring til forslag, for i hvert fall å bidra der vi kan, på skattesiden, nemlig ved å sørge for at boligsparing for ungdom styrkes. Når det gjelder det generelle i forhold til regjeringens arbeid, eller manglende arbeid, for å sørge for en boligforsyning til mange, skal vi komme tilbake til det ved flere anledninger. Flere har ikke om ordet til sak nr. 4. Som annonsert vil det nå bli ringt til votering.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

Vi har også Statens pensjonsfond Norge. Her viser tallene at kapitalen fra utgangen av 2010 til utgangen av 2011 er redusert med 5,4 mrd. kr, og må ses som et resultat av et noe rufsete år i aksje- og rentemarkedet. Likevel: Det har i 2011, sett under ett, gått bedre for nasjonens inntekter og utgifter enn ventet – eller Særlig har skattene og avgiftene fra næringslivet vært høyere enn anslått ved vedtak om budsjett for i fjor, hele 40 mrd. kr mer. Inntektsøkning kommer uten at en skatteregel er endret. Bedriftene her i landet går rett og slett bedre enn forventet. Det er bra, men fordi usikkerheten er så stor som den er nå, kan inntektene forsvinne like lett som de kom. Det er hovedgrunnen til at det også er lite lurt å omsette inntektsøkningen uten videre til nye og varige utgifter. Når etterdønningene etter finanskrisen og konsekvensene av rekordhøy statsgjeld i tillegg fortsatt i disse dager rammer mange land svært hard, er det bare å konstatere at vi er i en helt annen situasjon her hjemme. Det skal vi være takknemlige for. Både naturressursene og det norske arbeidsmarkedet gjør at vi har mange i jobb som bidrar med betydelige inntekter, noe som – som regnskapet viser – kommer fellesskapet til gode. Men rikdommen krever også at vi tar ansvar og at vi forvalter verdiene godt, slik at også kommende generasjoner kan få nyte godt av dem. En sånn formue kommer ikke – og forblir ikke stor – uten at det betyr noe hvordan vi alle sammen ter oss. Derfor er det gledelig at det er et bredt flertall i Stortinget som ønsker å sette av et betydelig overskudd i regnskapet og overføre dette til Statens pensjonsfond utland. Vi må sørge for at de ekstra ressursene vi får, bl.a. fra oljen, ikke blir faset inn slik takt at økonomien går over styr, men at vi setter av penger til fremtidige generasjoner. Kontrasten til mange andre europeiske land er enorm. Jeg skal ikke si vi skal sende våre dypeste tanker til dem som basker med helt andre budsjetter og regnskapstall enn vi gjør i Norge, men det er i hvert fall verdt å drøfte og tenke gjennom i mange sammenhenger. Jeg nevnte

forståelse de står helt alene om. For – ærlig talt – det er ikke når man sitter med fasiten for hvordan det har gått, at man skal bedømmes på sin evne til å styre et land – inntektene og utgiftene. Det kan, med all respekt, nesten alle klare. Det som er krevende, er å holde igjen – fundere det man gjør med de faglig når man ikke vet hvordan den økonomiske fasiten, terrenget, vil se ut, når man skal ta høyde for usikkerhet, og når man skal ta høyde for mulige utviklinger. Det er ingen kunst å tippe det som har vært. Det er atskillig mer krevende å tippe hvordan ting skal bli. Her hadde det vært – hva skal jeg si – mulig å egge til en stor politisk debatt rundt større forhold, men det har jeg ikke tenkt å bidra til, annet enn å påpeke at det er flere forhold som gjør at det norske statsregnskapet er en god faglig pengemessig forvaltning. Tallene viser også at vi i stor grad treffer med utgiftssiden, men bommer ganske kraftig på inntektssiden. Det er veldig naturlig i et land som har store varierende inntekter fra naturressurser, og som i tillegg er svært avhengig av hvordan det går i internasjonal økonomi.

uansett er neste taler representanten Ketil Solvik-Olsen, som forhåpentligvis da har bedt om ordet til sak nr. 5. President, til dagsordenen. Representanten Hans Olav Syversen har bedt om ordet til forretningsordenen. Jeg vil, hvis det er mulig,

6. Med Stortingets eventuelle tilslutning, selv om vi formelt sett ikke er beslutningsdyktige, er presidenten innstilt på å gi sin tilslutning til forslaget fra representanten Syversen om at vi nå ferdigbehandler sak nr. 6. Under den saken er det ikke så lang taletid. Hvis finanskomiteens medlemmer, som i hovedsak er til stede i salen, er enig i at vi gjør det på denne måten, gjør vi alle som komiteens leder, og snakker om sak nr. 6 – og kommer tilbake til sak

– vær så god Vi får håpe det er bedre orden i statsregnskapet enn i saksrekkefølgen i finanskomiteen. Jeg synes det var nødvendig å ta ordet i denne saken, ikke fordi jeg er misfornøyd med situasjonen i norsk økonomi, men rett og slett for å påpeke noen ting – for oss som husker hvordan debatten var høsten 2010, da vi debatterte dette budsjettet. statens inntekter i løpet av et år har økt med 14,9 pst. Det er en formidabel situasjon, som forklarer litt av grunnen til at Norge gjør det veldig godt der andre land sliter stort. Det som er vel så viktig å påpeke, er at vi faktisk har en inntektsøkning på 110 mrd. kr fra budsjettet ble vedtatt, til en ser regnskapet. Altså: Staten har hatt 110 mrd. kr mer å forvalte i inntekter enn det en trodde. Det er en økning på 9,9 pst. I det perspektivet blir saksordførerens kritikk mot Fremskrittspartiet fullstendig malplassert, for han forstår ikke kritikken som vi kommer med. Det vi peker på, er at når du bommer med 10 pst., er det litt rart å tenke tilbake på debatten i denne salen for halvannet år siden. Da ga en inntrykk av at hvis en kom med budsjettendringer som ga avvik på bare et par milliarder kroner, Så bare et par milliarder kroner i andre vurderinger enn det regjeringen la opp til – i et budsjett på nesten 1 000 mrd. kr – kunne altså sette norsk økonomi over styr. Så ser vi at norsk økonomi har vært betydelig annerledes enn det regjeringen trodde – uten at en har fått disse konsekvensene. Det sier ganske mye om vurderingsevnen til saksordføreren og andre fra de rød-grønne partiene når de tror at marginale endringer i statsbudsjettet vil sette norsk økonomi over styr. Vi har altså spart 108 mrd. kr mer i oljefondet enn det vi trodde. Allikevel skal en også i budsjettet for 2012 spare enda mer, i stedet for å se på hvordan en alternativt kunne investert de midlene i infrastrukturutbygging og andre ting som skaper økt vekst i den norske økonomien. Vi har altså skapt oss en situasjon der det til tross for økt handlingsrom i statsbudsjettet – slik det her framkommer i statsregnskapet – kun er finansplasseringer i utlandet som fortsatt er det hensiktsmessige, ikke realinvesteringer i fastlandsøkonomien. Det er den logikken Fremskrittspartiet ønsker å utfordre.

økonomi. Da gir dette statsregnskapet oss et perspektiv på at neste gang vi diskuterer statsbudsjettet for et år, skal vi være litt mindre bastante i å påstå at alle som har avvikende ønsker eller forslag i forhold til regjeringen, automatisk setter norsk økonomi over styr. Denne fasiten har vist oss det. Men denne fasiten skal ikke brukes som et argument for at vi kan bruke penger på hva som helst; vi skal fortsatt prioritere grundig. Derfor er det viktig at denne regjeringen forsøker å effektivisere norsk økonomi bedre

statsregnskapet et dokument som er undervurdert, for vi må jo hele tida se budsjett og regnskap i sammenheng. Slik er det både i privat og offentlig virksomhet. Det er jo et gledelig statsregnskap vi ser, som har betydelig høyere inntekter enn det som er budsjettert. Imidlertid viser det også at det er Imidlertid viser det også at det er behov for å gå ytterligere igjennom Finansdepartementets modeller og beregningsmåter for utvikling av norsk økonomi, som jeg har tatt opp tidligere. Det er såpass store avvik, og de er langt større enn det folk flest forventer at resultatet skal være i en så kontrollert og nøye gjennomdrøftet økonomi som den norske. Så det er et poeng som jeg syns Finansdepartementet bør legge seg på minnet. Ellers har jeg noen merknader til det som Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann sa. Fra Senterpartiets side er vi veldig forsiktige med å bruke så sterke ord som at enkelte budsjettforslag «setter norsk økonomi over styr». Dette er en språkbruk som jeg tror ingen er tjent med. Det som imidlertid er viktig, er at sånn som norsk økonomi nå blir organisert, er det en investeringsvilje og tilrettelegging av investeringer på norsk sokkel at det medvirker til en aktivitet som gir betydelige utfordringer i det totale næringsliv og ikke minst i arbeidslivet i Norge. Det hadde også vært en fordel om Fremskrittspartiet i noe større grad kunne være med på å – for å være diplomatisk – prioritere realressurser som det norske samfunnet setter inn når det gjelder å som det norske samfunnet setter inn når det gjelder å utvikle samfunnet vårt. Det blir veldig lett til at en sier ja til store økninger på ulike samfunnsområder, som i sum vil gi disse vekstproblemene – som er en måte å si det på – og dermed blir det lite troverdig når en i ettertid kommer og prøver med symbolske tiltak for rette opp de vekstproblemene som er. Så det burde være en større debatt i denne salen om konsekvensene av de ekstremt høye olje- og gassinvesteringene som vi har i dag, sett i relasjon til annet fastlandsnæringsliv og ikke minst sett i relasjon til det som utvikler seg i arbeidslivet. Når vi nå har vært igjennom langt flere streiker og konflikter enn tidligere, er sjølsagt noe av den underliggende årsaken til det at en rekke grupper føler seg så forbikjørt i sine lønns- og arbeidsvilkår i forhold til andre grupper at de reagerer med det naturlige våpenet, som er streik. Så min appell til Fremskrittspartiet er å tørre å si noe om hva en skal si nei til, og dermed vil det kunne balanseres på en helt annen måte. I dag er det et volum i olje- og gassektoren som går langt utover det man med rimelighet bør ha i en økonomi som skal utvikle seg på en balansert måte. Min appell går til finanskomiteens leder. Det er

Det virker som om det ikke finnes noen annen løsning. Det virker som om dette rett og slett er himmelen – Arbeiderpartiets og regjeringens økonomiske politikk. Nei, det er ikke slik. Det finnes andre løsninger. Det finnes f.eks. en alternativ handlingsregel, hvor du kan skille mellom forbruk og investeringer. Den går til representanten Lundteigen. Når vi bruker penger på investeringer, er det fremtidig verdiskaping, det er for å investere økonomi. Så ønsker vi faktisk at forbruket ikke skal øke mer enn BNP-veksten. Dét er en fornuftig handlingsregel, ikke å estimere 4 pst. avkastning – og om avkastningen er 3 pst. eller 5 pst., spiller det ingen rolle, vi bruker 4 pst. uansett og sier at det er ansvarlig. Nå står vi foran en stor utfordring på det internasjonale markedet, og finansmarkedsmeldingen kommer etterpå. Da kan man se at neste år faller kanskje børsene 10–15– 20–30 pst., hvem vet Europa sliter. Da er det plutselig ikke 4 pst. som gjelder lenger, da er det en gjennomsnittlig avkastning de siste årene. Klarer Arbeiderpartiet og regjeringspartiene da å kutte ned det som vil være nødvendig for å komme tilbake på det nivået de sier er ansvarlig, nemlig en gjennomsnittlig avkastning på 4 pst.? Selvfølgelig gjør de ikke det. Det klarer heller ikke Fremskrittspartiet. Vi klarer ikke å kutte på forbruket, hvis vi ikke lager en regel som sier at vi ikke skal øke forbruket mer enn veksten i norsk økonomi, og så må vi investere for å øke den veksten. Det er nettopp det vi skal satse på å gjøre, mens dagens handlingsregel rett og slett er en lammelse, slik at vi ikke får tilstrekkelige investeringer i infrastruktur for å skape vekst i norsk økonomi. Sånn vil Fremskrittspartiet styre Norge om ett år! Neste taler er Ketil Taletiden er 10 minutter, men det er ikke noe pålegg om å bruke den. Jeg vil bare oppklare en del misforståelser, som egentlig ikke er misforståelser, men bevisst feilinformasjon. Representanten Lundteigen mener at Fremskrittspartiet i alle fall må vise noen plasser der vi kutter, og gir inntrykk av at vi er et parti som bruker penger på Hvis representanten Lundteigen hadde fulgt med i de siste års statsbudsjett, ville han ha sett at Fremskrittspartiet netto kutter utgiftene til staten. Men vi gir skattelettelser som er større enn våre utgiftskutt, derfor bruker vi litt mer oljepenger på å balansere budsjettet enn det regjeringen gjør. Men det er altså netto kutt på utgiftssiden. Med Fremskrittspartiets statsbudsjett hadde vi ikke hatt et statsbudsjett med utgifter på over 1 000 mrd. kr, men på under så vi viser at vi prioriterer. Representanten Lundteigen er helt sikkert uenig i mange av de prioriteringene, og det er helt greit, det er jeg komfortabel med. Men å gi inntrykk av at vi øker utgiftene, blir en helt feil framstilling. Innenfor de omprioriteringene vi gjør, klarer vi å prioritere vedlikehold av veier, økt satsing på sykehjem, økt satsing på helsevesenet, samtidig som vi kutter på en del andre områder. I en del av denne debatten gir en altså inntrykk av fra regjeringens side at den prioriterer alt innenfor statsbudsjettet, og at Fremskrittspartiet er uansvarlig når vi foreslår en ny finansieringsmetode. Vårt argument er jo at vi bruker akkurat de systemene og konseptene som regjeringen har lagt til grunn. Når representanten Micaelsen gang på gang sier at denne regjeringen prioriterer alt innenfor på statsbudsjettet, mens Fremskrittspartiet skal ha to tappekraner inn i oljefondet,

Kommunalbanken vil bli tilført penger, uten at det skal telles med i balansen, rett og slett fordi slike ting definerer en som formueomplassering. Da må det gå an å ha en diskusjon om hva som egentlig er formålet med formueomplassering. Er det den viktigste måten å omplassere vår formue, altså våre oljepenger, å gi penger til å drifte et flyselskap som taper penger år for år? Jeg vil heller at mine barn skal kunne ha bedre veier enn at vi skal ha et men det er vi åpenbart uenige om. Det får være en prioritering Arbeiderpartiet støtter opp om, men Fremskrittspartiet er ikke enig. Derfor har Fremskrittspartiet stilt seg litt undrende til et parti som SV, som sier at nå er det viktig å satse på fornybart og satse på kollektivt. Jeg er enig i at vi har en handlingsregel som lar oljeinvesteringer og fly få lov til å få oljepenger utenfor den regelen, men med en gang en skal begynne å investere i jernbane, skal en begrenses av en handlingsregel. Derfor har Fremskrittspartiet fremmet forslag i Stortinget, der vi faktisk er inspirert av dagens finansministers ideer som han har skrevet kronikk om i Aftenposten den 12. februar 2008, der han mente at statlige selskap som Jernbaneverket og Statens vegvesen burde omorganiseres, gjøres om til statlig aksjeselskap og driftes på samme måte som Avinor. Da ville du få en mer framtidsrettet veiutbygging, en mer framtidsrettet jernbaneutbygging. jernbaneutbygging. Det er litt rart når regjeringen, i en debatt som dette, later som om en behandler alt likt, når en åpenbart behandler infrastrukturutbygging på helt ulikt vis, og der man lar oljepenger komme noen til gode, men ikke andre. Vi vil ha en debatt om hvem det skal komme til gode. Vi mener at vei og jernbane er minst like viktig som å bygge flyplasser og ikke minst som å drifte flyselskap. Derfor er denne debatten viktig. Når saksordføreren drar den opp,

Takk, president.
Hva som er aktiviteten i norsk økonomi, er sjølsagt en kombinasjon av hva det offentlige bruker, og hva de private bruker. Det er riktig at Fremskrittspartiet har framlagt forslag når det gjelder hva det offentlige skal bruke, som innebærer nettokutt i det offentliges utgifter, og det er to områder som Fremskrittspartiet først og fremst kutter på. Det er internasjonal solidaritet og produksjon av mat i Norge. Norge. Det er, som representanten Solvik-Olsen sa, for så vidt greit. Det er ulike politiske vurderinger av hvordan vi skal bruke fellesskapets penger. Fremskrittspartiet har ikke anlegg for det som har med solidaritet å gjøre – dette med internasjonalt engasjement, matvaresikkerhet og matproduksjon. Men det som var hovedpoenget i mitt innlegg, er det Men det som var hovedpoenget i mitt innlegg, er det som er utenfor statsbudsjettet, den aktiviteten som skjer i Norge, der staten ikke er den som betaler eller kjøper tjenestene. På det området ser vi i dag at som følge av to hoveddrivere, nemlig et svært lavt rentenivå nemlig et svært lavt rentenivå og en svært høy olje- og gasspris, fører det til aktivitet i privat sektor innenfor eiendomsutvikling og innenfor leverandørindustrien til olje og gass, som er så stort at det gir smerteproblemer ellers i samfunnet. Det er på det området Fremskrittspartiet er veldig tilbakelent. De ønsker å tilrettelegge for disse tingene og har ikke en en forståelse av at man her bør dempe det. Det som er den store utfordringen nå, er å bygge Norge på en langsiktig måte, å legge til rette for et allsidig, moderne næringsliv som baserer seg på at det er jamnbyrdighet mellom mennesker i Norge. Det er det som nå virkelig blir satt på en prøve. Når lønns- og kostnadsnivået i Norge på lønnssiden er på 155 pst. av hva som er

slik at vi altså kan sikre langsiktigheten i næringslivet og jamnbyrdigheten i arbeidslivet. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg er enig i mange av bekymringene som Lundteigen drar opp, men jeg forstår ikke hvorfor kritikken rettes mot når hans parti sitter i regjering og kan gjøre noe med dette. Vi er veldig glad for den oljemeldingen som regjeringen til slutt la fram, for den var i stor grad preget av den politikken Fremskrittspartiet hadde argumentert for i sju år, og heldigvis ikke preget av den politikken de rød-grønne hadde kranglet om i sju år. Men hvis Lundteigen er uenig i den oljepolitikken som i dag føres, bør han fremme forslag i Stortinget om å endre den – ikke legge skylden for de eventuelle negative sidene av den på Fremskrittspartiet, mens han selv gleder seg stort over de oljeinntektene man får og kan bruke i statsbudsjettet. Jeg er helt enig i at vi må gjøre noe for at norsk industri skal bedre sin konkurranseevne. Derfor har Fremskrittspartiet ønsket å bedre avskrivingsreglene. Derfor har vi ønsket å justere en del miljøregler, som gjør at industrien i dag flytter ut i stedet for å investere i Norge. Derfor har Fremskrittspartiet sagt at vi bør bruke litt mer av oljeformuen vår til å investere i infrastruktur, slik at den næringen som er i Norge, bedre kan konkurrere mot utlandet,

Jeg kommer fra Jæren. Jeg vet hvor viktig dette er. Men jeg tror altså ikke at landbruket skal være et sysselsettingsprosjekt for å ivareta gammeldagse strukturer. Dette handler om å få til en mer effektiv produksjon. Da må man legge om på subsidieordningene, da må man legge om på reguleringene, slik at landbruket kan opptre som en næringsvirksomhet og ikke som en vernet bedrift, som Lundteigen oppfatter det som. Dermed er debatten i sak nr. 6 avsluttet. avsluttet. Vi går tilbake til debatten i sak nr. 5. Presidenten forstår at Stortinget tidligere har vedtatt debattopplegget, og dermed kan vi gå direkte på det rette innlegg.

2011. Samlet gir meldingen et svært nyttig innblikk i stoda både i nasjonale og internasjonale finansmarkeder. Heldigvis viser også denne saken at det er relativt bred enighet blant de politiske partiene om mange av de viktige spørsmålene i det norske Komiteen har også en relativt god felles forståelse av at ettervirkningene av finanskrisen i 2008 og 2009 fremdeles preger de internasjonale finansmarkedene og – i enda større grad – den realøkonomiske utviklingen i mange land. Statsfinansene er sterkt svekket flere steder, millioner av mennesker er arbeidsledige. Det er stor usikkerhet om utviklingen framover. Situasjonen er skjør. Uroen som fortsatte i finansmarkedene i 2011, har også vært en sterk påminnelse om at også norsk økonomi er sårbar for det som skjer internasjonalt. Samtidig slår komiteen fast at den norske reguleringen av finansmarkedene er grunnleggende god og har vist seg å være robust gjennom den internasjonale finanskrisen. Norge har dratt nytte av lærdommene fra vår egen bankkrise for 20 år siden. Etter bankkrisen stilte vi som kjent større krav til bankene, forbedret finanslovgivningen, styrket tilsynet og moderniserte innskuddsgarantiordningen. Sammen med orden i statsfinansene bidro bl.a. lærdommene fra den gang til at norsk økonomi ble spart for mange av de verste utslagene av den internasjonale finanskrisen for et par år tilbake. Én ting er helt klart: Norge har klart seg langt bedre gjennom denne økonomiske krisen enn mange andre land. BNP har nå vokst i ni kvartaler på rad, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten er lav sammenlignet med mange land. Men selv om mye har vært gjort, er det fortsatt mye å gjøre på finansmarkedsfeltet. Én av grunnene til det er at vi har en finansnæring internasjonalt som opererer med begreper som «finansiell innovasjon» – mange vil kalle det kreativitet – noe som gjør at man stadig vekk presser grensene når det gjelder hva slags type produkter og hva slags type reguleringer som ikke fanger opp disse tingene før i etterkant. Derfor har det vært gjort en rekke ting her hjemme de siste årene. Vi har strammet inn regelverket for bonuser i finansbransjen. Det var upopulært blant mange, men det var riktig, fordi det i stor grad var et incitament til for høy risikotaking blant mange aktører som hadde lønnen sin direkte knyttet opp til hvor stor risiko man tok. Det har blitt strammet inn på regelverket for såkalte strukturerte spareprodukter. dag i praksis et forbud mot salg til privatpersoner. Riktignok tok dette altfor lang tid. De som skulle passe på dette, gjorde ikke jobben sin i stor nok grad, og mange saker befinner seg nå i rettsvesenet. Men nye regler er kommet på plass, og forhåpentligvis har vi ryddet opp i dette, slik at færre kommer i trøbbel senere. Det har blitt gjort grep for å styrke forbrukersiden i Finanstilsynet. Finanstilsynet. Videre har vi i morgen her i Stortinget til behandling et representantforslag vedrørende Finansklagenemnda, hvor et bredt flertall går inn for å se på om det er mulig å se om den også kan organiseres enda mer effektivt og bedre for forbrukerne enn i dag. Vi fortsetter altså å styrke regelverket rundt bransjen, og det er bra.

Det er bra. Det har vist seg før at det har vært veldig vellykket. I tillegg er det allerede en diskusjon om finansnæringen i Norge og internasjonalt i større grad bør bidra til fellesskapet gjennom økt skattlegging – i Norge er det f.eks. slik, som i mange andre land, at finansielle tjenester som selges via finansnæringen, i praksis er unntatt moms – og det støtter et flertall, inkludert Folkeparti, opp om. Men vi ser en mye mer avventende holdning fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Jeg synes det er litt overraskende. Jeg trodde vi i denne salen var enige om at det er viktig at alle næringer, uavhengig av hva de selger, bidrar i stor nok grad. Når vi nå har et system – kanskje om noen år – som kan bidra til å utjevne dette, mener jeg Norge også her bør benytte det handlingsrommet man har. Med dette

som har tillit blant folk, og som har tillit blant investorer. Det muliggjør å ha trygg sparing og effektive lånemuligheter. Det er igjen viktig for at mange folk kan realisere sine boligdrømmer, sine drømmer om egen bil, at næringslivet kan ha muligheter til å investere i næringsvirksomhet både lokalt og globalt, og for folk med penger i hånden er det mulig å spare for framtiden. Alt dette er viktig for at vi skal ha det best mulig. De siste årene har vi opplevd uro i finansmarkedene. Vi har hatt gjeldsboble, og vi har hatt boligboble. Det resulterte først i en finanskrise og nå i en gjeldskrise. Det er trolig fordi vi har opplevd en avstand mellom de pengeverdiene som har vært ute, og de reelle verdiene som har ligget til grunn. Man har altså trodd at ting var verdt mer i kroner og øre, eller dollar, pund – avhengig av hvilken valuta man vil bruke – enn det som markedet i dag faktisk er villig til å betale for det. Tilgang på billig kreditt har vært en av disse tingene, men det er også andre årsaker. Vi opplever nå en tøff periode, hvor denne enorme gjelden som har blitt opparbeidet, skal rebalanseres, sånn at de verdiene som ligger i bunn, korresponderer med de pengeverdiene som man er villig til å betale for. Det

har vært uansvarlige. Dette har skjedd på tvers av politiske skillelinjer og på tvers av geografi. Men denne konflikten vil vi oppleve at spiller seg videre mellom de ulike interesseaktørene i et samfunn som selvsagt ønsker å tape minst mulig og påføre andre det tapet istedenfor. Så får vi håpe at de krisepakkene som EU nå jobber med – senest i går når det gjaldt Spania, men tidligere for Hellas – blir så gode som mulig og får en tillit i markedet som gjør at ro

boligeiere. Ved å forskyve avdragsperioden og kun ha rentebetalinger har folk tatt opp mer lån enn det de reelt sett ville betjene når tiden for å betale avdrag oppsto. I noen land har en også mulighet til bare å gå fra all gjeld ved å gå fra det en eier – som i USA: Går en fra huset, slipper en å ta gjelden med seg. Det gjør at det er mer interessant å gamble i et marked

et marked som har kommet skjevt ut, et marked som bevisst eller ubevisst har misbrukt hull i regelverket, og som gjør at den politiske reguleringen må bli bedre enn den har vært. Alt i alt gjør dette at finansprodukter er blitt feilpriset. Det har vært en mangel på transparens. Det har medført at gode og dårlige lån er blitt blandet sammen, og folk har betalt for disse lånene som om alle var gode. gode. Dermed har en priset risiko feil. Det er en viktig oppgave for politiske myndigheter å bidra til at det ikke skjer. Vi må bidra til å sikre transparens i markedet, slik at folk tar beslutninger basert på et reelt grunnlag og ikke på et tåkelagt grunnlag. Et annet område feil, ser en nå i EU, der en har innført en felles valuta, som har gjort at politiske myndigheter i noen land har kunnet få låne til en langt lavere rente enn det de tidligere har fått. Spesielt i en del søreuropeiske land har en brukt pengepressen til å betale for tidligere lån. Dermed har en hatt en høy inflasjonsrate, men også høye renter. Fordi renten har vært så høy, har folk vært villige til å låne penger til disse landene, Fordi renten har vært så høy, har folk vært villige til å låne penger til disse landene, for det er realrenten til slutt som gjelder. Denne gamle oppskriften fungerer ikke når en er med i et eurosamarbeid, for da kan en ikke lenger trykke sine egne penger. Men en har hatt veldig god tilgang til billig kreditt på grunn av at en har hatt en EU-rentefot istedenfor individuelle nasjonsrenter. Dermed har mange av disse landene tatt opp store lån, men når de skal betale tilbake, har de ikke mulighet til å trykke penger og fjerne dem ved inflasjon. inflasjon. Dermed får man en global gjelds- og finanskrise – av ulike årsaker, men som likevel rammer oss alle. Den situasjonen vi nå opplever, understreker viktigheten av å ha en forutsigbar og god regulering av markedene. Det er viktig både for kundene og for bankene, og det er viktig at den reguleringen sikrer tilliten. Fremskrittspartiet vil advare mot å si at nå går ting så godt i Norge. i Norge. I forrige debatt vektla en at det er oljenæringen som er en av hovedgrunnene til at det går godt i Norge. Vi må unngå illusjonen om at nå går det så godt i Norge at vi kan begynne å stramme inn på enkeltnæringer og tro at det fortsatt vil gå dem vel. Vi må sikre at næringene i Norge har gode konkurransevilkår mot sine konkurrenter i utlandet. Vi må unngå at norske institusjoner behandles dårligere enn sine konkurrenter. Det er uheldig med de signalene som har kommet i denne om strengere regulering av norske banker sammenlignet med utenlandske banker, ikke minst fordi mange av de norske bankene konkurrerer direkte med sine skandinaviske venner i det norske markedet. Svenske og danske banker har ca. 30 pst. markedsandel, og det sier seg selv at hvis svenske og danske banker kan hente inn kapital billigere og enklere enn de norske, vil de kunne tilby lån til norske kunder i Norge billigere enn sine norske konkurrenter. konkurrenter. Det er ikke heldig. Vi må sørge for at risikovektingen og kapitaldekningskravene en har, må koordineres over landegrensene. Ved det som regjeringen nå legger opp til, frykter jeg at norske banker vil betale en høyere pris i markedet. Det gjør at marginene deres må krympes hvis de skal opprettholde og det gjør igjen at man på sikt vil få en dårligere konkurransesituasjon. På sikt lever bankene også av marginene som de har på sine lån – innlån og utlån – og da må ikke vi ødelegge for norske banker, slik at de mister de marginene de kunne hatt. La meg likevel understreke at bankene har et tungt ansvar for å opptre ansvarlig, både når det gjelder «normale» lån til bolig og bil, og når det gjelder salg av finansprodukter. Spesielt det siste har det vært en del problemstillinger rundt. Summen for bankene er at gode reguleringer og tilsyn er en del av helheten som de må leve med. Jeg argumenterer ikke for at vi skal slippe opp på det, men vi må sikre likeverdighet og like vilkår som konkurrentlandene. Det er viktig av konkurransehensyn, men reguleringen er som sagt også viktig fordi konsekvensene av en kollaps i banknæringen påvirker samfunnet for øvrig og kan påvirke skattebetalerne og statsbudsjettet. La meg likevel si at vi er skeptiske til måten Finanstilsynet har lagt om sin politikk på det siste året. De har i praksis gjort innstramninger i boliglånspolitikken.

når Husbanken kan stå på utsiden av Finanstilsynets domene og gi de lånene som private banker ikke kan. Fremskrittspartiet har ingen tro på at Husbanken er bedre egnet enn vanlige, private banker til å vurdere kredittevnen og betalingsevnen til den enkelte. Det vi trenger i denne saken, er en ny boligpolitikk, ikke en ny politikk fra Finanstilsynet. Vi må sørge for bedre tilgang til areal, bedre forskrifter som er mindre krevende, og en bedre Det er ikke Finanstilsynet som skal styre boligpolitikken i Norge, som det nå gjør. Det burde vært storting og regjering. Vi fra Fremskrittspartiet konstaterer – men på vegne av alle opposisjonspartiene, tror jeg – at til tross for mange bidrag fra Stortinget gjennom forslag, har dagens regjering ikke vært villig til å gjøre en eneste endring av relevans for å bedre boligmarkedet. Og det må være måte på hvor lenge en regjering skal kunne sitte, før den fremmer en Det som også er en konsekvens av det som Finanstilsynet har gjort, er at folk som har egenkapital, som kan gå inn i boligmarkedet, nå kan spekulere i å kjøpe boliger til utleie. De vet at leiemarkedet vil øke som følge av at unge folk i etableringsfasen ikke kommer inn i dette markedet. Dette forverrer faktisk situasjonen – gir den motsatte effekten. Bolighaiene har gode tider fordi leieprisene går opp og renten fortsatt er lav. lav. Det gjør at det egentlig blir enda dyrere for unge førstegangsetablerere, som blir tvunget til å sitte på utsiden. De får ikke spare i egen bolig med rekordbillig rente, men må ut i et leiemarked som, relativt sett, er rekorddyrt. Det vil spise av den egenkapitalen som de egentlig burde brukt til å betale ned på egen bolig. Så om kompliserte spareprodukter. Det går flere saker for retten, og vi skal ikke prosedere her. Folk bør ikke kjøpe produkter som de av den egenkapitalen som de egentlig burde brukt til å betale ned på egen bolig. Så om kompliserte spareprodukter. Det går flere saker for retten, og vi skal ikke prosedere her. Folk bør ikke kjøpe produkter som de ikke forstår. Det bør være en tommelfingerregel. Når folk kommer til en bank og blir tilbudt et produkt som de ikke helt skjønner noe av, bør ryggmargsrefleksen være at de sier nei takk. Samtidig vet vi at det har vært tilfeller der ivrige bankfolk har forledet folk til å tro at er. En ser at folk pantsetter både hus og bil for å kjøpe det produktet som virker for godt til å være sant. Og det er det som regel også. Derfor er det viktig at vi griper inn og griper fatt i de useriøse aktørene, som lurer folk til å kjøpe produkter og ta en risiko som er mye større enn det de selv er klar over. Det arbeidet som Kristelig Folkeparti i sitt representantforslag har tatt initiativ til – selv om Fremskrittspartiet ikke støtter alle forslagene – må fortsette, igjen fordi det er viktig å sikre tilliten i markedet. Til slutt: Det går veldig godt i Norge. Oljeindustrien har tredoblet sine investeringer i løpet av ti år. I innstillingen vektlegger en hvor viktig finanskrisepakken fra regjeringen, som Stortinget vedtok for noen år siden, var. Det ga en veldig «boost» i norsk økonomi, som alle synes er Men vi skal huske at bare i år bidrar oljeindustrien med seks finanskrisepakker inn i norsk økonomi, utover det de gjorde for ti år siden – seks finanskrisepakker. Det bør si litt om hvor mye vi burde takke oljenæringen for, men også om hvilke bekymringer vi bør ha hvis oljeprisen går ned og oljeinvesteringene stopper opp – hvilke konsekvenser det vil få for norsk økonomi. Da tror jeg vi vil se at mye av det som har skjedd i Norge de siste årene, ikke handler om rød-grønn politikk, men om oljepris. Regjeringen burde vært litt mer jordnær og realitetsorientert med hensyn til å se hva som er de faktiske årsakene til dagens situasjon, istedenfor å gjøre dette til politikk. Det som gjør meg spesielt bekymret, er at vi ser at statens formue i utlandet stadig øker, mens gjeldsgraden til kommunene og de private husholdningene i Norge øker tilsvarende. Det vil være et stadig større gjeldstrykk. Det betyr at hvis rentene begynner å gå opp, samtidig som oljeprisen går ned, vil det være vanskeligere for folk å betjene denne gjelden. Kommunene vil få problemer. Da får vi plutselig en helt annen situasjon. Da må vi være flinkere til å stimulere næringslivet og annen økonomisk aktivitet i Norge – ikke si at Norge hele tiden skal gå foran fordi vi har råd til det, og fordi vi har strammere reguleringer, strammere lovverk, enn det våre konkurrenter har. Alt i alt: Mye er bra, la meg til slutt understreke det. Derfor håper jeg at vi får et godt samarbeid videre om hvordan en best mulig kan regulere banknæringen. Det er vel uomtvistelig spennende tider å diskutere

valg som kan føre litt galt av sted – hvis man ikke foretar de riktige valgene. Dette vil jeg komme litt tilbake til senere. Jeg har lyst til å kommentere litt det som i og for seg også forrige taler var inne på, dette med boliger. Det er veldig enkelt å si at det norske boligmarkedet sannsynligvis kommer til å smelle en dag. Den er nok neppe bærekraftig over lang tid. Samtidig er det – som sentralbanksjefen også sa i høringen – uhyre lite i dag som tyder på at boligmarkedet kommer til å gå ned. Vi har lavt rentenivå, høy sysselsetting og god vekst i økonomien – alt drar i retning av at det går oppover. Som jeg har sagt i en tidligere sak: Gjennom det kravet vi har til egenkapital, og som Finanstilsynet har innført, 15 pst., er vi faktisk på tur til å sette en hel gruppe utenfor boligmarkedet. Vi er overhodet ikke skeptisk til egenkapital – det bør det absolutt være – men spørsmålet er: Er det bankenes eget ansvar, eller er det myndighetenes ansvar å styre dette? Det at myndighetene overtar ansvaret for å sette regler, behøver ikke nødvendigvis stimulere til ansvarlighet ute i systemet.

et statsobligasjonsmarked av en viss størrelse, gir livselskapene i Norge en helt særegen utfordring. Her noterer vi oss at finansmarkedsmeldingen er blottet for nye tiltak. Jeg vil oppfordre finansministeren til å ta opp igjen Banklovkommisjonen og det arbeidet den gjorde, og følge opp en del av de tiltakene de foreslo, kanskje spesielt på fripoliser. Så til norske reguleringer av bankene. Vi må faktisk erkjenne at siden begynnelsen av 1990-tallet har det norske reguleringsregimet fungert ganske bra. Det har vi gjentatte ganger sagt i debatter. Vi har notert oss at finansministeren gjentatte ganger har sagt at det skal være en nordisk harmonisering av et nytt regelverk, og vi mener det er helt sentralt at vi ikke påfører norske banker noen særreguleringer som vil føre til at banker fra markeder som er dårligere regulert enn det norske, kanskje begynner å overta det norske markedet. Men vi ser også i innstillingen at det stadig vekk foreslås særtiltak, og vi vil legge vekt på at det blir en harmonisering av regler, reguleringer og tilsynspraksis i Norden. Norden. Dette bør det være et særlig ansvar for finansministeren å følge opp. Vi vil bemerke at regjeringen gjennom både finansmarkedsmeldingen, det internasjonale arbeidet man gjør, og de nasjonale forslagene man har ute på høring, har en lang rekke forslag som er egnet til å sikre finansiell stabilitet. Der deler vi regjeringens mål om å sikre et sterkt, robust og trygt bankmarked – selvfølgelig gjør man det. Men samtidig er det et spørsmål om i hvilken grad man kan ha særtiltak, og om man har drøftet konsekvensene av slike særtiltak som man legger opp til. Høyre mener det er viktig at bankene skal bygge soliditet for å imøtekomme strengere kapitalkrav og bli mer solide og har støttet regjeringens anmodninger om bl.a. redusert utbytte for å bidra til økt egenkapital. Men når regjeringen i tillegg varsler økte innbetalinger til Bankenes sikringsfond, vurderer å innføre økte skatter og avgifter på overskudd og lønn, vurderer å beskatte merverdier skapt i finanssektoren og innføre motsykliske kapitalbuffere, i tillegg til redusert utbytte og særnorske kapitaldekningskrav, er Høyre opptatt av å be regjeringen om også å sikre at det er balanse mellom kravene og bankenes mulighet til å finansiere norsk næringsliv. Det vi ikke kommer utenom, er at finansinstitusjonene også er livsnerven i samfunnet. Vi vil leve med oppturer og nedturer i samfunnet, og reguleringene er hele tiden en balansegang mellom det å skape sikkerhet for utvikling og evnen til å finansiere framtidig økonomisk vekst. Det er en vanskelig balansegang, det skal alle erkjenne, og det ser man til de grader nedover i Europa. Litt til hva som skjer internasjonalt: Man kan på mange måter se antydninger til at det som skjer ute i Europa nå, er at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Jeg tror alle ønsker et sikkert finansieringssystem, men det vi samtidig nå ser, er at det har vært en voldsom konsentrasjon. Det har vært en driv mot større enheter i systemet, og plutselig har du institusjoner som er så store at de faller inn under begrepet «too big to fail», altså de vil rive med seg hele samfunnet hvis de begynner å gå Det er en kjempeutfordring som jeg i hvert fall ikke har sett noen helt klare løsninger på, og jeg ser heller ingen «quick fix» her. Derfor sa jeg innledningsvis at jeg tror dette er en debatt vi kommer til å ha i mange år. Men det som forundrer meg, er at man ute i Europa nå fokuserer mer på at bankene ikke må gå over ende, enn på å beholde konkurransen i finanssektoren. Det er ingen tvil om at mange av problemene vi har nå, er drevet gjennom av at vi har fått institusjoner som er så store og så dominante at samfunnssystemet ikke tåler at de går over ende. Paradokset er at den dagen institusjonen er blitt så stor, oppfattes den å ha statlig garanti ute i lånemarkedet, og får vesentlig billigere finansiering enn f.eks. den lille sparebanken som eksisterer oppe i et eller annet dalføre i Norge, som det jo overhodet ikke er noe problem om går over ende eller ikke. Det er selvfølgelig et problem lokalt, men det er ikke systemkritisk om en slik liten sparebank går over ende. Her tror jeg faktisk den langsiktige løsningen er å fokusere på den tendensen som hele markedet har til å drive fram så store enheter at samfunnet risikerer å gå over ende sammen med dem. Da har vi et kjempeproblem. Høyres finansfraksjon var en tur i London og så på konsentrasjonen der. De fire–fem største institusjonene i England har nå en forvaltningskapital som tilsvarer 80 pst. av markedet, og de har en forvaltningskapital som tilsvarer fire ganger BNP. Da sier det seg selv at her har man en særdeles stor utfordring som vi ikke skal regulere nasjonalt, men som vi bør gå inn i et tett internasjonalt samarbeid om å finne gode løsninger på. For som sagt: Finansnæringen er også livsnerven i samfunnet, og uten et velfungerende finanssystem vil vi svekke samfunnets evne til vekst og utvikling. Det har vi i hvert fall ikke råd til i dagens situasjon.
Neste taler er Ketil

22 pst. ledighet blant ungdom. Dette er prisen EU må betale for gjennomføringen av den monetære union, med en felles valuta som aldri har vært bærekraftig. Den monetære unionen har både vært forutsetningen for krisen vi ser i dag, og gjort krisen langt vanskeligere å håndtere for medlemslandene. Europa har nå både en finanskrise, en eurokrise og en sosial krise. Konsekvensene er at de som har minst, må betale mest og kutt i velferden vi aldri før har sett i Europa. Vi vet ikke utgangen på det som nå skjer. Men for Norges del merker vi knapt noe til krisen. Vi har solid økonomisk vekst, lav rente og lav arbeidsledighet. Situasjonen i Norge skyldes dels at oljesektoren bidrar til at landet har en solid økonomi og sterke statsfinanser, men også at regjeringen over tid har ført en fast økonomisk politikk med basis i den nordiske velferdsmodellen, mindre forskjeller, omfordeling, økonomisk vekst og utvikling. I Norge ble finanskrisen møtt med økonomisk vekst og en aktiv politikk for å holde etterspørselen oppe, i motsetning til den kuttstrategien vi nå ser i eurolandene. Det er to forhold ved situasjonen i Norge som jeg vil kommentere. Det ene er vår ensidige avhengighet av oljen. Oljesektoren bidrar positivt ved at den har gitt oss et svært godt økonomisk fundament og den holder arbeidsledigheten nede, og bidrar negativt ved at den er en stor kostnadsdriver i økonomien. Den bidrar til en todelt økonomi. Det er SVs mening at for å unngå at denne todelingen ytterligere skal forsterkes og at presset mot konkurranseutsatt sektor skal bli enda større, må det tas grep for å dempe farten i oljesektoren. og investeringstakten må dempes over tid. Det kan skje ved fordeling av lisenser og i forbindelse med å ta grep i skattesystemet. Det samme gjelder for finanssektoren, som bl.a. er skjermet for moms på tjenester, og som også er en driver til det økonomiske presset. Det er også en sektor som må underlegges de samme rammevilkår som det øvrige næringsliv. Den andre betydelige utfordringen er situasjonen på boligmarkedet. Husholdningenes gjeld er større enn noen gang, og det er knyttet til boliglån. Prisnivået på boliger i sentrale strøk er høyere enn noen gang. Spørsmålet er om vi nærmer oss et krakk i boligsektoren med et sterkt fall i boligprisene. Derfor er det rett at det tas grep for å forebygge situasjonen.

den sterke prisveksten, det må bygges flere boliger og flere uleieboliger ikke minst. Samtidig må tilbudet med startlån, etableringslån, forbedres og utvides. Vi må få på plass ordninger som gjør det lettere å gå fra å leie til å eie. De tiltak som regjeringen for øvrig vil sette inn for å forebygge krisen ved å øke kravene til bankenes egenkapital, styrke Bankenes sikringsfond, er helt riktige. Det er lettere å forebygge en krisesituasjon enn å reparere når krisen har oppstått. Vi er i en situasjon hvor vi har muligheten til å forebygge, og den muligheten må vi bruke. Som flere har vært inne på, er finansmarkedet avgjørende viktig i hverdagslivet for å få et samfunn til å fungere. Den situasjonen vi nå er inne i internasjonalt, er en økonomisk mote som utviklet seg på slutten av 1980-tallet og den internasjonale institusjonen som skulle medvirke til stabilitet, nemlig aksjeselskapet IMF – for det er det det er. Det er et aksjeselskap og ikke en institusjon på linje med FN. Det aksjeselskapet, IMF, går nå i en annen retning. Det er, som jeg har sagt tidligere, gledelig at de nå går inn for at en bl.a. skal kunne bruke kapitalkontroll, altså vekk fra fri flyt til en mer regulert flyt av kapital. Det er gledelig at en nå er inne i en økonomisk politisk mote hvor det er en mer konservativ risikovurdering og økte kapitaldekningskrav. Det er Det er å håpe etter hvert at også realøkonomiske vurderinger kommer enda sterkere fram til fortrengsel for den finansøkonomien som vi har vært inne i, og er inne i, hvor det er en manglende kontakt mellom realøkonomi og finansøkonomi. Som Fremskrittspartiet sa det, står vi nå overfor at en må ta tap. Hvem skal ta tap, og når skal en ta tap? Fremskrittspartiet kalte det

dette. Det er et svært sentralt spørsmål som vi står overfor framover. Det er imidlertid en samlet komité som ønsker at en skal benytte det handlingsrommet de internasjonale reglene tillater, slik at det norske regelverket i størst mulig grad bidrar til solide finansinstitusjoner i Norge, men Høyre og Fremskrittspartiet hopper av når det gjelder at det er en fordel at økte krav til kapitaldekning i banker kan og at en derfor støtter opp om at de nye kapitalkravene bør vurderes innført tidligere i Norge enn i andre land. Dermed vil reservekapitalen bli en buffer i trangere tider. Norge er i dag en trygg havn. Dermed kan vi gå litt lenger enn andre. Det er et konkurransefortrinn. Det er også interessant å merke seg at Høyre er alene i en avvente de internasjonale prosessene før de konkluderer om og i hvilken grad det bør settes særskilte krav til nasjonalt systemviktige finansinstitusjoner. Jeg vil anbefale Høyres gruppe ikke bare å reise til London, men også til Bank for International Settlements i Sveits og få de erfaringene som de har gjort i dette alvorlige spørsmålet. Jeg synes det er ganske sterkt at Høyre til de grader er på dette punktet, som det er internasjonal anerkjennelse av at vi er nødt til å se på på en annen måte. Ellers er det en samlet komité, og det er gledelig, som viser til de små sparebankenes rolle. De små sparebankene har en nøkkelrolle i en rekke lokalsamfunn. Det er derfor veldig gledelig at en samlet komité poengterer viktigheten av at vi av at vi får rammevilkår som ikke systematisk tilgodeser de store forretnings- og sparebankene framfor de mindre sparebankene. Det er et arbeid som en må ha med seg i all regelverksutforming, fordi det blir lett at det fører til krav som går i de mindres disfavør. Det er også viktig å få fortgang i Statistisk sentralbyrås arbeid for å utvikle statistikk om de betydelige gaveutdelinger som skjer fra sparebankene, slik at en kan få fram den store samfunnsnytten som selskapsformen sparebank innebærer. Derfor: Det er viktige spørsmål som tas opp. Det er positivt at regjeringa ønsker å gå inn på gjeldsregister, og det er positivt at vi har fått et krav om 15 pst. egenkapital ved boligkjøp. Det må sjølsagt følges opp med tilknyttede virkemidler for å korrigere markedet, slik at vi får en helhet i det. Men det er veldig gledelig at regjeringa har støttet opp under det som Finanstilsynet gjør på det området. Det skaper soliditet, og det er soliditet vi trenger mer av. Det er

kan hele økonomien lide stor skade. Å legge til rette for finansiell stabilitet er derfor en viktig oppgave for styresmaktene. Det er tørt, men det er sant. Vi har stått oss på i Norge å ha forutseende fagpersoner og politikere som har sørget for at vi – etter en finansiell krise på slutten av som gikk hardt ut over bankene – har hatt et, for å si det med Lundteigen, mer konservativt syn på dette, noe som har hjulpet oss i de krisene vi har hatt i ettertid. For Kristelig Folkeparti har vi imøtesett denne meldingen nettopp fordi vi tidligere har fremmet et eget Dokument

overfor bankene, gitt situasjonen i norsk økonomi. Vi merker oss at man omtaler mulighetene for en såkalt aktivitetsskatt for finansnæringen. Det arbeides jo internasjonalt på flere områder for dette, og det har vår tilslutning. Jeg må jo si når man ser bakgrunnen for først finanskrisen, så den først finanskrisen, så den realøkonomiske krisen og nå den mer statsfinansielle krisen vi har, burde det legges mer arbeid i dette også internasjonalt – det er det ikke noen tvil om. En kan bruke Irland som eksempel for å se hva som skjer når man får en vekst i finansnæringen som ikke har fundament i realøkonomien. Det er et godt eksempel, og Island er vel et annet eksempel. Så det er vi glad for. Hvis finansministeren har noen nye opplysninger om hvordan arbeidet internasjonalt går når det gjelder dette, imøteser vi det. La meg også rose finansministeren for det arbeidet som gjøres for å sørge for at man kan sikre norske sparepenger i et beløp som er mer enn det enkelte EU-land synes er rimelig. Jeg håper at det skal lykkes, at den garantiordningen vi har, stå seg også i fremtiden. Så har flere talere vært inne på de kompliserte spareproduktene. Vi får jo en egen debatt om det i morgen. Men la meg si at jeg synes ikke Finanstilsynet her har gjort jobben sin til nå. Men nå er jeg klar over at det i et høringsforslag legges opp til Men etter min mening var det for lite forbrukersyn i Finanstilsynet knyttet til det som for mange har blitt skjebner, skjebner som man selvfølgelig har et ansvar for selv, men som i altfor stor grad også skyldes en aggressivitet og et profittjag blant finansinstitusjoner som jeg faktisk ikke trodde hadde vært mulig, Når det gjelder sparebankene, er det greit at vi skal se på hva som ligger i allmennyttige formål, og hva som skal gå ut som gaver fra sparebankene til det omkringliggende samfunns- og organisasjonsliv. Jeg vil bare advare mot at man nå gjør dette til et byråkratisk spørsmål, og at man skal finne problemer istedenfor å se hvor godt dette virker i mange lokalsamfunn, og som i sin tur er med på å styrke sparebankenes renommé i lokalsamfunnet. Vi som er

og hvilke konsekvenser de måtte ha for Norge. Vi er i en enestående situasjon, der vi ikke trenger å bruke tid på krise- og redningspakker for å få markeder og økonomi på rett kjøl. Det har vi alle en viktig del av æren for, og det ligger et stort ansvar på hver enkelt av oss til å forvalte den oppgaven vi har påtatt oss på vegne av det norske folk, på samme på samme gode måte i årene fremover. Det er allikevel to utfordringer som må adresseres i dag: For det første: Hvordan skal den vestlige verden, spesielt Europa, klare å få kontroll over de store budsjettunderskuddene og den galopperende offentlige gjeldsveksten, uten å ødelegge mulighetene til en ny økonomisk oppgang? Utviklingen i Hellas, Portugal og Spania er spesielt urovekkende, og en forsterket krise her får fort ringvirkninger i andre land, Norge inkludert, som flere har vært inne på. Hva som skjer om eurosamarbeidet skulle kollapse, vet de færreste av oss, annet enn at det vil få konsekvenser også for oss, men i en langt mindre målestokk enn for dem som blir direkte involvert. Derfor mener jeg og Venstre at det er viktig at Norge på alle tenkelige måter bidrar til å opprettholde en form for økonomisk stabilitet

penge- og kredittmarkedet? Det er viktig med en penge- og kredittpolitikk som regulerer bankenes utlånsvirksomhet, og som sikrer at folk flest har råd til å betjene de lån som innvilges. Dette bør etter Venstres syn reguleres gjennom økte risikoavveide krav til egenkapitaldekning samt strengere krav til likviditetsreserver i bankene, og ikke gjennom bankenes utlånsvirksomhet til f.eks. bolig. Representanten Syversen påpekte det i en tidligere debatt i dag, Fremskrittspartiet var inne på det i denne debatten, og Venstre er – som dem – svært skeptisk til Finanstilsynets krav om 15 pst. egenkapital ved boligkjøp. Dette er direkte usosialt og er helt motsatt av den politikk regjeringen og regjeringspartiene ellers målbærer når det gjelder fordelingshensyn. Det blir noe spesielt å argumentere mot å forbedre BSU-ordningen av fordelingshensyn, når innføringen av egenkapital rammer mange ganger mer urettferdig. Jeg er litt undrende til representanten Lundteigens veldige forsvar av disse kravene.

det er av stor betydning for både norsk økonomi og mange lokalsamfunn at det desentraliserte mangfoldet som sparebankene representerer, sikres i fremtiden. Derfor vil Venstre slå ring rundt sparebankenes institusjonelle status som selvstendige finansinstitusjoner og passe på at alle finanspolitiske reguleringer og tiltak i størst mulig grad likebehandler små og store aktører, og medvirke til at Konkurransetilsynets rolle i finansmarkedet kan intensiveres og styrkes.

Det var banker som holdt i kredittlinjen til det norske bankvesenet, og mange av dem var usikre på om de i lys av den bankkrisen som var under oppseiling i Norge, skulle fortsette å holde tak i de kredittlinjene. Vi brukte det møtet til å gå så langt vi kunne uten å stille statsgaranti, men prøvde så godt vi kunne å overbevise om at vi kunne håndtere den situasjonen som var under oppseiling i Norge, og som hadde eksplodert litt tidligere på høsten gjennom situasjonen i Kredittkassen. Vi lyktes med det, det var ingen av de bankene – så vidt jeg kjenner til – som trakk kredittlinjene sine. Når vi begynner der, er det fordi det er en opplevelse som har satt seg fast i meg, og som gjør at spørsmålet om finansiell stabilitet, spørsmålet om er noe av det viktigste finansministeren steller med, og noe av det viktigste finansministeren skal være opptatt av. Det er geografisk lang vei mellom det norske Stortinget og Cortes Generales i Madrid, det spanske parlamentet, men det er kanskje en mye lengre avstand i økonomisk virkelighet. virkelighet. Situasjonen i Europa forteller oss hvor utrolig viktig det er at en har stort søkelys på å ha en solid og sterk finansnæring. I etterkant av bankkrisen tidlig på 1990-tallet, rustet vi opp tilsynet, vi rustet opp regelverket, vi var opptatt av – og er opptatt av – at vi skulle ha solide og sterke norske banker. banker. Virkeligheten er at vi gjennomgående har solide og sterke banker i Norge og et godt finanssystem. Det er viktig også i en internasjonal sammenheng at det er slik, og at det skal være slik. Så er jeg enig i det som blir sagt i debatten, at en selvsagt skal skjele til den internasjonale konkurransesituasjonen mellom banker og basert på den erfaringen jeg fikk på 1990-tallet, er solide finansinstitusjoner også et konkurransefortrinn. Det er viktig at en i gode tider, slik vi har i Norge nå, bruker og benytter den anledningen til å bygge opp førstelinjeforsvaret i bankene. Noe av det viktigste framover er å styrke de naturlige forsvarslinjer som bankvesenet og finansinstitusjonene har. Det ene er kapitalen i det andre er de reserver som de enkelte banker skal ha – førstelinjeforsvaret, det som skal stå imot dersom det skjer en utvikling som gjør at dette forsvarsverket må tre inn. Det andre forsvarsverket som det er viktig å bygge opp under og styrke, er Bankenes sikringsfond. Det er noe av bakgrunnen for at en nå har sendt på høring et forslag om å oppheve taket, slik at en får en fast innbetaling til det felles sikringsfondet for bankene. Det er bankenes felles forsvarsverk, den andre forsvarslinjen. Så blir det viktig som et slags tredje bolverk mot framtidige kriser, hva vi som politikere gjør, og hva vi som bankfolk gjør, som bankfolk gjør, gjennom utøvelse av bankverket for å forebygge at vi kommer opp i en situasjon som vi opplevde i Norge tidlig på 1990-tallet, og som Europa i stort monn opplever i dag. Jeg kan forsikre om at situasjonen i Europa, etter spørsmål fra representanten Gundersen, er fast punkt på dagsordenen i når vi er samlet i departementet. Så vil det også være slik at jeg deler den oppfatningen om at det er krevende utfordringer innenfor forsikringsbransjen, særlig på bakgrunn av det lave rentenivået vi har, og kravet om garantert avkastning på ulike produkter. Det er en virkelighet som vi har stor oppmerksomhet rettet mot, og her vil forslagene komme i tur og orden, ikke bare på bakgrunn av det som vi nå utreder i Finansdepartementet, men også nye forslag som i nær framtid vil komme fra Banklovkommisjonen. Så ja, vi er opptatt av å ta lærdom av det vi har opplevd i tidligere tider, det vi har opplevd i tidligere tider, og vi er opptatt av å ta det med oss framover, slik at vi unngår å komme i en ny situasjon der vi må inn med tunge midler for å redde finansnæringen. Det blir replikkordskifte. Mitt spørsmål knytter seg til nordisk harmonisering. Det er

beregningsmetoder for kapitalkrav og eventuelle nye krav og eventuell økt beskatning av bl.a. banker. Mitt spørsmål er: Fastholder finansministeren det han har sagt i Stortinget ved en rekke anledninger, nemlig at her må det være en nordisk harmonisering, eller er det slik at man nå vurderer å i Norge? Jeg registrerer at stadig flere rød-grønne politikere, særlig i SV, ivrer etter høyere beskatning – ikke, tror jeg, av hensyn til bankene, men etter ønske om å øke skattene. Det er to forhold som blir tatt opp her. Det ene er forhold som blir tatt opp her. Det ene er forholdet til eventuell beskatning av området – det er jo en beskatning der i dag – men en tilleggsbeskatning, for å bruke det uttrykket. Det er en internasjonal trend der en diskuterer ulike varianter. For litt siden vedtok f.eks. Europaparlamentet med stort flertall en eller annen Norge følger med i den debatten, og vi vurderer dette løpende. Vi vil komme tilbake til det når vi bl.a. ser hen til den internasjonale utviklingen – det er punkt én. Punkt to: Når det gjelder forholdet til kapitalkrav, slik som det er i EUs kapitaldirektiv, Basel III-reglene, er det, som det ble sagt her, en nordisk arbeidsgruppe som ser på det. Resultatet fra den gruppen vil bli lagt fram på finansministermøtet vi skal ha i Oslo den 2. juli. Mitt spørsmål var om finansministeren fastholder at det skal være nordisk harmonisering. Jeg mener det er et veldig sentralt spørsmål. Gjennom finansmarkedsmeldingen drøftes både ulike krav, ulike reguleringer og ulike skatter på finansnæringen. Høyre går fordomsfritt inn i den debatten fordi vi ønsker et solid bankvesen, men vi er svært opptatt av at disse spørsmålene må ses i sammenheng. Jeg registrerer, som jeg var inne på, at flere rød-grønne politikere tar til orde for høyere beskatning av bankene. Mitt spørsmål er: Fastholder finansministeren at det skal være nordisk harmonisering for å sikre både konkurransedyktighet og soliditet?

hvorvidt en skal gå raskere fram, det dreier seg om overgangsregler, og det dreier seg om mest mulig felles beregningsmetoder for risiko. Det arbeidet er godt i gang, og det vil som sagt bli lagt fram den 2. juli. Så vil det alltid være slik at en må holde åpent for at en kan ha nasjonale tilpasninger, basert på to forhold. Det ene er forholdet til det en kaller systemviktige banker eller finansinstitusjoner i eget land, og det andre er om det er særlige risikoforhold som gjør at en i et enkeltland, det være seg Norge, Sverige, Finland eller et annet nordisk land, bør ha spesielle forholdsregler som tar høyde for det. Men ja, en mest mulig samordnet tilnærming er en viktig del av den jobben som nå gjøres.

om andre land vil gjøre dette. Hvordan mener finansministeren at en slik skatt eventuelt bør innrettes, slik at den virker etter sin hensikt? Det har jo vært litt forskjellige navn på dette – transaksjonsavgift, transaksjonsskatt. Tobin-skatt er et annet uttrykk som har blitt brukt. Vi har fra norsk side støttet det prinsippet. Vi støtter bl.a. det utspillet som kom fra tidligere president Sarkozy i Frankrike, men har sagt at det er viktig at en slik avgift/skatt innføres i en bred internasjonal sammenheng. Grunnen til det er at det å innføre en slik skatt på ensidig grunnlag vil føre til at en flytter banktjenester eller finansielle tjenester til områder der innføring i en bred internasjonal sammenheng er viktig. Så vil det oppstå ytterligere et spørsmål som antageligvis vil bli minst like komplisert: Hva skal pengene brukes til? Skal de brukes til innenlandske formål, eller skal de f.eks. brukes til å finansiere viktige internasjonale initiativ som f.eks. å ta tak i klimautfordringer? Ja, Norge har støttet det forslaget som kom fra Frankrike, men i en bred internasjonal sammenheng.
Neste taler er Ketil

vil gi at like aktører i det norske markedet vil ha ulike rammebetingelser, avhengig av om de er en svensk bank, en dansk bank eller en norsk bank. Så det regjeringen selv vektlegger i konkurransesituasjonen gjennom en Tobin-skatt, ser en vekk fra med en gang man går i det norske bankmarkedet. Burde en ikke utfordre den logikken som finansministeren har når det gjelder Tobin-skatten, og som jeg er helt enig i, og legge større vekt på det når en ser på reguleringer av det norske bankmarkedet, der også utenlandske aktører deltar og

til de internasjonale krav som nå er kommet om økte kapitalkrav og nye ordninger i forhold til det å regulere finansmarkedet. Det er forholdet til EUs kapitaldirektiv som nå diskuteres i EU, det er forholdet til Basel III-regelverket, det er forholdet til tempo på overgangsordninger, og det er forholdet til vekting på risiko, slik at den blir vektet på en mest mulig lik måte. Grunnen til at vi gjør det, er at det er et betydelig felles nordisk bankmarked, og det er for å sørge for at man har mest mulig like konkurranseforhold mellom aktørene i det nordiske bankmarkedet. Så her gjør vi faktisk den jobben som vi har sagt vi skal gjøre, og som representanten Solvik-Olsen er opptatt av. Regjeringspartner, SVs Geir-Ketil Hansen, sa i sitt innlegg at det må være lettere å eie enn å leie. Det er Regjeringspartner, SVs Geir-Ketil Hansen, sa i sitt innlegg at det må være lettere å eie enn å leie. Det er Venstre veldig enig i. Flere har vært bekymret for Finanstilsynets krav på 15 pst. Samtidig er det nå slik at mens det bare er 20 pst. fradrag på sparebeløp i BSU-ordningen, er det 28 pst. fradrag i rentekostnader knyttet til forbrukslån. Er dette noe finansministeren vil rydde opp i?

vi nå ser i boligmarkedet, er den store ubalansen mellom etterspørselen etter bolig og produksjonen av boliger. Der kan staten og regjeringen og politikere sentralt spille en viktig rolle, men der kan ikke minst lokale politikere gjennom tilrettelegging av boligutbygging m.m. også spille en vesentlig rolle. Så i løpet av høsten får Stortinget også en mulighet til en bred tilnærming til den situasjonen vi nå ser i boligmarkedet, som også regjeringen er glødende opptatt av, for å si det slik. Replikkordskiftet er dermed avsluttet. Et godt forbrukervern er før finanskrisen i 2008 var oppmerksomheten rundt forbrukervernet for dårlig, og mange mennesker ble skadelidende ved at de investerte f.eks. i sammensatte spareprodukter for lånte penger. Det må ikke gjenta seg, og det er derfor helt avgjørende at Finanstilsynet har en helt klar oppgave i forhold til å føre tilsyn, slik at den vanlige forbruker ikke blir lurt opp i stry og sitter igjen med store tap etter kontakt med useriøse aktører i finansmarkedet. Etter finanskrisen er mange finansielle produkter ikke lenger i salg, og det er tydeliggjort overfor Finanstilsynet hvor vesentlig forbrukervern er. Statsråden har også nylig sendt ut på høring et forslag om å presisere uttrykkelig i finanstilsynsloven at Finanstilsynet skal se til at institusjoner under tilsyn hensyntar forbrukernes interesser og rettigheter. En slik presisering i lovteksten av Finanstilsynets forbrukeransvar kan tydeliggjøre at det å ivareta forbrukerinteresser fortsatt er, og skal være, en svært viktig del av Finanstilsynets rolle. Dette synes jeg er svært positivt. I morgen skal vi debattere et representantforslag fra Kristelig Folkeparti, der vi også vil komme innom det samme temaet, men jeg vil understreke viktigheten av dette området ved også å ta det opp i dag. Vi har behov for et velfungerende finansmarked i landet vårt. For at vi skal kunne ha det, må tilliten mellom finansinstitusjonene og kundene være god. Det er vesentlig at kundene vet hvem de har med å gjøre når de henvender seg til en bank, eller selv får en henvendelse. Det er derfor positivt at det nå foreslås at finansinstitusjoner i sin markedsføring ikke kan benytte navn eller nevnelser som dekker over hvilken institusjon som vil stå for kundeforholdet. I tiden før finanskrisen i 2008 var også det et problem. Et velfungerende Finanstilsyn er viktig. Vi har et godt fungerende tilsyn i utgangspunktet, som vi kan gjøre enda bedre ved ytterligere å styrke forbrukervernet og dermed tilliten til finansinstitusjonene våre. Det er vesentlig at vi har et velfungerende bankvesen i landet vårt. Ikke minst er det viktig at vi opplever at bankene tar et samfunnsansvar. mange lokalsamfunn rundt omkring i landet vårt er sparebankene en vesentlig bidragsyter til utviklingen av lokalsamfunnet gjennom god og effektiv bankvirksomhet og gjennom at deler av overskuddet går til gaver i form av tilskudd til mange lag, foreninger og enkeltmennesker, som gjennom pengegavene kan bidra til mer demokratiutvikling og verdiskaping i små og store lokalsamfunn. Det er sparebankenes eierform – historisk sett er de selveiende – som gjør at disse bankene kan dele av sitt overskudd til allmennyttige formål og ikke til aksjonærer, slik som i forretningsbankene. Dette er positivt for lokalsamfunnene. Omfanget og størrelsen på beløpet som går til denne type formål, har økt de siste årene. Gjeldende lovverk og Finanstilsynets praktisering av dette legger til grunn at begrepet «allmennyttige formål» skal tolkes relativt vidt. Sparebankforeningen har imidlertid uttrykt uro for at det blir en smalere tolkning av begrepet «allmennyttige formål» når det nå varsles at det i den kommende lovproposisjonen om finansforetakslov vil komme en konkret utredning om finansforetakslov vil komme en konkret utredning av hva som ligger i begrepet «allmennyttige formål». Jeg har tillit til at statsråden har god dialog med sparebankene omkring dette i tiden som kommer, da denne måten å dele overskuddet med eget lokalsamfunn på er en viktig bidragsyter til utvikling av det demokratiet vi er så stolte av. Jeg er også fornøyd med at flere har uttrykt omsorg for sparebankene

pst. Kontrasten til situasjonen her heime er enorm. Sysselsetjinga i landet er den høgste nokosinne, arbeidsløysa er rekordlåg både i internasjonalt og historisk perspektiv, og sjukefråveret søkk. Det er skapt over 300 000 nye jobbar fordelte på heile landet sidan 2005, to av tre i privat sektor. usårbare. Det viktigaste vernet me kan ha, er å ha orden i økonomien, slik at me ikkje set rente og kronekurs i spel. I tillegg er det viktig at me har trygge og solide bankar. Eit spørsmål som er omtalt i meldinga og nemnt i komiteens merknader, er status i arbeidet med Solvens II og dei utfordringane dei nye reglane medfører for norske Den endelege utforminga av reglane er enno usikker, men reglane vil truleg innebera at livsforsikringsselskapa må auka bufferkapitalen for å imøtekoma dei nye krava. Blant anna skal verdien av forsikringsforpliktingane vurderast ut frå marknadsrente i staden for ei fast berekningsrente. Det gir nye utfordringar. I tillegg aukar levealderen til dei forsikra meir enn det selskapa har lagt til grunn ved berekning av premiane, noko som aukar verdien av selskapas forpliktingar, samtidig som låge renter kan gjera det utfordrande å oppnå ein stabil avkastning som er høgre enn rentegarantien. Me er kjende med at utfordringane knytte til dette er særleg store for dei selskapa der fripolisar utgjer ein vesentleg del av verksemda. Samtidig veit me at Banklovkommisjonen for tida arbeider med utkast til nye reglar, bl.a. om nye pensjonsprodukt, som vil letta overgangen til Solvens II-regelverket for livsforsikringsselskapa. Ein samla komité understrekar i innstillinga likevel viktigheita av at livsforsikringsselskapa førebur seg på overgangen til nytt regelverk gjennom god risikostyring og tilfredsstillande bufferkapital. Eg vil òg seia litt om bustadmarknaden. Bustadprisane nivå. Den høge inntektsveksten har vore ein viktig faktor bak veksten i bustadprisane. Auka folketal forsterkar òg tendensen. Talet på fullførte nye bustader er for lågt i forhold til folkeveksten. Difor vil òg regjeringa leggja fram ei bustadbyggjemelding til hausten. Gjeldsbøra til hushalda har i fleire år våre høgre enn

at lånet, med pant i bustaden, normalt ikkje bør vera større enn 85 pst. av bustadverdien. Eg ser at opposisjonen skriv at dei ønskjer å reversera denne regelen og erstatta han med andre tiltak. Eg må seia det undrar meg litt, for me må jo ha reglar som sikrar at folk ikkje låner til over pipa eller kjem i ein situasjon der ein ikkje kan betena lånet dersom renta stig, eller

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 10 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter og Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 5 minutter hver. Videre vil presidenten foreslå at det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

Gjennomføringen av disse endringene er påbegynt. Videre legges det opp til å utvide referanseindeksen til å inkludere statsobligasjoner fra framvoksende økonomier. ny geografisk fordeling for SPUs aksjeinvesteringer som i større grad enn før er basert på markedsvekter. Det legges opp til å redusere andelen i Europa med om lag 10 prosentenheter. Andelen framvoksende økonomier øker med om lag 2 prosentenheter. planer for endring i systemet for rebalansering av fondets aksjeandel, Flertallet i komiteen slutter seg til de endringer som nå gjøres. Åpenhet i forvaltningen av Statens pensjonsfond og at vi evner å holde fast ved en langsiktig investeringsstrategi for fondet, også i perioder med uro i finansmarkedene, er en forutsetning for at det skal være bred tillit til forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den løpende rapporteringen fra Finansdepartementet, Norges Bank og Folketrygdfondet og Stortingets behandling av den årlige meldingen om Statens pensjonsfond er en viktig del av dette. Som det framgår av komiteens innstilling til årets melding, er det bred enighet om den overordnede langsiktige strategien og målsettingen for fondet. Dette er spesielt viktig nå, med den uro og usikkerhet som råder i finansmarkedene, og med statsgjeldskrise i Europa. I en slik situasjon kan man spørre seg om våre felles sparepenger fortsatt er plassert trygt i aksjer, obligasjoner og eiendom, som har vært strategien siden fondet ble Ser vi på historien, har denne strategien og utviklingen av den tjent oss godt. Statens petroleumsfond, som senere ble omdøpt til Statens pensjonsfond utland, ble etablert i 1990, og første pengeoverføring ble gjort i 1996. Bakgrunnen var en bred politisk enighet om at oljeinntektene ikke bare skulle brukes kortsiktig i hvert års budsjett, men brukes langsiktig av hensyn til kommende generasjoners mulighet til å ta del i oljerikdommen og av hensyn til konkurranseutsatt industri. I 2001 ble handlingsregelen vedtatt, en regel som skulle sikre langsiktig og planmessig bruk av oljeinntekter over statsbudsjettet, tilsvarende om lag den forventede realavkastningen av fondet. I 2004 ble de etiske retningslinjene innført og Etikkrådet etablert, og etter evalueringen i 2009 ble en mer helhetlig strategi for ansvarlige investeringer innført. Ser vi på resultatene fra denne langsiktige forvaltningen av oljeressursene, har den i hovedsak tjent oss godt. Den årlige avkastningen av SPU fra 1998 og til i dag har riktignok variert mellom minus 23,3 pst. og 25,6 pst., og avkastningen av SPN har variert mellom minus 25,2 pst. og 33,5 pst. Også i den aktive forvaltningen varierer de oppnådde resultatene fra år til år, noe som understreker at vi må være forberedt på at verdien av Statens pensjonsfond varierer betydelig fra år til år. Tall fra Norges Bank viser at vi må regne med svingninger i verdien av SPU fra ett år til det neste på 10 pst. Tilsvarende tall fra Folketrygdfondet viser årlige svingninger i verdien av SPN på nærmere 17 pst. For 2011 har både SPU og SPN negativ avkastning. Årsaken var for begge fondene svak utvikling i aksjemarkedene. Resultatet i 2011 er preget av stor usikkerhet i finansmarkedene i forhold til vekstutsiktene for verdensøkonomien. Statsgjeldskrisen i Europa virket også negativt inn på hvor stor risiko investorene var villige til å ta. Dette ga seg særlig utslag i nedgang i det europeiske aksjemarkedet. Imidlertid har strategien og målsettingen et langsiktig perspektiv som det er bred politisk enighet om, og over tid har både Norges Bank og Folketrygdfondet skapt merverdier i forvaltningen. Siden 1997 har den årlige realavkastningen av investeringene i SPU i gjennomsnitt vært Dette er lavere enn departementets anslag om en langsiktig realavkastning på 4 pst., men er likevel godt innenfor den usikkerhet som vi må regne med. Vi har et investeringsfond på 3 300 mrd. kr ved årsskiftet, og vi har hatt gode inntekter til statskassen til å bygge det velferdssamfunnet vi kjenner i dag, fra fondet ble etablert. Det har også siste år vært oppmerksomhet og debatt i befolkningen og i media om forvaltningen av pensjonsfondet, både om SPU og om SPN. Det er bra at det er oppmerksomhet om fondet. Det er spesielt investeringsstrategien og de konkrete investeringene sett i forhold til de etiske retningslinjene som skaper debatt. Det er imidlertid stor spredning i debatten. Enkelte er opptatt av de økonomiske konsekvensene av utelukkelse, som er en del av virkemidlene ved brudd på I meldingen pekes det på at kostnadene ved utelukkelse isolert sett er beregnet til om lag 10,6 mrd. kr lavere avkastning i perioden 2005–2011. Av dette utgjør utelukkelse av selskaper som produserer tobakk, 9,6 mrd. kr, eller 90 pst. av mindre-avkastningen. Jeg vil peke på at utelukkelse fra fondet er etisk og ikke finansielt motivert, og at et slikt politisk valg om å utelukke investeringer i tobakk kan ha slike kostnader. På den annen side kan tap på kort sikt likevel vise seg å være lønnsomme på lang sikt. Det har også vært flere debatter om de konkrete investeringene sett i forhold til etikk og vår utenrikspolitikk, med krav om flere utelukkelser. Det er det som representantforslaget vi behandler i dag, handler om. Ifølge forslagsstilleren viser årsrapporten til Statens pensjonsfond utland at fondet ved utgangen av 2010 hadde investert minst 16 mrd. kr i 38 selskaper som er involvert i regnskograsering. Hun mener SPU tjener store penger på næringer som er ansvarlige for ødeleggelsen av enorme regnskogområder, slik som tømmerhogst, gruvedrift, visse typer oljeutvinning samt produksjon av palmeolje, cellulose og kjøtt i Ut fra dette foreslår forslagsstilleren å utrede Statens pensjonsfond utlands påvirkning på avskoging i utviklingsland og hvordan situasjonen kan bedres, å sikre Etikkrådets uavhengighet og at de gjennomgår alle SPUs investeringer i bransjer hvor alvorlig miljøskade er utbredt, særlig regnskog, og å Fra SPU fikk anledning til å investere i aksjer i 1998 og til i dag, har det skjedd mye når det gjelder utviklingen og fokuseringen på de etiske sidene ved forvaltningen av SPU. De etiske retningslinjene ble innført i 2004 og evaluert i 2009, noe som resulterte i innføringen av en mer helhetlig strategi for ansvarlig investeringspraksis i 2010. Denne strategien retter seg både mot Etikkrådets arbeid og mot Norges Bank. Arbeidet med ansvarlige investeringer omfatter både internasjonalt samarbeid for å utvikle beste praksis, miljørelaterte investeringer, forskning og utredning, eierskapsutøvelse og observasjon og utelukkelse av selskaper. SPU er en finansiell investor med investeringer i over 8 000 selskaper. Slik det også i brevet fra Finansdepartementet til saken, tilfører ikke investorer generelt friske penger til selskapet ved kjøp av aksjer i annenhåndsmarkedet. Ved slike aksjekjøp tilfaller kjøpesummen den selgende aksjonæren. Det kan derfor ikke nødvendigvis settes likhetstegn mellom en slik investering og økt aktivitet hos selskapet, og det kan således være vanskelig å vurdere om SPU Det gjøres imidlertid hele tiden vurderinger som har ført til at 55 selskaper i dag er utestengt på grunn av brudd på fondets etiske regelverk. To av disse ble i 2010 utelukket på grunn av ulovlig hogst og alvorlig miljøskade i tropisk regnskog. I tillegg gir aksjekjøp stemmerett og mulighet til å drive eierskapsutøvelse. Norges Bank har klima som et fokusområde i sin eierskapsutøvelse og har utarbeidet et eget forventningsdokument på dette feltet. Gjennom eierskapsutøvelsen kan de i noen tilfeller bidra til endring i selskapenes adferd. Når det gjelder Etikkrådets arbeid, vil jeg støtte det departementet sier, nemlig at Etikkrådet er både formelt og reelt uavhengig, og at rådet selv foretar egne prioriteringer av sine ressurser. Etikkrådets oppgave er å gi råd til Finansdepartementet, og ordningen bygger på at departementet skal foreta Jeg synes det er viktig å understreke at flertallet i komiteen støtter denne arbeidsdelingen. Samtidig vil jeg understreke viktigheten av at Etikkrådet i sitt arbeid bidrar til å identifisere bransjer eller områder hvor risiko for brudd på de etiske retningslinjene er størst, og dermed prioriterer ressursene slik at investeringer i selskaper som bryter de etiske retningslinjene, fanges opp på et tidligst mulig tidspunkt. I Etikkrådets årsmelding går det fram at de i løpet av de nærmeste årene planlegger å gjennomgå bl.a. ulovlig skogshogst og annen særlig ødeleggende hogst, slik at den kartleggingen som forslagsstilleren ønsker, alt er ivaretatt. Det er bred enighet om at SPU skal forvaltes på en ansvarlig måte, og at fondet skal ha en strategi for ansvarlig investeringspraksis, men at fondet ikke skal brukes som et utenrikspolitisk verktøy. SPU er på dette området brukt som et forbilde av flere investorer og investeringsfond, også av IMF og OECD. På komiteens reiser i utlandet der vi presenterer SPU og blir presentert for liknende utenlandske investeringsfond, er mitt inntrykk at Statens pensjonsfond utland er et av verdens mest åpne fond og et fond som andre lands politiske myndigheter og fond ser til når det gjelder forvaltningsmodellen som er valgt. Likevel vil jeg understreke at dagens modell ikke er De etiske retningslinjene, investeringsstrategien og forvaltningsmodellen for Statens pensjonsfond er blitt utviklet over tid og vil også utvikles videre framover. Erfaringene så langt viser imidlertid at vi har evnet å legge til rette for en langsiktig og god forvaltning av landets petroleumsformue, slik at den kan komme både dagens og kommende generasjoner til gode. Med det anbefaler jeg komiteens innstillinger i de to sakene vi nå debatterer. Alle er

debatterer. Alle er enige om at det er klokt å ha penger på bok. Fremtiden vil gi oss nok av utgifter, og det å vite at vi har spart i gode tider, gir oss trygghet og sikkerhet. Det er vi alle enige om. Jeg håper alle i salen merker seg det – også Fremskrittspartiet er enig i det. Det vi fra år til år diskuterer, er hvordan vi skal forvalte våre inntekter – hvor mye vi skal spare, og hvordan vi skal spare. Her skilles partiene. St.meld. nr. 29 for 2000–2001 om retningslinjer for den økonomiske politikken foreslo regjeringen å legge opp til en bruk tilsvarende om lag den forventede realavkastningen av det som den gangen het Petroleumsfondet. En slik forventet realavkastning ble satt til 4 pst., og med ett var handlingsregelen født. Med andre ord: Norges velferd skulle delvis baseres på renter fra pengeplasseringer i utlandet, en strategi som har vært benyttet av De fleste mente raskt at en slik strategi ville være klok, da det angivelig skulle sikre tilgang til velferd langt inn i evigheten. Men kan egentlig et land forvalte sin formue på samme måte som en enkeltstående kapitalist forvalter sine penger? Ikke nødvendigvis. Et land er avhengig av forutsigbarhet. En enkeltstående kapitalist kan stramme inn livremmen over natten, men å gjøre det samme i et demokratisk land I det hele tatt: Det å gjøre seg stadig mer avhengig av renteinntekter for å kunne levere etablerte velferdstjenester har en nedside. Det aller viktigste for et land er å investere for fremtiden. Det å gjøre vår velferd avhengig av størknet svette fra produksjonen i andre lands bedrifter er verken bærekraftig eller visjonært, men det er svært behagelig. Mye er bra i Norge, og vi har solide finanser. Men vi kommer ikke unna at regjeringens politikk også har ført til at rekordmange står utenfor arbeidslivet og som en konsekvens lever av andres arbeid og verdiskaping. Det er ingen uenighet om at fellesskapets midler må benyttes der vi får mest igjen for dem, men da kan man ikke tilnærme seg problemstillingene med et dogmatisk syn på de viktigste premissene for debatten. Ønsker vi at våre ressurser skal kaste mest mulig av seg, både for dagens og for fremtidens generasjoner,

responderer på autopilot om at regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk, innforstått at enhver annen tilnærming til den økonomiske politikken er uansvarlig. Dersom finansministerens eneste ambisjon er ansvarlighet, velger han åpenlyst å avskrive finanspolitikken som et verktøy for vekst og nyskaping. Finanspolitikken blir da reaksjonær og konservativ og ikke fremtidsrettet og kreativ. Fremskrittspartiet vil bruke skattepolitikken og våre petroleumsinntekter aktivt for å gi norsk næringsliv de beste forutsetninger for å lykkes. Vi tenker nytt, og vi vil vurdere å tilby partene i arbeidslivet skatte- og avgiftslettelser som grunnlag for fremtidige lønnsoppgjør, noe som sikrer bedret kjøpekraft for alle, og samtidig opprettholder konkurranseevnen. Det er nettopp regjeringens oppgave å sikre norsk næringsliv de beste konkurransevilkår, og da er det ikke gitt at den eneste løsningen er å akkumulere stadig mer statlig kapital samtidig som norske bedrifter utkonkurreres, bl.a. på grunn av høyt lønnsnivå. Fremskrittspartiet ønsker en ny handlingsregel som tar inn over seg de utfordringene som samfunnet og norsk næringsliv står overfor. Dagens handlingsregel tar verken hensyn til økonomiske konjunkturer eller tilgjengeligheten på arbeidskraft. Handlingsregelen beregnes ut fra størrelsen på Statens pensjonsfond ved årets inngang. Har det vært oppgang i de internasjonale finansmarkedene, vokser Statens pensjonsfond, og den estimerte avkastningen øker. På mirakuløst vis blir det da mer forsvarlig å sprøyte flere kroner inn i norsk økonomi, rent teoretisk sett, en sammenheng som ikke finner støtte i noen økonomiske teorier. Nettopp derfor er dagens handlingsregel et lite egnet styringsverktøy. En handlingsregel bør i første rekke kunne definere pengenes ulike virkninger på norsk økonomi over tid og samtidig skille mellom løpende utgifter og investeringer. Fremskrittspartiet ønsker derfor en ny handlingsregel, hvor det innføres en øvre grense for årlig vekst i offentlig forbruk, begrenset ut fra veksten i norsk økonomi. Parallelt bør man gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer på bakgrunn av kapasitet hos norske og utenlandske leverandører. Forutsetningen for slike investeringer må være at lønnsomheten vurderes på bakgrunn av levetidskostnader og konsekvensanalyser beregnet over flere år. Og husk at når man gjør fornuftige realinvesteringer i f.eks. vei, forsvinner ikke verdiene. De vil i mange tilfeller bidra til avkastning langt utover det vi får i Pensjonsfondet. Fremskrittspartiet har gjennom flere år fremmet en rekke forslag som ville forbedret forvaltningen av statens oljeinntekter. Vårt fokus er hele tiden å gjøre norsk velferd mindre avhengig av finansinntekter. For å få det til må vi investere for fremtiden, vi må bygge en fremtidsrettet infrastruktur og satse på FoU, noe som igjen vil gi lønnsomme arbeidsplasser og konkurransedyktige bedrifter. Slike investeringer er utgifter til inntekts ervervelse, da det vil legge grunnlaget for økonomisk vekst i vårt eget land og samtidig gjøre oss mindre avhengig av lønnsomheten i andre lands bedrifter. Fremskrittspartiet fremmer på nytt, denne gangen sammen med de øvrige opposisjonspartiene, forslag om å utrede alternative måter å organisere SPU på. De samme partiene fremmer også forslag om at det opprettes et investeringsprogram innenfor SPU med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og i fremvoksende markeder, med en målsetting om en samlet investeringsramme

på noe som helst område bidrar – kun til å lette vår egen samvittighet – har foreløpig ikke ført til verken vekst eller velstand i noe land. Fremskrittspartiet er ikke gjerrig, og vi skulle gjerne investert mer hvis det viste seg å være bærekraftig. Vi går nå usikre tider i møte. Sør-Europa sliter tungt. Euroen er ustabil. Finansmarkedene skjelver. Det er nettopp der vår økonomiske fremtid er plassert. plassert. Jeg vil gjerne understreke det her og nå, i 2012, at Fremskrittspartiet har advart mot å plassere alle pengene. Vi har også foreslått å ha mindre penger i aksjer, mindre av vår kapital i aksjer. Så bli ikke veldig forbauset, for det er mange ting som tyder på at børsene over hele Europa, og kanskje også i Asia og i resten av verden, vil gå betydelig ned det kommende året eller de neste to årene. Det vil bli betydelig ustabilitet. Dette vet nå Stortinget. Dette vet nå regjeringen. Vi har altså muligheten til å gjøre noe med det. Hadde man da rustet opp sin egen infrastruktur, bygget veier, bygget det som er helt nødvendig for å skape økonomisk vekst, skape lønnsomme bedrifter, lønnsomme arbeidsplasser, hadde man ikke vært så avhengig av de rentene og den avkastningen som disse plasseringene gir. Så en annen ting som ikke er nevnt, og som jeg har lyst til å ta opp. Hvis vi satser på investeringer i vårt eget land, Når det går arbeidsledige ingeniører en masse i Spania og i Italia og andre steder i Europa, og vi ikke har tilstrekkelig ingeniørkapasitet i Norge, hva i all verden er det som hindrer oss i å hente ingeniører og få bygd veier, få bygget den infrastrukturen som vi trenger? Her er det altså ingeniører som henter arbeidsledighetstrygd fra en tom statskasse i disse landene, og så har vi nok av penger og masse ting som skal gjøres. Likevel velger vi ikke den strategien. Da sier vi at det blir inflasjon. Det var regjeringens tidligere svar. Hva de sier nå, vet jeg ikke. Vi skal spare til fremtidige generasjoner uten at vi har noe bevis på at den måten vi sparer på, faktisk vil redde Norge eller fremtidige generasjoner på noen som helst slags måte. Jeg tar opp de forslagene jeg refererte til. Representanten Christian Tybring-Gjedde har tatt opp de forslagene han refererte til.
Statens pensjonsfond skal sikre god avkastning på vår felles formue. Pengene skal forvaltes på en slik måte at vi kan være bekjent av investeringene både i dag og i morgen. Det er også viktig å sikre størst mulig grad av åpenhet, både om investeringene og om forvaltningen, for å sikre en demokratisk forankring. Debatten om Statens pensjonsfond vil naturlig nok bli en debatt både om forvaltningen og om hvordan pengene brukes, for dette henger naturlig sammen. Hvis pengene ikke forvaltes på en god måte, blir det mindre oljepenger å bruke, både i dag og i fremtiden. På den annen side: Hvis ikke pengene også brukes på en slik måte at befolkningen føler at det kommer dem til gode, vil kravet om å bruke stadig mer bli stadig sterkere, og da blir det mindre penger igjen å forvalte. Det er en svært krevende situasjon både for Norges Bank, for NBIM, og for Stortinget, med de store svingningene som er i de internasjonale markedene. Vi står overfor en situasjon hvor fondet vokser og blir stadig større, samtidig som det er store svingninger i de internasjonale markedene. Det stiller forvaltningen overfor store utfordringer, og det stiller også oss som storting overfor store utfordringer, for det er ikke til å legge skjul på at måten pengene forvaltes på, og at det sikres god forankring gjennom en åpen debatt og dialog med Stortinget, er svært viktig for at vi også i fremtiden skal kunne forsvare oppbyggingen av et såpass stort fond. Jeg mener vi har grunn til å være stolte over at vi har overført såpass store deler av oljeformuen til fondet. Det gjør at vi sikrer at formuen kommer både dagens og fremtidens generasjoner til gode. Men det er klart at skal dette forsvares, også overfor velgere, er det viktig at det er åpenhet og god forankring i alle prosesser. Jeg vil benytte anledningen til å gi honnør til NBIM og NBIMs ledelse for at man de senere årene har sikret stadig større åpenhet og god dialog med Stortinget. De årlige høringene i Stortinget er en god anledning til både å stille kritiske spørsmål og få gode svar. I

justeringene av investeringsstrategien som ligger i meldingen, både når det gjelder ny regionfordeling og når det gjelder BNP-vekting av obligasjoner. Vi støtter også signalene og føringene som ligger med hensyn til rebalansering av fondets aksjeandel. Jeg mener det er svært viktig at vi også i fremtiden klarer å sikre en bred politisk støtte til forvaltningen. Der mener jeg vi de senere år har sikret en støtte som går over de tradisjonelle partipolitiske skillelinjene. Det er i seg selv en verdi, fordi det skaper ro rundt forvaltningen av vår felles formue. Høyres utålmodighet knytter seg først og fremst utålmodighet knytter seg først og fremst til måten oljepengene brukes på. Da Statens pensjonsfond utland ble opprettet og vi etter hvert fikk vedtatt handlingsregelen, var det bred enighet om at det ikke var uten betydning hvordan oljepengene blir brukt.

På lang sikt er det således vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge.» Dette var selve begrunnelsen for at et bredt flertall i Stortinget la føringer for hvordan oljepengene skulle brukes, og det var enighet om at man skulle investere i kunnskap, infrastruktur og såkalt vekstfremmende skattelettelser. I fjorårets årstale uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen: «Myndighetene har brukt handlingsrommet til å gjennomføre standardøkninger og øke utgiftene på en rekke områder. av tiltak som styrker produktiviteten og vekstevnen på lengre sikt, herunder justeringer i skattesystemet, synes derimot å ha kommet noe i bakgrunnen.» Jeg slutter meg til den vurderingen. Vi har også sett andre analyser, bl.a. fra Næringslivets Hovedorganisasjon, som viste at nesten ni av ti oljekroner under Bondevik II-regjeringen ble investert i vekstfremmende skattelettelser, kunnskap og infrastruktur, mens under Stoltenberg II-regjeringen er mindre enn to av ti kroner benyttet til samme formål. Jeg mener dette er en svært viktig problemstilling. Det er åpenbart at hvis vi ikke nå bruker oljepengene til å bygge opp under vekstevnen og sikrer at vi har et næringsliv utenom olje- og gassektoren, vil Norge bli stadig mer avhengig av oljeinntektene og arbeidsplassene knyttet til olje- og gassnæringen, og dermed gjøre oss langt mer sårbare. Så Høyre er ikke bare opptatt av hvordan pengene forvaltes, men også av hvordan pengene brukes. Helt til slutt: Høyre har, sammen med de andre borgerlige partiene, fremmet et forslag der vi ønsker en utredning om hvordan NBIM og forvaltningen skal organiseres i fremtiden. Det er ikke noen form for mistillit til hvordan pengene har vært forvaltet eller hvordan vi har organisert virksomheten. Jeg mener snarere tvert imot at organiseringen har tjent oss vel, og at det er all mulig grunn til å gi honnør til selve forvaltningen. Men vi ser at fondet vokser – og etter hvert forhåpentligvis dobles – fra dagens størrelse. Da mener vi at det er viktig at vi allerede i dag har en grundig, faglig basert diskusjon om hvordan vi skal organisere forvaltningen for fremtiden. Da peker vi på at man bør diskutere om det fortsatt skal være ett eller flere fond, om fondet skal forvaltes innenfor Norges Bank eller om man skal etablere det om fondet skal forvaltes innenfor Norges Bank eller om man skal etablere det utenfor. Organiserer man det innenfor, kan det også være en mulig løsning – slik Finansdepartementet tidligere har pekt på – at man etablerer en egen rentekomité, slik at hovedstyret i Norges Bank kan konsentrere seg fullt og helt om sitt ansvar for Statens pensjonsfond utland. Jeg registrerer at regjeringspartiene fortsatt avstår fra å gi sin tilslutning til forslaget. Men jeg håper at finansministeren likevel merker seg at det er en samlet opposisjon som ønsker en slik utredning, slik at vi kan være godt forberedt på den fremtiden som vil komme,

uten at samfunnet ellers blir endret». De politiske føringene som ble nedfelt av Stortinget i 1973, er fortsatt høyaktuell politikk i dag. I dag er det langsiktigheten i forvaltningen av vår enorme formue på 3 500 mrd. kr som er sentral i politikken – det å sette av penger for framtidige generasjoner. Fondet er en svært langsiktig investor. Det er derfor nødvendig at forvaltningen av fondet har et langt tidsperspektiv. En av de viktigste risikofaktorene de kommende tiårene er klimaproblemene. I går behandlet Stortinget klimameldingen, som trekker opp Norges plan for å redusere klimautslippene betydelig fram til 2020, og videre framover. Dessverre har vi ikke fått en global klimaavtale som setter bindende Derfor er det viktig at vi som eiere av fondet sørger for en klimatilpasning av investeringsstrategien. Det handler både om at vi som langsiktige eiere har klar interesse av at selskapene vi eier, forsøker å redusere sine klimautslipp, og om at vi som investorer må sørge for at vi plasserer mer av pengene våre i selskaper som vil øke i verdi når klimaproblemene blir større, og mindre i de selskapene som reduseres i verdi.

men heller bidro til å bedre livsvilkår, på dagsordenen, og i 2004 fikk vi gjennomslag for et etisk regelverk. I meldingen redegjøres det for hvordan dette er fulgt opp. Sentralt er at Petroleumsfondets investeringsunivers stadig utvides, og at ansvarlig investeringspraksis utvikles over tid. Det nye mandatet, som ble vedtatt i 2010, var at det skal legges større vekt på å integrere hensynet til god selskapsstyring og miljømessige og sosiale forhold i den ordinære forvaltningen – altså fra å ha bare uttrekk som virkemiddel, til å ha mål om i større grad å påvirke selskapene til å unngå etikkbrudd. Samtidig har vi beholdt uttrekksmekanismen som et ris bak speilet for å unngå investeringer i Vi støtter denne praksisen fordi den bidrar til forbedringer av grunnleggende livsvilkår for mange mennesker. Det er grunn til å tro at ansvarlig investorpraksis faktisk gir økt avkastning på lang sikt, selv om det kan gi dårligere resultater på kort sikt. Uansett er det viktig at vår framtidige velstand ikke baseres på å tjene penger på virksomheter som vi ikke kan stå

de nødvendige ressurser for å kunne løse oppgavene i framtiden. Jeg ser fram til å se hvordan konklusjonen på denne vurderingen vil komme til å bli. Først og fremst er bli. Først og fremst er det jo grunn til å si at vi er i en fantastisk situasjon som kan diskutere at vi har et pensjonsfond, med den kapitalen man har, og som bidrar så til de grader inn i norsk økonomi hvert eneste år. Det er en stor verdi å forvalte, og den bør forvaltes med omhu. Heldigvis kan vi vel om at i stor grad skjer det. Jeg kan i stor grad slutte meg til det utmerkede innlegget fra saksordføreren i denne saken, og da blir det heller å ta opp noen andre områder hvor det er litt uenighet. Men la ikke det skjule at vi fra Kristelig Folkepartis side i stor grad er fornøyd både med Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond innland. innland får jo ofte litt mindre oppmerksomhet, men jeg synes det er grunn til å si at Folketrygdfondet for i fjor oppnådde en avkastning som faktisk var 1,3 prosentenheter høyere enn referanseindeksen. For Statens pensjonsfond utland var det jo 0,1 prosentenheter under, men vi må jo se på den særskilte situasjonen som var ikke minst i vår egen verdensdel, som noe av bakgrunnen for det. Så over til det som kanskje er litt mer kontroversielt. Tidligere i år holdt sentralbanksjefen en tale hvor han problematiserte om handlingsregelen, der det er stipulert at vi kan bruke en avkastning på 4 pst. inn i våre statsbudsjetter. Han antydet at den kanskje burde senkes til 3 pst. Jeg er litt overrasket over at det ble slått så fort ned – skutt ned, heter det kanskje – fra både den ene og den andre. Jeg tror nok at selv om man selv med historien og det som har skjedd der på avkastning, kan si at 4 pst. holder mål,

Jan Tore Sanner var innom muligheten for å se på andre måter å organisere dette betydelige fondet på. Det slutter en samlet opposisjon seg til. Jeg la merke til at saksordføreren også i hvert fall ikke prinsipielt var imot å se på dette, men kanskje ikke akkurat nå. Så ble det nevnt at Pensjonsfondet ikke skal være noe utenrikspolitisk instrument, og det er jeg for så vidt enig i. Men jeg vil si at næringsministeren var farlig nær, i India, til nærmest å – hva skal jeg si – vise til at våre investeringer via Pensjonsfondet kunne ha betydning for en ganske aktuell sak. Det kan hende noen hver føler trang til å benytte seg av dette fondet når det kommer til konkrete saker. Det er jeg enig i, det skal man være forsiktig med. Men jeg tror likevel vi bør være oppmerksomme på tror likevel vi bør være oppmerksomme på at det vi mener, er én side av dette spørsmålet. Hva utlandet oppfatter, er noe helt annet. Da tror jeg vi ofte får en stor jobb med å hevde at dette for vår del aldri har utenrikspolitiske implikasjoner. Det er noe med teori og praksis – i hvert fall i forhold til dem som bedømmer det utenifra. Så er jeg glad for at en samlet opposisjon ønsker å fondet til å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder, med en målsetting om samlet investeringsramme opp til 10 mrd. kr. Jeg synes nå tiden bør være inne for at også regjeringspartiene kommer på banen på dette punkt. Kristelig Folkeparti og Venstre mener det samme når det gjelder å investere i nyskapende og miljøvennlig energiteknologi. Så gjelder det Etikkfondet. Vi mener at det bør styrkes. Det investeres i stadig flere selskaper, og vi trenger en samstemthet i norsk politikk, ikke minst når det gjelder regnskog. Jeg viser til innstillingen og synes dette bør være et tema også for flere her på Stortinget – at vi sørger for at den ene hånden vet hva den andre gjør. Med dette tar jeg opp de forslagene som Kristelig Folkeparti og Venstre står sammen om i begge disse

For snart fire og et halvt år siden inngikk Stortinget tilsvarende forlik. Et av tiltakene som Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti fikk regjeringspartiene med på den gang, var at det norske bidraget til å stoppe avskoging i utviklingsland ble økt med om lag 3 mrd. kr hvert år. Senere har regjeringen prøvd å skape et inntrykk av at det var regjeringens og regjeringspartienes idé og har reist verden rundt og mottatt medaljer og heder og ære på vegne av dette initiativet. Det er vel og bra at Norge får anerkjennelse for det viktige arbeidet vi bidrar med for å bevare regnskog. Det er ingen tvil om at det er avgjørende viktig i et globalt klimaperspektiv. Desto mer underlig er det at Statens pensjonsfond utland, SPU, investerer tungt i selskaper som er involvert i å bygge ned og redusere regnskog. Det blir en form for dobbeltmoral, som er beklagelig. Selv om det ikke er slik direkte, kan man i realiteten si at Norges bidrag til å bevare regnskog finansieres gjennom SPUs investeringer i selskaper som bidrar til det motsatte.

utgitt av Regnskogfondet og Norges Naturvernforbund, fremgår det at SPU ved årsskiftet 2011/2012 hadde aksjer for nesten 82 mrd. kr i 73 selskaper i bransjer hvor avskoging og annen skogødeleggelse er svært utbredt. Det er selvfølgelig ikke alle disse investeringene som medfører brudd på, eller mistanke om brudd på, de etiske retningslinjene i SPU, men det er nærmest umulig å få en oversikt over hvilke selskaper som bryter retningslinjene og hvilke selskaper som opererer akseptabelt. Som et eksempel på Norges dobbeltmoral på området peker Regnskogfondets og Naturvernforbundets rapport på Indonesia, hvor Norge gjennom bilaterale avtaler har lovet Indonesia inntil 6 mrd. kr for å redusere landets avskoging. Samtidig investerer SPU 3,8 mrd. kr i 21 plantasjeselskaper i palmeoljebransjen, som er den viktigste årsaken til avskoging i Sørøst-Asia. Venstre har derfor fremmet tre forslag, som dessverre bare får Kristelig Folkepartis støtte når vi Det er trist at ikke engang SV ønsker å støtte forslaget om noe som er så ufarlig som å utrede SPUs virksomhet når det gjelder avskoging i utviklingsland. For partiet som både har miljøvernministeren og utviklingsministeren – og som påberoper seg å være fødselshjelper for de etiske retningslinjene for

selskapet ved kjøp av aksjer i annenhåndsmarkedet. Ved slike aksjekjøp tilfaller kjøpesummen den selgende aksjonær». Det er altså ifølge finansministeren helt greit å investere i selskap som bidrar til avskoging, fordi pengene ikke går direkte til selskapet, men til selgere – som har tatt fornuften fatt og selger seg ut av selskap som driver med denne type virksomhet.

om SPU investerer i selskaper som driver granhogst i Finland, eller i selskaper som hugger tropisk regnskog i Indonesia. For Venstre spiller dette en vesentlig rolle. Det spiller en rolle når det gjelder Norges forpliktelser under FNs klimaavtale, det spiller en rolle når det gjelder å få ned de globale klimagassutslippene, og det spiller en rolle når det gjelder god etikk og moral.

som ikke er så mange andre land forunt, og den gir først og fremst store muligheter. Det er en del utfordringer knyttet til forvaltningen av en så stor formue, men det er selvsagt også en diskusjon om hva en bruker pengene til. Dette er en diskusjon som vi får ta på fredag, så jeg bruker ikke så mye tid på den nå. Først og fremst gir oljeformuen oss store muligheter. Jeg har også innledningsvis behov for å si at både Norges Bank og

Debatten i dag viser også at det er bred enighet om hovedlinjene i forvaltningen av fondet. Det er bra. I årsmeldingen for 2011 behandlet vi noen viktige spørsmål knyttet til strategien framover – først og fremst fordelingen mellom de ulike deler av verden når det gjelder investeringer i henholdsvis Jeg er glad for at komiteen, og dermed Stortinget, slutter seg til den endringen som nå skjer både i referanseindeksen for obligasjoner og den geografiske fordelingen for aksjer i SPU. Som det også vises til i innstillingen, vil vi til høsten, i forbindelse med komme tilbake til den såkalte rebalanseringen og den strategien som ligger der for Statens pensjonsfond utland. Jeg er glad for at komiteen sier at de «imøteser» den, og så får vi prøve å leve opp til forventningene. Det er også viktig – som flere har påpekt – at Pensjonsfondet, dvs. både SPU og SPN, forvaltes på vegne av den norske befolkningen, vegne av den norske befolkningen, og i den sammenheng er det viktig både hvordan vi forvalter formuen og hvordan vi bruker de pengene som brukes over statsbudsjettet. Et annet viktig moment er at vi opptrer som en ansvarlig og langsiktig investor og gjør dette på en måte som også har bred forankring i befolkningen. Strategien vi har for ansvarlige investeringer, er omfattende, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. sammenheng. Jeg er glad for at det er støtte i komiteen for at fondet skal være i front med hensyn til å utvikle beste praksis på området for ansvarlige investeringer. I evalueringen som vi hadde i 2009, ble det lagt vekt på å bedre samvirket mellom de virkemidler som Etikkrådet har, og de som Norges Bank er ansvarlig for. De nye retningslinjene legger opp til det. Jeg har merket meg at mindretallet – en samlet opposisjon – ønsker en ny vurdering av alternative måter å organisere fondet på, altså SPU. Jeg merker meg at det samtidig ikke er enighet om at organiseringen bør endres, men bare at den «bør vurderes». Dette er et viktig spørsmål, det var et viktig spørsmål som vi diskuterte for to år siden. Departementet konkluderte da med at dagens organisasjonsmodell alt i vi diskuterte for to år siden. Departementet konkluderte da med at dagens organisasjonsmodell alt i alt fungerer godt – det er heller ikke reist kritikk mot den – og jeg viste samtidig til at det var iverksatt tiltak for å styrke modellen ytterligere. Vi så derfor ingen grunn til å skille forvaltningen av SPU ut fra Norges Bank nå, men vi sa samtidig at vi ikke kan utelukke at vi sa samtidig at vi ikke kan utelukke at denne vurderingen vil kunne være annerledes litt fram i tid. Dette mener jeg fortsatt. Så kort om dokumentforslaget: Det som er viktig å understreke her, er at Norges Bank har klima som satsingsområde i eierskapsutøvelsen. Vi deltar i med andre store finansielle investorer for å sette den saken på dagsordenen. Et eksempel på dette er støtten til det såkalte Forest Footprint Disclosure Project, som har til formål å øke rapporteringen fra selskap med aktivitet innenfor produksjon av soya, palmeolje, tømmer, kveg og biodrivstoff. Jeg er også kjent med at Norges Bank vurderer hvorvidt og i hvilket omfang utfordringer knyttet til regnskogen skal behandles i bankens arbeid

det var interessant å være til stede i en del selskap, selv om de kunne ha etikkutfordringer, rett og slett fordi at ved å være i selskapet kunne en jobbe med å bedre etikkproblemet, mens hvis en var på utsiden, hadde en ikke sjanse til det. Da er spørsmålet: Hvorfor kan ikke Wal-Mart være et av de selskapene der en faktisk ser at en kan være med på å bidra til å bedre arbeidernes rettigheter, istedenfor at en – av viktige symbolske årsaker for enkelte parti – har valgt å ekskludere akkurat det selskapet fra porteføljen? Vil regjeringen med jevne mellomrom ta en gjennomgang av de selskapene som er utelatt, for å se om ting kan ha endret seg, og at de bør kunne være en del av investeringsporteføljen likevel? Som jeg også sa i høringen som var i finanskomiteen, er det slik at utelukket, trenger det ikke bety at de er utelukket for all framtid. Det betyr òg at selskap kan bli tatt opp til en ny vurdering, dersom de har endret atferd, eller dersom grunnlaget for det som var uttrekket, har endret seg. Så – ja, en har en om muligheter framover. Som representanten også påpeker, har en ulike redskaper. Det ene er uttrekk – som en gjør i flere tilfeller – det andre er å sette selskap til observasjon, og det tredje er gjennom eierskapsutøvelse, enten gjennom Pensjonsfondet alene eller sammen med andre eiere. En har ulike virkemidler,

har sannsynligvis en politisk overtone når en gjør en sånn beslutning, mens en ikke tok det hensyn når det gjaldt Wal-Mart. Da er spørsmålet: Når gjorde en sist en revurdering av de selskapene som allerede er utelatt? Og hva er grunnen for at han i Wal-Mart-saken velger å gå til det strengeste skrittet – nemlig utestenging – istedenfor det som man gjør i de fleste andre saker, nemlig heller å prøve å påvirke selskapet

for så vidt til begrunnelsen som er gitt for de standpunktene en har tatt i de ulike sakene. Det er NBIM, som investor, som vurderer løpende hvilke selskaper en skal investere i, og som òg har ansvaret for å vurdere hvorvidt et selskap har endret atferd på en slik måte at det kan være aktuelt å gjenåpne investeringer i det aktuelle selskapet.
Med et av verdens største fond i ryggen og etiske retningslinjer, kan det være krevende å overbevise både land og selskaper om at fondet ikke er et utenrikspolitisk virkemiddel. Det er bred politisk enighet i Stortinget om at det ikke skal være et utenrikspolitisk virkemiddel, men det er helt avgjørende at man holder tungen rett i munnen når man skal kommunisere dette utad. Jeg vil derfor følge opp den problemstillingen som representanten Syversen tok opp i sitt innlegg, nemlig at statsråd Giske i sin dialog med India brukte investeringer fra SPU som et moment i diskusjonen om Telenors mobilkonsesjoner. Mitt spørsmål er om dette var klarert med finansministeren. Spørsmål nr. 2 er om finansministeren vil anbefale andre statsråder å bruke eventuelle investeringer fra SPU som et moment i denne type samtaler. Jeg vil for så vidt også her vise til det jeg sa i høringen med komiteen når det og et tilsvarende spørsmål ble stilt, og bare understreke at SPU er en finansiell, langsiktig investor, det er ikke noe utenrikspolitisk redskap. En hadde en tilknytning til obligasjoner fra et bestemt land i forbindelse med en internasjonal boikott – men det var en helt annen sak. Min klare holdning til dette er at slik er det, og slik skal det være i framtiden – det er ikke noe utenrikspolitisk instrument.
Jeg har lyst til å utfordre finansministeren på dette som en samlet opposisjon går inn for, nemlig et eget investeringsprogram for bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder. Da har jeg lyst til å spørre på denne måten: Er en slik tanke noe man har satt til observasjon, er det noe man har utelukket, eller er det noe man aktivt har tenkt å forholde seg til? Hvis jeg skal velge mellom de tre begrepene som representanten bruker, er det et område som er til observasjon med henvisning til den diskusjonen som vi hadde i forbindelse med fjorårets melding da dette var oppe, da en drøftet det og sa at en ikke nå var rede til å gå inn i framvoksende markeder. Det ville først og fremst bety en investering i unoterte selskaper, med de utfordringer det fører til. vil òg vise til at den endringen som en nå gjør i indeksene, gjør at en over tid vil øke investeringen i framvoksende markeder fra 6 til 10 prosentenheter, og det er klart at etter hvert som en får mer utviklede markeder i disse landene, vil det være aktuelt med investeringer der. I mellomtiden får vi bruke f.eks. Norfund eller andre instrumenter vi har for investeringer i den type land som representanten Syversen her viser til.
I mitt innlegg siterte jeg fra finansministerens brev til komiteen, der han skriver at han mener «det ikke er riktig å la Norges engasjement med hensyn til tiltak rettet mot bevaring av regnskog føre til en prinsipielt annerledes eller strengere behandling av selskaper med drift innenfor denne sektoren». Jeg må nesten be finansministeren klargjøre hva han formuleringen, sett i lys av at Stortinget årlig bevilger milliarder til bevaring av regnskog. Jeg kan innrømme at i noen tilfeller bruker man språk som er litt knyttet opp mot den bransjen man er i, nemlig investorbransjen. Hovedpoenget er at man gjennom å kjøpe aksjer i kapitalen for vedkommende selskap, slik at man på bakgrunn av det kan utvide virksomheten sin. Som jeg har sagt, er dette et område vi er opptatt av. Man har f.eks. utelukket to malaysiske selskaper knyttet til grov miljøskade i regnskogen. Det er også slik at Etikkrådet er i gang med en gjennomgang av enkelte sektorer

8. Representantskapet i Norges Bank er oppnevnt av Stortinget for å føre tilsyn med driften av banken etter sentralbankloven § 5. Rapporten for 2011 gir et godt bilde av representantskapets prioriteringer i tilsynsarbeidet. Momenter for tilsynet som ble trukket fram særskilt i finanskomiteens innstilling under behandling av tilsvarende rapport for 2010, er omfattet av tilsynet i 2011 og omtalt i årets rapport. Komiteen har merket seg det. Komiteen er videre opptatt av størst mulig åpenhet når det gjelder rapportering rundt Norges Banks virksomhet. Ikke minst gjelder dette i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, Komiteen uttrykker tilfredshet med at representantskapet har prioritert tilsynet med kapitalforvaltningen, og at oppmerksomheten har vært rettet mot et nytt mandat for SPU og utviklingen av investeringer i eiendom. Det er stor oppmerksomhet rundt forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, som vi nettopp har hatt en bredere debatt om, både politisk og ellers i samfunnet. Det er viktig at politikere og andre føler seg trygge på at forvaltningen av fondet foregår i tråd med gjeldende retningslinjer. Rapporten fra representantskapet bidrar til det. Komiteen har merket seg at representantskapet vurderer det slik at den etablerte avtalen om overordnede prinsipper for informasjonsutveksling og koordinering mellom Riksrevisjonen og representantskapet vedrørende SPU har fungert som et godt grunnlag for det praktiske samarbeidet i 2011. Dette kommer fram i rapporten, og det ble bekreftet av representantskapets leder under den åpne høringen om stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Komiteen støtter representantskapets prioriteringer i det videre tilsynsarbeidet og at tilsynet med kapitalforvaltningen fortsatt skal ha høy prioritet. Det er også positivt at andre prioriterte tilsynsområder vil være sentralbankens prosesser for ansvarlig investeringsvirksomhet, åpenhet i offentlig informasjon og rapportering samt oppfølging av avkastning og risiko. Dette samsvarer godt med at komiteen er opptatt av størst mulig åpenhet når det gjelder den eksterne rapporteringen rundt Norges Banks virksomhet, ikke minst når det gjelder forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, som jeg tidligere har nevnt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil 3 replikker med svar etter medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.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
Vi har til behandling et forslag fra Fremskrittspartiet om effektiviseringsgevinster i offentlig sektor. Forslaget er tredelt, og jeg regner med at forslagsstillerne selv går nærmere inn på de enkelte forslag. På generelt grunnlag tror jeg ikke det er stor uenighet om at effektiviseringsarbeid i offentlig sektor er viktig. Spesielt viktig er det at innbyggerne har tillit til at bruken av fellesskapets midler er best mulig og gir tjenester av god kvalitet. Det er vanskelig å forestille seg at det skulle være noe ønske fra noe politisk hold ikke å legge forhold til rette for effektiviseringsarbeid. Jeg har fortid som lokalpolitiker og ordfører og husker svært godt at nettopp å få mer igjen for hver krone alltid sto sentralt i både det politiske og det administrative arbeidet, ganske enkelt fordi det var knapphet på ressurser – både penger, kompetanse og arbeidskraft. Drivkraften til denne typen effektiviseringsdiskusjoner ligger ikke i nedleggingstrusler eller oppsigelser, nei, snarere er det slik at dersom det kontinuerlig blir søkt etter bedre måter å gjøre oppgaver på, til å kunne tilby bedre og flere tjenester til et udekket behov. Jeg har alltid hatt stor respekt for de oppgaver som kommunalt ansatte utfører, og måten de blir utført på, nettopp fordi jeg vet at det kontinuerlig blir sett på om dette kan gjøres bedre. Derimot er det farlig, og jeg tror det virker mot sin hensikt, å komme med antydninger om at det nærmest ikke drives effektiviseringsarbeid i det offentlige. I flertallets merknad i denne saken blir det vist til flere eksempler på en rekke områder der det tas initiativ for å fremme en mer formålstjenlig bruk av offentlige ressurser. Selv om ikke alle i komiteen slutter seg til flertallets merknad, blir det uttrykt fra mindretallet at man er enig i at det blir gjort mye allerede i dag. Ikke minst vises det i en merknad til at digitalisering av offentlige tjenester bidrar til en mer effektiv offentlig sektor ved at man sparer milliarder av kroner på ikke å sende ut vanlige brev. Digitaliseringen fører også til frigjøring av årsverk – årsverk som kan brukes til andre krevende oppgaver. Det vises til modernisering av IKT-løsningene i Nav og arbeidet med kvalitetskommuneprogrammet, for å nevne noen andre tiltak. Til slutt: Skal vi klare å beholde og fortsatt bygge ut velferdstjenester i Norge, krever det at vi hele tiden søker etter måter å løse disse oppgavene på, både innovativt og mest mulig effektivt. Det er også viktig å lytte til innspill utenfra, som f.eks. fra OECD. I nasjonalbudsjettet blir det også vist til en samlet omtale av fornying av offentlig sektor. Under henvisning til det arbeidet som blir gjort, i departementer, i kommuner og i andre offentlige sektorer, finner ikke flertallet grunn til å gjøre vedtak slik forslagsstillerne ber om. finner ikke flertallet grunn til å gjøre vedtak slik forslagsstillerne ber om. Forslaget bunner i et ønske om at vi skal bruke skattebetalernes penger mer effektivt. Jeg er

Nå har vi et statsbudsjett som har bikket over 1 000 mrd. kr. Da synes jeg det er rart hvis man gir inntrykk av at her er det veldig lite rom for å effektivisere mer enn det man gjør. Grunnlaget for den påstanden er følgende: For én måned siden var det et godt oppslag i NRK og i mange andre medier om at Akademikerne hadde fått utarbeidet en rapport, fra Menon, om innkjøpsordningene i offentlig sektor. Rapporten viste til at ved å effektivisere kunne man spare rundt 30 mrd. kr. Det synes jeg er en formidabel sum. Det er det absolutt verdt å kikke på. Noen uker senere var det partilederdebatt på TV 2. Da kom man inn på muligheten for å gi skattelettelser som en stimulans for å styrke Men istedenfor å bli møtt med respons, at her er det mulig å effektivisere offentlig sektor og frigjøre penger som kan komme næringslivet til gode, er det første de rød-grønne politikerne nevner: Ja, men da må vi kutte i sykehjemstilbud til de eldre. Det vitner om manglende vilje og evne til faktisk å se på effektiviseringstiltak i offentlig sektor, når man skal begynne å kutte på de viktigste oppgavene det offentlig kan tilby den svake delen av befolkningen vår, istedenfor å se på hvordan man kan drive offentlig sektor mer effektivt. Det er for Fremskrittspartiet et klart signal om at de hyggelige ordene som Torfinn Opheim kommer med her, ikke materialiserer seg i har litt for mange interesser – i fagforeninger og annet – og gode verv i partiene som sitter og styrer dette landet. Da er det faktisk bedre å bruke statens rikdom til å «proppe opp» med ineffektive systemer enn med reformer, for reformer vil møte motstand blant sentralstyremedlemmer i Arbeiderpartiet. Den muligheten vi har faktisk å bruke skattebetalernes penger mer effektivt ved å være åpne og villige til å gjøre ting på en annen måte, ved å effektivisere – ikke ved å piske arbeidstakerne til å jobbe hardere, men ved å jobbe smartere – synes vi ikke brukes godt nok. Det er her det er interessant å se på OECDs landrapport for Norge for i år. Der peker man på mange områder der en kunne ha gjort noe hvis det var politisk vilje, som ville gjort at man kunne brukt skattebetalernes penger mer effektivt – rett og slett ved å tenke litt nytt og bruke ny teknologi. Det er derfor vi fremmer dette forslaget. Vi er ikke uenig i de eksemplene som saksordføreren har gitt, men vi tror det er mulig å gjøre mye mer. Dette er ikke en kritikk; at alt er svart, og at regjeringen ikke gjør noen ting, men det går an å gjøre mer. Derfor har vi fremmet disse tre forslagene – og de tar jeg herved opp. Jeg håper at de andre partiene synes at dette er interessant nok, og at man er villig til å ta denne runden. Vi har bl.a. sagt at det bør være et uavhengig – som media kaller det – effektivitetspoliti, eller en effektivitetsenhet. Jeg tror det er bedre å ha en gruppe som er fast i staten, som jobber og blir kjent med systemene for bedre å kunne gjøre noe med dem, enn at man tidvis skal hente inn konsulenter. Så vil noen si at dette gjør man jo selvsagt – nå overdriver Men det er nok å lese boken til en tidligere statsråd, som nå har blitt statsråd igjen, Bård Vegar Solhjell. Han kunne fortelle hvordan han opplevde å sitte i statsrådsmøtene og se hvordan alle departementer og alle statsråder forsvarte det bestående i kampen om å være kongen på haugen når det gjaldt bevilgninger, og ikke gi fra seg sine oppgaver til andre departementer, for her var det en hakkeorden som man forsøkte å ivareta. Det gjorde at han som statsråd var frustrert den manglende evnen den rød-grønne regjeringen hadde til faktisk å reformere offentlig sektor. Det er altså en bekjentgjørelse fra en som trodde han var ferdig med regjeringslivet, men som nå er tilbake igjen i statsrådsapparatet. Jeg synes dette er verdt å lytte til. Derfor ønsker jeg at dette temaet blir tatt opp litt mer grundig – ved at forslagene vedtas – enn at man bare får en hilsen om god jul og godt nyttår fra saksordføreren.
Representanten Ketil Solvik-Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til.
Offentlig sektor må kontinuerlig reformeres. Den må reformeres gjennom det daglige virke – det som man kaller hverdagsrasjonalisering – og gjennom større systemreformer. Men det at OECD skal være en læremester for Norge med tanke på hvordan man skal reformere offentlig sektor, stiller jeg meg sterkt tvilende til. Jeg tror at ethvert land bør reformere ut fra sin kultur og sine tradisjoner, samtidig som en ser hen til hvordan andre har gjort det. Når det gjelder effektiviseringa av offentlig sektor, som er tema her i dag, er det både spørsmål om å få en god kvalitet på de tjenestene som det offentlige skal utføre, og en diskusjon om hva det offentlige ikke skal gjøre. En bør i større grad sette spørsmålstegn ved om det er nødvendig at det offentlige blander seg inn i så mange oppgaver som de gjør, og om en i stedet i større grad bør satse på å utvikle det myndige menneske, som kan ta større ansvar, og at en dermed kan redusere offentlig sektor i så henseende – altså at en konsentrerer seg om det som er det viktigste. Det som er det flotte med denne innstillinga, er at regjeringspartiene har gått konkret til verks og tatt fram gode eksempler på hva som positivt kan gjøres. Jeg har lyst til først og fremst å referere til Statens lånekasse, som har vist at de gjennom elektroniske tjenester får en større trygghet og en større nøkkeldata som det offentlige trenger for å behandle søknader og spørsmål fra folk flest, og at en gjennom det elektroniske tjenesteapparatet som er bygd opp, har greid å få høyere kvalitet, redusert saksbehandlingstida, spart penger og spart årsverk. Da er det også sentralt at Finansdepartementet gir offentlige virksomheter som gjør dette, et håndslag, sånn at de offentlige instansene har et egenmotiv for å gjøre det bedre. – Hva jeg mener? Jo, at en skal sitte igjen med noe av gevinsten, som kan brukes til et kontinuerlig omstillingsarbeid innafor organisasjonen. Det er altfor mye av at de gevinstene som offentlige etater får gjennom effektivisering, blir trukket inn. Dermed får man et manglende incitament i organisasjonen til å fortsette det arbeidet. Det som videre er et godt eksempel, og som regjeringspartiene har tatt fram, er det som skjer i kommunesektoren med kvalitetskommuneprogrammet Sammen om en manglende incitament i organisasjonen til å fortsette det arbeidet. Det som videre er et godt eksempel, og som regjeringspartiene har tatt fram, er det som skjer i kommunesektoren med kvalitetskommuneprogrammet Sammen om en bedre kommune. Det som er det flotte ved det programmet, er at det bygger på en organisasjonsholdning, en organisasjonsfilosofi, som trekker med etatene i kommunesektoren og derigjennom spør dem: Hva er det en kan gjøre for å få et kvalitativt bedre arbeid til en rimeligere penge? Det er en holdning som har vist seg å gi store, gode resultater, og det er noe vi til de grader bør stimulere videre, for å bruke systemene knyttet til konsulentvirksomhet. Det brukes for mange konsulenter, og medarbeiderne i offentlig sektor får altfor lite oppmerksomhet. Det er medarbeidernes holdninger, medarbeidernes lyst til å forbedre seg, som må stimuleres. På det punktet har vi store, positive utviklingsmuligheter, og det er noe av kjernen i det rød-grønne prosjektet.
Jeg kan forsikre både forslagsstilleren og andre om at det å få mest mulig ut av kronene er finansministeren glødende opptatt av. Dette er et viktig arbeid av mange grunner. Jeg leste også med interesse rapporten som nå kom fra OECD, der en brukte begrepet Value for Money. Det å få størst mulig tjenesteproduksjon for kronene er viktig. Med all mulig respekt er det ikke slik at det er en eneste stor konspirasjon mellom fagbevegelse og andre om at en skal bruke mest mulig penger minst mulig effektivt. Snarere tvert imot – dette er et viktig arbeid som går tvers igjennom både kommunal og statlig virksomhet. har også lyst til å understreke at Norge har en god offentlig sektor. En må ikke glemme det oppi denne diskusjonen. Vi har en offentlig sektor med flinke medarbeidere, folk som hver eneste dag gjør en enestående innsats for fellesskapet, og en offentlig sektor som står seg i sammenligning med de fleste offentlige sektorer i hele verden. Så vi skal være stolte over den offentlige sektoren vi har, men samtidig skal vi hver eneste dag være opptatt av at dette skal bli enda bedre. Det skjedde en betydelig fornying, omstilling, modernisering, i offentlig sektor gjennom 1990-tallet – en betydelig effektivisering og en betydelig fornyelse både i måten å produsere på, måten å organisere virksomheter på og i det hele tatt hele tilnærmingen til offentlig virksomhet. Jeg hadde selv gleden av å sette i gang det store – kall det gjerne – IKT-prosjektet, det elektroniske prosjektet i skatteetaten, som har ført fram til en betydelig forenkling, både for skatteetaten og for den enkelte borger. Lignende har skjedd i tolletaten og i en lang rekke offentlige etater der en har tatt i bruk ny teknologi, både for å nå ut til folket og for å organisere og drive virksomheten på en mer effektiv måte. Så har jeg lyst til å understreke at en viktig del av det å få en effektiv ressursbruk i offentlig sektor også er avhengig av at man har et best mulig beslutningsgrunnlag, at man jobber med beslutningsgrunnlaget for store investeringer gjennom det som heter kvalitetssikringssystemet, at en går igjennom de ulike metodene en har for å legge til rette for et beslutningsgrunnlag som gjør at Stortinget kan treffe beslutninger på et best mulig grunnlag. Jeg har også lyst til å si til representanten Lundteigen når det gjelder diskusjonen om forholdet mellom det å bidra til fellesskapet og det å holde pengene for seg selv, at det er en øvelse som finansministeren er tett inne i ved ulike anledninger. Jeg har betydelig sans for gulrotargumentet – at etater eller enheter som er villige til å gå inn i en omstilling, selvsagt skal kunne se at deler av gevinsten brukes til å videreutvikle egen etat. Vi brukte det prinsippet da vi elektroniserte skatteetaten, ved at en betydelig del av gevinsten ble igjen i skatteetaten, gjennom f.eks. at man styrket kontrollen og styrket andre deler av skatteetatens virksomhet. Det er en god tanke, men samtidig en fornuftig fordeling mellom bidrag til fellesskapet og bidrag til egen etat. Til slutt vil jeg også peke på – som saksordføreren var innom – at det daglig foregår et betydelig arbeid når det gjelder effektivisering i kommunesektoren. Som fylkesmann fulgte jeg dette nærmest daglig, så hva en gjorde i de enkelte kommuner, hva en kunne gjøre på tvers av kommuner, brukte de muligheter en hadde for å få kommuner til å organisere virksomheten sin på en mer effektiv måte. Det kunne eksempelvis skje gjennom – for å gi et konkret eksempel – å ta i bruk nye kartdata for å få en bedre planbehandling, for å få en bedre samhandling mellom bedrifter og kommunen, gjennom interkommunalt samarbeid, samarbeid om f.eks. innkjøp etc. Det er mange gode eksempler der ute. Jeg kan forsikre om finansministeren vil følge med og være en pådriver for at vi skal få en best mulig utnyttelse av offentlige ressurser og offentlige midler. Det skulle bare mangle! Det blir replikkordskifte.
For det første: Undertegnede hevdet ikke at vi skulle bruke pengene minst mulig effektivt, som finansministeren ga inntrykk av. Jeg synes han skal være litt ryddig når han gjengir hva andre talere har sagt. Fremskrittspartiet brukte mye tid på OECD-rapporten, som utgangspunkt for dette forslaget. Vi refererte til den både i selve forslagsteksten og i innstillingen. Da er spørsmålet: Fant finansministeren selv noe som inspirerte ham, eller som de kommer til å følge opp i sitt arbeid med å effektivisere offentlig sektor? Fant han noen som helst inspirasjon hos dem som har kikket oss litt i kortene fra utsiden, som han gjerne vil dele med Stortinget?
skal ikke bruke mye tid på innledningen, men jeg satt liksom med en følelse av at en så for seg at her satt det fagforeninger, sentralstyremedlemmer og andre med ett formål: å bruke mest mulig penger på en minst mulig effektiv måte. Men la nå det ligge. I OECD-rapporten er det to ting som jeg vil trekke fram. Det ene er selve tilnærmingen til begrepet «Value for Money», at en bør virksomheten slik at en får flest mulig tjenester ut av de kronene som en setter inn. For øvrig synes jeg rapporten understreker at mye av det en allerede gjør i Norge, er viktige tiltak. Det vi gjør på IKT-siden, det vi gjør med kvalitetssikringssystemet for beslutningsgrunnlaget, er eksempler på at vi er godt på linje med det en jobber med også internasjonalt. Det er slik at vi må hente både inspirasjon, lærdom og kunnskap internasjonalt.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen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

I Europa er det kun Norge som har et forbud mot profesjonell boksing. Europa har et strengere lisensieringssystem enn resten av verden, og det har i Europa ikke forekommet dødsfall i forbindelse med profesjonell boksing siden 1985. Forbudet i Norge ble altså innført i 1981. Årsaken var faren for medisinske skadevirkninger på utøveren. I dag er den medisinske overvåkingen streng, også innen profesjonell boksing. Norges Bokseforbund er dermed, ifølge forslagsstillerne, satt i en vanskelig situasjon, noe som kan medføre at norske amatørboksere ikke gis anledning til å bokse i store, internasjonale mesterskap som VM, OL og EM, dette som en konsekvens av at norske boksere, som er underlagt Norges Bokseforbund, ikke har anledning til å bokse uten hjelm, verken i Norge eller i utlandet. Som en følge av det som Det internasjonale forbundet nylig gjorde, har Norges idrettsforbunds styre i vedtak av 3. mai 2012 foreslått å oppheve proffbokseloven av 1981 og i stedet la knockoutloven gjelde for proffboksing. Vedtaket opphever skillet mellom amatørboksing og profesjonell boksing, men endrer ikke det regelverket som boksekamper underlegges i Idrettsstyret har ikke tatt stilling til en eventuell endring av forskriften til knockoutloven og skriver i sin vurdering at Norges Bokseforbund selv må fremme endringsforslag for Kulturdepartementet, om de ønsker endringer i forskriften som følge av internasjonale regelendringer i sin idrett. Regjeringen har tatt idrettsstyrets vedtak til etterretning. Regjeringen har komiteen om at man ønsker å nedsette et utvalg som skal se på de juridiske sidene ved en eventuell sammenslåing av lov om forbud mot profesjonell boksing og knockoutloven. Utvalget vil også se nærmere på hvilke regelendringer Det internasjonale bokseforbundet har vedtatt. Høyre mener norske boksere må få de samme vilkår som boksere i resten av Europa.

forbundet sier, er at det er vedtatt en ny strategi for amatørboksing som er tenkt innført fra og med 2013. At forslagsstillerne er positive til profesjonell boksing synes jeg er helt greit. Men tilnærmingen for å endre loven blir etter mitt syn litt lettvint når de velger å tolke vedtak i Det internasjonale bokseforbundet slik de gjør, med hensyn til forankrer forslagsstillerne sitt standpunkt ved å vise til at idrettsstyret i sitt vedtak av 3. mai i år foreslår å oppheve lov om forbud mot profesjonell boksing. Heller ikke her treffer de. Idrettsstyret ville ikke ta stilling til om de skulle ønske å åpne for profesjonell boksing i Norge, og de mener profesjonell boksing må bli underlagt knockoutloven og dens sikkerhetsbestemmelser om loven skulle bli opphevet gjennom dagens debatt. Det er viktig å påpeke at idrettsstyret i sitt vedtak ikke tok stilling til om det bør gjøres eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsen til knockoutloven. Forslagsstillerne ber også regjeringen fremme forslag til endringer i lovverket som er tilpasset internasjonale regler for amatørboksing. Idrettsstyret tok ikke direkte stilling til dette forslaget. Norges idrettsforbund og Den olympiske og den paralympiske komiteen mener det er naturlig at det er det aktuelle særforbundet, Norges Bokseforbund, som selv tar initiativ til eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene som følge av internasjonale regelendringer, om de måtte komme. Dette synspunktet stiller flertallet seg bak. Flertallet i komiteen tar derfor idrettsstyrets vedtak til etterretning, og foreslår at det nedsettes et utvalg som skal se på de juridiske sidene av en eventuell sammenslåing av lov om forbud mot profesjonell boksing og knockoutloven. De vil også tillegge utvalget se nærmere på hvilke regelendringer Det internasjonale bokseforbundet eventuelt foreslår. Om man er for eller imot profesjonell boksing handler både om følelser og fakta. Når slike ting skal belyses, har vi den gode tradisjonen her på Stortinget at vi politikere gjennom høringer får belyst vanskelige spørsmål fra ulike sider. Det er betryggende i forkant av politiske beslutninger. I vår høring fikk vi møte Cecilia Brækhus, en svært dyktig og gjennomprofesjonell idrettsdame, og vi fikk høre hennes synspunkter på hvorfor vi bør oppheve vedtaket mot profesjonell boksing her i landet. Det er forståelig at hun er skuffet for ikke å kunne vise seg fram for et norsk publikum. I den samme høringen fikk vi også innblikk i den andre delen av boksingen, nemlig den medisinske. Det spesielle med boksing er at selve hensikten er å skade motstanderen, mens man i annen sport gjør alt man kan for å hindre skade, og straffer både uaktsom og overlagt skade. Etter høringen var jeg positiv til å oppheve bokseforbudet her i landet, og jeg må ærlig innrømme at det i forrige runde holdt hardt å trykke på den røde knappen og si nei til profesjonell boksing i landet. Noen vil kanskje hevde at jeg i etterkant av den forrige behandlingen har vært nede for telling, hvor langtidsvirkningen for mitt bokseengasjement har gjort at jeg sakte, men sikkert begynte å tenke gjennom budskapet fra våre fremste medisinske eksperter på dette området og hva de sa i høringen. I dag har min holdning til profesjonell boksing snudd fra være for til å være mot, ene og alene fordi jeg tror på den medisinske ekspertisen og det de sier. Det blir bekreftet hver gang jeg ser en boksekamp på tv, der man i sakte film ser hvordan slaget forplanter seg gjennom hodet. Noen hevder at det er vakkert – jeg deler ikke det synspunktet lenger. Jeg er heller ikke flau over at vi er kanskje et av få land i verden som fremstilles det fra forslagsstillerne som at hvis ikke norske boksere får bokse uten hjelm, vil det være problematisk å være bokser i Norge. Det er mulig, men det tror ikke jeg på. Apropos hjelm: I min enfoldighet har jeg mange ganger lurt på hvorfor det finnes regler for å beskytte det som er under beltestedet, mens hodet skal være Det blir for meg et stort paradoks at gjentatte slag under beltestedet gjør at man dømmes ut av kampen, mens knockoutslaget mot hodet framstilles som estetisk og vakkert, selv om motstanderen i beste fall sendes over i drømmeland og i verste fall over i evigheten. Jeg skal innrømme at jeg blir ganske skremt når politikere tar på seg rollen som etikkens predikanter og inntar rollen som moralpoliti over hvilke av enkeltindividets interesser som er bra eller dårlige, som skal være lovlige eller ikke. I denne saken argumenteres det både med konkrete fakta og statistikk, medisinske påstander og fysiske konsekvenser, men også med en salig blanding av enkeltpolitikeres subjektive meninger om hva sporten innebærer, synsing om hva sportens formål faktisk er, og, som forrige taler selv var inne på, en «det er ekkelt å se på, dette liker om vi er styrt av en venstrevridd regjering her i landet, vil jeg anta at de likevel føler en viss avstand fra styrene vi ser i Cuba, Nord-Korea og Iran. Da er det litt betenkelig at det er de eneste landene i verden hvor vi finner andre politikere som har samme tankegang og holdning i dette spørsmålet, som vår regjering. Når det kommer til den medisinske argumentasjonen, ser en tydelig at mange av deltakerne i debatten har valgt å basere seg på en litt enkel retorikk som at sporten har slag mot hodet, og derfor er farlig. Men da er det merkelig at både amatørboksing, judo, karate, kickboksing og andre sporter er lovlige. De har like mange slag, og også spark mot hodet, og det er ikke snakk om at disse skal forbys. Videre ser man også at hovedskillet mellom amatør- og proffboksing i dag er bruken av hjelm. Vi kan derfor anta at hovedargumentasjonen til regjeringen faktisk er at man ikke ønsker å fjerne denne hjelmen. Det er i og for seg ganske merkelig, da vi vet at 95 pst. av den kinetiske energien i et faktisk slag avgjøres av hanskens tykkelse, og at det kun er 5 pst. av slagets kraft som avgjøres av om du har hjelm eller ikke. Da lurer jeg på om det er de siste fem prosentene som er tungen på vektskåla over hvorvidt denne sporten er farlig nok til å ha eller ikke. Et veldig mye brukt argument i denne debatten er at forbudet skal være gjeldende på grunn av skadeomfanget en ser i sporten. Da lurer jeg på om de også har tenkt å forby de andre idrettene som har et langt større skadeomfang i Norge i dag, f.eks. rugby. De har langt flere spinalskader, hodeskader og dødsfall i denne sporten i Norge enn det proffboksing har på internasjonalt nivå. Ønsker regjeringa at dette skal forbys Som nevnt innledningsvis er det også veldig mange som prøver å argumentere fra et etisk eller moralsk perspektiv i denne saken. Min mening er at dette er en temmelig forenklende og respektløs måte å se sporten på i forhold til de mange hundre dyktige utøverne vi har her i Norge. En fransk sosiolog – som egentlig hadde dette standpunktet i utgangspunktet – ønsket å komme inn under huden på dette miljøet og undersøke hva det profesjonelle boksermiljøet faktisk innebar. Det han beskriver i sitt verk, både gjennom sine erfaringer og i over femtitalls intervjuer med mennesker i og utenfor dette miljøet, er at det er en enorm stor gjensidig respekt mellom utøverne, det er disiplin, det er forståelse for hverandre, og det er en fysisk og mental styrke på utøverne som er ekstremt viktig. For utøverne selv handler ikke idretten om vold eller om mest mulig slag mot hodet. Dette handler om en sport, et håndverk som kombinerer styrke, strategi og tekniske ferdigheter på et høyt nivå. Det kreves årevis med trening for å beherske denne disiplinens mange former. Det å forenkle dette med å si at det handler om å slå hverandre i hodet, vitner i beste fall om ignoranse, uvitenhet, men også dessverre om en forhåndsdømming av en hel idrett og hundrevis av flotte idrettsutøvere i Norge. Vi i Fremskrittspartiet foreslår å legalisere proffboksing – ikke fordi vi glorifiserer vold, ikke fordi vi ønsker at folk skal skade seg, og ikke fordi men fordi boksing i nesten alle land i verden er tillatt, akseptert og respektert, fordi vi vet at det medisinske aspektet er ivaretatt, og fordi vi vet og mener at sosialistenes desperate ønske om å være moralske dommere overfor enkeltindividets egne valg og for hva de ønsker å gjøre, er feil.

Nå redegjorde representanten Simensen godt for flertallets syn, så jeg vil først og fremst komme med noen generelle bemerkninger rundt proffboksing og forbud mot det. Årsaken til at forbudet i sin tid ble innført, var fare for medisinske skadevirkninger. Dette argumentet har på ingen måte forsvunnet, selv om representanten Hanekamhaug prøver å Det er få som hevder at boksing ikke er forbundet med en stor skaderisiko. Vi får stadig ny dokumentasjon som viser hvor omfattende og alvorlige skadene kan være. Dette er seriøs medisinsk forskning. Det blir stadig framholdt at også andre idretter er forbundet med risiko, men det er en vesensforskjell mellom idretter hvor man som følge av utførelsen kan oppleve skade, og en idrett hvor formålet med idretten i parentes bemerket, selvfølgelig selv unngå å få juling og dermed skader. I andre idretter satses det stort på skadeforebygging – det skal være et mål å unngå skader. For å sitere ingressen i en artikkel av Lehmann i Tidsskrift for Den norske legeforening i mars 2011: «Målet i proffboksing er å påføre motstanderen så sterke slag mot hodet at vedkommende faller bevisstløs over ende og ikke greier å reise seg på ti sekunder.» – altså det som er to nyere rapporter er det dokumentert høy risiko for hjerneskader ved proffboksing.» I undersøkelser dokumenteres det høy forekomst av alvorlige hjerneskader, og at risikoen øker med lengden av karrieren, antall slag mot hodet og antall tapte kamper. Det vises bl.a. til akutt økt hjernetrykk og hjerneblødninger, langvarige utfall på nevrofysiologiske og nevropsykologiske tester og permanente skader som parkinson, og annen demens. 10–20 pst. av profesjonelle boksere har nevropsykiatriske senfølger – det er en relativt høy andel. Også denne gangen blir det i merknadsteksten, og repetert av saksordføreren og representanten Hanekamhaug, vist til at Norge er det eneste landet i Europa som har forbud mot profesjonell boksing. Hvis ikke Island helt nylig har opphevet dette, har de fortsatt et forbud der. Jeg vil også minne om at Sverige hadde forbud fram til 1. januar 2007. Da åpnet de for en mildere form for proffboksing med strenge krav til utstyr, f.eks. til hansker, kampgjennomføring og lisensiering. Uansett synes ikke jeg at argumentet om at alle andre får lov, er spesielt godt. Jeg mener de medisinske rapportene er så entydige og så alvorlige i sin konklusjon, at vi fortsatt bør opprettholde forbudet mot profesjonell boksing. Det er også i tråd med World Medical Associations arbeid for et forbud Ved å ha forbud mot profesjonell boksing i Norge gir vi også et signal om at dette ikke primært er en idrett som vi ønsker nyrekruttering til, nettopp fordi skadeomfanget er så stort, og at hele hensikten er å utøve vold mot andre. Man kan på mange måter si at Norge er et foregangsland, i stedet for å si at vi er de eneste som har et forbud, og at det er negativt. det som er flertallsforslaget nå, om at det blir foretatt en vurdering av eventuelle endringer i lovverket, jf. Norges idrettsforbunds vedtak av 3. mai i år, om å foreslå oppheving av proffbokserloven og i stedet underlegge proffboksing knockoutloven. Da er det viktig at vi får konsekvensutredninger, og at eventuelle lovendringer da må vurderes opp mot hvilke helsemessige konsekvenser endringene eventuelt kan få for utøverne.

De foreslår ikke konkret å gjøre det lov å ha proffbokserkamper uten sikkerhetsutstyr i Norge. Men det de foreslår, er at den loven som gjelder for all annen kampsport, nemlig knockoutloven, også skal være den som gjelder for boksing. Man opphever altså loven om profesjonell boksing og underlegger den det samme godkjenningssystemet som andre kampidretter, som fullkontakt karate, som som kickboksing. Det synes jeg er et forslag det er god grunn til å se nærmere på. Det vil være medisinske eksperter som avgjør hvilke idretter det er tillatt med knockout, som blir lovlige i Norge. Derfor ønsker vi en utredning av dette forslaget. Men det er ikke slik at det automatisk gir godkjenning av alle typer kampsport. Det er f.eks. slik at Norwegian Muay Thai Association søkte om godkjenning i Norge og ikke fikk denne av Knockoutnemnda. Men jeg ønsker altså å utrede dette som alternativ.

og at hun kan risikere å bli rettslig straffeforfulgt for det som er lovlig i resten av verden. Denne situasjonen kan virke litt absurd og uvirkelig på mange. Boksing er ikke en idrett for alle! Norge kan gå foran som et godt eksempel og ta sikkerheten og boksernes trygghet til helt nye nivåer, men da må vi være med å diskutere det, vi må være med der det skjer. Vi må også kunne være med å tillate det i Norge. Norge, Nord-Korea og Cuba, er, som nevnt tidligere, de eneste land i verden som har forbud mot proffboksing. Om Norge opphever forbudet, kan vi være med å påvirke idretten i en positiv retning, nettopp på de områder som jeg nevnte. Jeg mener at idretten har utviklet seg voldsomt – noe statsråden også var inne på fra 1981. Det gjelder både utøvere og oppfølgingen på det medisinske nivå. Jeg forstår at det er flere ting som må på plass for at vi skal kunne tillate proffboksing i Norge, og at den medisinske oppfølgingen av bokserne bør være god. At organiseringen tilfredsstiller NIFs krav til regler, Dessuten: At det må være fair play, slik at det ikke bokses kamper der utøver ikke har en reell mulighet til å vinne, er også en selvfølge for meg. Det er vanskelig å dokumentere skadevirkninger i Norge, men man har gjort mye i Sverige, Finland og Danmark. Det hadde vi også hatt muligheten til hvis det hadde vært lov å proffbokse i Norge. Vi har åtte men forbundet har ikke noe mandat til å følge dem opp. Hvordan kan norske politikere se på det og synes det er en god løsning? Cecilia Brækhus – med lisens i Tyskland – må følges opp der. Det er null kontroll fra Norge. Er det ikke litt av poenget at Norge skal følge opp sine egne utøvere? Hadde forbundet fått lov, ville de ha innført en strengere medisinsk oppfølging enn resten av verden. De har kompetanse, de har ekspertise, og de har medisinsk utstyr tilgjengelig som gjør det mulig. Og hvor er det proffbokserne behandles i dag? Jo, det er i utlandet, der vi ikke har noen kontroll.

også – en del av dem i hver fall – reiser utenlands for å styrke sin kompetanse. Forslagsstillerne mener det ikke er gode nok ordninger som gir dem som har behov for økonomisk støtte, muligheten til å søke om støtte til slike opphold. Selv om det ikke er så mange felles merknader fra hele komiteen i innstillingen, oppfatter jeg at det er en bred enighet om at man ønsker å legge til rette for talenter i norsk kulturliv. Vi ser riktignok at det er nyanser i ordbruken. Mens opposisjonspartiene sier at det er et mål for norsk kulturpolitikk å dyrke fram talentene, sier regjeringspartiene at det er viktig å ta vare på talentene. Men hele komiteen ser verdien i at unge talenter innenfor disse feltene reiser utenlands for å få kortere eller lenger skolering i sine kunstarter. Det vil alltid være økonomiske utfordringer knyttet til å utvikle sitt talent og få den utdanningen man har lyst på, hvis man ønsker å drive profesjonelt. Det kan være knyttet til kjøp av instrumenter eller tilgang på instrumenter, det kan være det å få undervisning av de beste lærerne, og det kan være knyttet til ønsket om å studere i utlandet. Så må det være et politisk mål å redusere disse barrierene, slik at det er større mulighet til å få utvikle sitt talent på tvers av sosiale skillelinjer og økonomisk bakgrunn. sammen med Høyre forslaget om å be regjeringen fremme forslag om at det etableres et ungdomsstipend for unge kulturtalenter i skolepliktig alder innenfor musikk, dans, drama og visuell kunst. Høyre og Kristelig Folkeparti står også sammen om forslaget der man ber regjeringen utarbeide en helhetlig strategi for talentutvikling som omfatter hele utviklingsløpet fra barndom til fullført utdannelse. Jeg regner med at partiene selv vil utdype sine syn. For egen del vil jeg understreke at internasjonalisering av kulturlivet, også gjennom at norske kunstnere tar utdanning i utlandet, i seg selv er av stor verdi. Vi bør derfor strekke oss enda litt lenger å legge til rette for at flere unge talenter kan få den muligheten i kortere eller lengre tid. Jeg vil også nevne at Kulturskolerådet i forrige uke arrangerte utdeling av Drømmestipendet, som er et stipend for spesielt dyktige Den oppvisningen vi fikk se der, var en fantastisk illustrasjon på hvor mange unge dyktige talenter vi har i norsk kulturliv. Når disse talentene får utvikle seg, er det av stor verdi for dem selv, de utgjør forbilder for andre, og de bidrar også til å markedsføre og vise fram Norge i internasjonal sammenheng. Ikke minst gir de oss alle sammen muligheter til å få opplevelser av kunst og kultur på høyt nivå. Jeg tar opp de forslagene som jeg refererte, og ser fram til debatten. Representanten Øyvind Håbrekke har tatt opp de forslag han refererte til. Jeg slutter meg til saksordførerens betraktninger om dette, og jeg synes det er

Det er ikke mer enn et par uker siden Eivind Ringstad på bratsj scoret på topp i den europeiske konkurransen. Vi har også tidligere hatt strykere som har gjort seg gjeldende i slike sammenhenger. Felles for dem som vi kjenner – Hemsing-søstrene er f.eks. godt kjent – er stort sett at de har gått på Barrat Due musikkinstitutt alle sammen. Så kan man spørre: Hvorfor er Barrat Due en slik stjernefabrikk? Det er de selvfølgelig fordi de er svært flinke. Men de er det også fordi de er de eneste her i landet som gir tilgang til internasjonale lærere. De er de eneste som inviterer topp lærere fra internasjonale læresteder for musikere til å komme til Oslo og spille med elevene deres og gi dem mesterklasser for å gjøre elevene kjent med de mulighetene som finnes der ute. Norges musikkhøgskole har også et talentutviklingsprogram, men ikke et internasjonalisert sådant. Både Norges musikkhøgskole og Barrat Due har egne programmer ved siden av den vanlige skolevirksomheten sin som er rettet inn mot særlige talenter. Der vil man finne folk som reiser til Oslo jeg kjenner f.eks. til noen som hver fjortende dag flyr fra Alta til Oslo for å få timer, og som er så små at de har følge med mor eller far. Det er klart at det koster ganske mange penger, hvis man skal følge opp et slikt løp. Der hvor idretten har et apparat rundt stjernene sine i form av idrettslag og godt organisert virksomhet med masse frivillighet, blir ofte musikertalentene stående litt alene. Det er ikke den typen organisering av musikklivet, og det er heller ikke tradisjoner for å komme disse til unnsetning. Skal man kaste seg inn på en løpebane, kanskje med en solistjobb som fremtid, og skal man inn på de kursene det er snakk om – det er ofte sommerkurs, der man også møter internasjonale lærere – Stavanger kammermusikkurs og Valdres Sommersymfoni, som også Barrat Due står bak, er eksempler – må man ha råd til å reise dit, man må ha råd til å bo der, kanskje også med følge av foreldre. Når det gjelder kunstfagene, er vi ikke så godt skodd i forhold til å ta tak i disse. Innenfor danseområdet, f.eks., finnes det ikke noe tilbud. Høyre har foreslått at man skulle få i gang en ordning for dette i forbindelse med statsbudsjettet. Når det gjelder de andre kunstartene, innenfor billedkunstområdet, kjenner jeg ikke til noe eksempel på at man kan få gode lærerkrefter, annet enn eventuelt å måtte henvende seg direkte til dem. Jeg kjenner ikke til noe organisert opplegg for det. Det kan jo selvfølgelig tenkes at det finnes, selv om jeg ikke vet om det, men jeg har ikke hørt mye om det. Kort og godt: Vi har ikke noen ordning i Norge som tar vare på de veldig få vi nå snakker om, og som gir dem møtepunkter med den kunnskapen som er nødvendig. Kulturskolene har påpekt dette flere ganger. Norsk kulturskoleråd er opptatt av denne problemstillingen og leter etter muligheter og ressurser. Det nærmeste de kommer, er det vi har på musikk, fortrinnsvis på det klassiske området, eller kanskje også innenfor jazz – det som Norges musikkhøgskole og Barratt Due gir tilbud om. Høyre mener det er nødvendig at vi får et helhetlig grep om dette. Det bør være en oppgave for Kulturdepartementet å se hvordan man lager en strategi, et helhetlig løp med en vekslende meny med muligheter som man kan benytte seg av. De mulighetene vi har i dag, er relatert til Kunnskapsdepartementets systemer. Det retter seg først og fremst mot studenter, og det er ikke tilstrekkelig i denne sammenhengen. Dette er et løp som begynner i mye yngre alder. Derfor har vi jobbet for en slik ordning. Det er lovfestet at alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud. Siden den gangen har kulturskolen hatt en stor vekst og

må være å dyrke fram unge talenter. Det er problematisk når kulturskolene overkjører lokalsamfunnet istedenfor å samarbeide tett. Innholdet i en kulturskole er rektors ansvar, men det er for tilfeldig hvordan den enkelte rektor styrer kulturskolen. Jeg har hørt onde tunger si at en kulturskole for en rektor er som en gjenspeiler ofte rektors eget musikalske felt – og det må være feil. Det må være slik at man ser på hva man ønsker rundt omkring i lokalsamfunnene, hva man ønsker å spesialisere seg på – og ikke på rektors ønsker alene. Det er kommunal styring, og det synes jeg kommunene skal være mer bevisste på. Allerede der ligger det en måte å kunne utvikle talentene på. Det trenger ikke å være en motsetning mellom kulturtalenter som eminente stønadsnavigatører og kulturtalenter som eminente unge, nye skapere. Men fastlåste forestillinger om hva som er passende, er ikke det som fremmer skapertrang hos de unge og lengtende sjeler. Norsk kulturliv er fanget i en rigid, trang ramme som legger føringer for kulturlivets utvikling, etter min mening. Kulturlivet er fanget i en politisk tvangstrøye, hvor vedtak styrer på bekostning av skaperkraft. Maktkonsentrasjonen som har fått vokse fram rundt Kulturrådet og departementet i Oslo, kan være skadelig for utviklingen av unge personer tar store avgjørelser, ofte basert på subjektive tolkninger av hva som er god og mindre god kultur. Slik har det utviklet seg en tradisjon for å gå i de samme sporene år etter år, hvor fornyelsen ofres på sedvanens alter. Hva med å fordele en større andel av kulturmakten, hva med å fordele flere av kulturmidlene til kommunene, der de unge kulturtalentene bor? Det er der man har kontakten med dem. Det er få kulturtalenter i Kulturrådet eller i departementet – de er ute i kommunene. Desentralisering av makt kan føre til at lokale unge kulturtalenter får mulighet til å bevise at de har livets rett. Til tross for økning i budsjettet til kunst og kultur er det ikke nok til alle som søker om støtte. 90 pst. av søknadene innvilges ikke, og for dem som får avslag, er det ofte behov for å vite begrunnelsen og få innsyn i hvorfor de får avslag. Det å drive fram talenter innenfor handler om et helhetlig løp fra ung alder – det sies fra 5–6-årsalderen – og fram til endt kulturutdannelse. Skal forholdene legges optimalt til rette, kreves en rekke grep knyttet til kulturskolene, bl.a. kompetanse, tilgjengelige, gode lærerkrefter og ikke minst et talentutviklingsprogram. Et problem som jeg synes er stort, er når Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og KS på vegne av norske kommuner ikke later til å samarbeide om akkurat dette med talentutviklingsprogrammer. Mange unge talenter innenfor musikk, dans, drama og visuell kunst reiser til utlandet for å få kortere eller lengre skolering i sine har økonomiske ressurser til det. Det står på økonomi, som det ofte gjør ellers i samfunnet, men hvis vi kanaliserer det riktig, tror jeg vi kan få mer ut av pengene. Når jeg leser merknadene fra regjeringspartiene, er jeg ikke helt sikker på om de har forstått hva vi har ment i forslaget. Da jeg hørte innlegget fra representanten Ib Thomsen, var jeg helt sikker på han ikke hadde skjønt hva vi mente med forslaget. Derfor er jeg veldig glad for at Høyre og Kristelig Folkeparti har skjønt hva vi mener med forslaget, og faktisk har foredlet det, etter min oppfatning. Jeg vil at komiteen skal spole tilbake til en film de fleste sikkert har sett – filmen om Billy Elliot – historien om arbeiderklassegutten som vokser opp i en verden der ingen helt har forståelse for hans kunst, men der han får muligheten til å forfølge sitt talent. Det er dette det er snakk om her. Det er snakk om de ungene som vi av og til ser har eksepsjonelle evner, og som vi bør forfølge talentet til, men som ikke får mulighet fordi de ikke har en mor og en far med en stor pengebok klar, eller en mor og en far som alltid har forståelse for hvor viktig det er å forfølge sitt talent. Sist vi diskuterte en stor melding fra regjeringa, snakket vi om utjevning, om muligheten for tilgang til kultur for alle. Dette er et konkret forslag om akkurat det. Dette handler om alle de ungene som aldri får muligheten til å dra på nysirkuskurs i Canada som 12-åring – du er faktisk tatt ut til akkurat det, men det har ikke mamma og pappa råd til – eller en ny Billy Elliot. Jeg snakket med en mor her om dagen – sønnen hadde kommet inn på en velrenommert ballettskole i utlandet, men hun så ingen sjanse til å ha råd til å la forfølge den drømmen. Det er det dette er snakk om. Det er snakk om å forfølge drømmer. Det er snakk om at muligheten til å forfølge sitt talent skal være så sosialt utjevnet at alle skal kunne gjøre det. Det er ikke snakk om de store hordene, men det er snakk om de talentene som plutselig opptrer, de som bringer oss har et talent som noen finner, og som noen vil bringe videre. Det er det dette forslaget handler om. Jeg er kjempeglad for å få støtte fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Jeg mener at de har foredlet det forslaget vi har, så vi kommer til å støtte det slik som det
Talentutvikling og det å foredle dem som skal bli kunstnere i framtiden i ung alder, er noe kulturskolene i økende grad jobber med. For en del år siden var det vel en større tendens til at alle fikk den samme undervisningen uansett hvor stort kunstnerpotensial de hadde, men kulturskolene har blitt flinkere til å følge spesielt opp dem som har store talenter. Det betyr ikke at alle får den oppfølgingen de bør ha. Jeg tror nok at utviklingen går i retning av at også de kommunale kulturskolene anerkjenner de store talentene og deres spesielle behov for utvikling. Da må jeg bare si at Billy Elliot er min yndlingsfilm, nettopp fordi den viser at talentet kan komme fra hele befolkningen, og da er det om å gjøre at vi i vår politikk legger til rette for at alle kan delta i fritidsaktiviteter. Men dette forslaget har noen gode sider og noen sider som for meg er litt uklare. For det første er det slik at vi nå legger om stipendpolitikken for nyutdannede kunststudenter. Den har til nå vært rettet mot noen typer høyere utdanningssteder. Hvis du går på disse og bare på utdanningssteder i Norge, får du et stipend. Noen har automatisk fått 100 000 kr på grunn av den utdanningen de har valgt, selv om de ikke har valgt å etablere seg som kunstnere, mens de som har studert i utlandet, ikke har fått anledning til å søke på disse stipendiene, selv om de har etablert seg som selvstendige kunstnere i Norge. Derfor bruker vi disse pengene nå på en mye mer rettferdig måte, lager et stipend for nyutdannede kunstnere uansett, enten de har studert i Norge eller i utlandet. Det er et søkbart stipend som skal være mer rettferdig. Det er mange av de utenlandske utdanningene som holder et veldig høyt nivå, men det er også slik at noen kommer inn på kunstutdanninger som ikke er støtteberettiget i Lånekassen. Jeg tror ingen, verken fra opposisjonen eller regjeringspartiene, mener at det skal være noen automatikk i hvilke studiesteder man skal få støtte til, og at det er noe man automatisk får når man velger, uansett hva slags utdanning det er. Med det vil jeg ikke si at Lånekassens regler uansett er perfekt, og at uansett har man funnet de rette utdanningene som man skal få støtte til, for noen ganger er det ikke riktig å få støtte fra Statens lånekasse til utdanning selv om man har kommet inn på en kunstutdanning i utlandet. Det er rett og slett ikke alle som holder det rette nivået. Vi skal også være oppmerksom på det. Jeg er glad for alle som tar kunstutdanning, men konkurransen nå er mye hardere enn før. Den gangen vi på 1970-tallet laget garantiinntekter, var tanken at alle som utdannet seg til kunstnere, automatisk skulle få inntekt fra staten. Men når vi lager en utdanning nå og ser hva de nyutdannede innenfor det visuelle kunstfeltet driver med, driver 70 pst. etter fem år med noe ved siden av. Det er også den virkeligheten de skal inn i. Vi vil ha dialog med kunstutdanningene om hvordan man i større grad kan tilrettelegge for det å starte egen virksomhet, eget entreprenørskap, når man er ferdig med sin utdanning. Så til spørsmålet om stipendier underveis. Dette er først og fremst Utdanningsdepartementets ansvar, det er jo slik i Norge. Sånn er det ikke i Danmark. Der har ikke Kunnskapsdepartementet ansvar for kunstutdanningene, der ligger det under Kulturdepartementet. Men i Norge er det et skille mellom Utdanningsdepartementet/Kunnskapsdepartementet på den ene siden og Kulturdepartementet på den andre siden. Når det gjelder våre stipendordninger, er de rettet mot nyutdannede kunstnere. Vi har derimot noen veldig gode ordninger, nemlig Drømmestipendet, som er en slags stimuli. Men disse pengene gir jo ikke nok penger til å ta fatt på en utdanning i utlandet. Det er et godt initiativ, men det mangler noe konkretisering. Vi vil arbeide fram mot Kulturløftet III, se på ulike former for talentutvikling som kan bidra til at vi kan løfte fram talenter fra alle deler av befolkningen. Ett konkret eksempel er hva Det Norske Teatret nå gjør. Hvis man ser på dem som går på teaterutdanning/teaterfolkehøyskole, er det nesten ingen som har minoritetsbakgrunn. Nå lager de en egen skole for å få flere fra våre minoriteter opp på scenen, og det er et veldig godt initiativ som nettopp bidrar til å løfte fram kunstnere fra våre minoriteter opp på scenen, og det er et veldig godt initiativ som nettopp bidrar til å løfte fram kunstnere fra hele befolkningen. Det blir replikkordskifte. Det gleder meg at statsråden synes at dette er positivt. Jeg leser forslaget dit hen at det vi snakker om, ikke er de ordningene som handler om de etablerte studentene. Den ordningen vi snakker om nå, dreier seg om barn, om yngre barn. Kulturskolenes tilbakemelding er nokså unison, det er at man ser talentene når de er 10–12 år. Fra 12 til 14–15 er kritiske år i forhold til hvilken kompetanse du må bygge opp for å nå 10–12 år. Fra 12 til 14–15 er kritiske år i forhold til hvilken kompetanse du må bygge opp for å nå toppen. Det er de årene – det er veien fra kulturskolen til Musikkhøyskolens talentutviklingsprogram, eller programmer som ikke finnes på andre kunstarter – vi snakker om. Det er de 10–15 stykkene som i dag blir tatt imot hos Barratt Due, og det er de kanskje 10–15 stykkene til som går på Musikkhøgskolen, vi snakker om. Spørsmålet er: Skal vi mene at det er Utdanningsdepartementets ansvar? Eller er det Kulturdepartementets ansvar? Hele regjeringen er ansvarlig for kulturpolitikken. Men til nå har det vært en arbeidsdeling mellom Kunnskapsdepartementet på den ene siden og Kulturdepartementet på den andre. har vært rettet til Kunnskapsdepartementet. Jeg vil diskutere med kunnskapsministeren om vi skal lage Kulturløftet III, og hvordan vi kan bidra til enda bedre talentutvikling. Men per i dag ligger disse ordningene i Kunnskapsdepartementet. Det er

nesten litt fristende å spørre hvorfor kulturministeren er her og svarer, for hun har helt tydelig ikke lest forslaget. Dette er ikke snakk om voksne elever og Lånekassen, dette er snakk om barn i skolepliktig alder. Det står eksplisitt i forslaget. Det er kanskje utdanningsministeren som skulle ha vært her, hvis statsråden ikke har noen ambisjoner for denne gruppa. Målet skal jo være et system der alle har tilgang, men at en også ser talenter i denne aldersgruppa. Eller er det sånn at i statsrådens verden fins det ikke talenter som er så unge? Hvis representanten Skei Grande hadde lyttet til mitt innlegg, ville hun ha hørt at jeg snakket nettopp om talenter som er i skolepliktig alder. Men det jeg også snakket om, var hva som er ansvarsdelingen mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Det burde vært kjent også for representanten Skei Grande. Det er klart at vi er ansvarlig for regjeringens politikk samlet, men til nå har arbeidsdelingen vært sånn at Kunnskapsdepartementet har ansvar for kulturskolene, altså kunstutdanningene – sånn er det ikke i alle andre land, men slik er det i Norge – og så er det Kulturdepartementet som har ansvar for stipendordninger for dem som er ferdig
Det er ikke Venstre som har bedt om verken hvilken komité dette skulle behandles i, eller hvilken statsråd som skulle komme. Regjeringa bestemmer helt og fullt at man ønsker å stille med kulturministeren sjøl om det ikke er kulturministerens ansvarsområde. Men det jeg lurer på, er: Hvorfor mener kulturministeren at det er så viktig å gi et gjennomsnitt til alle uten også å hjelpe talentene? Det er greit at alle barn skal lære seg nok gitar til å kunne dra damer på et nachspiel, men poenget er at man også skal kunne dyrke fram noen talenter av og til. De opptrer helt uventet, de opptrer lite systematisk. I noen kull er det kanskje ingen ballettalenter, i noen kull kanskje ti ballettalenter – i hele Norge som nasjon. Da må man ha systemer som tar utgangspunkt i individene, og ikke de massesystemene som er for at alle skal lære litt kultur. Hvorfor ser ikke statsråden verdien i det? Det ser jeg nettopp verdien av. Jeg startet mitt innlegg med å si at folk går inn i kulturskolen med ulik grad av talent. Noen er veldig dyktige og krever spesiell oppfølging, mens andre skal lære kunst mer for hjemmebruk. Jeg mener at vi skal legge til rette for det i kulturskolepolitikken framover. En del av de prosjektene som vi har støttet gjennom utvikling av kulturskolene, handler nettopp om å gi et mer differensiert tilbud i kulturskolen. Jeg er selvfølgelig innforstått med at det er Utdanningsdepartementet som håndterer stipend og utdanning på den måten. Men det vi snakker om nå, er på mange måter å se det i forlengelsen av kulturskolene. Kulturskolene representerer den fantastiske bredden, som jo har gitt grunnlaget for å finne de få som vi nå snakker om. Vi har f.eks. et utviklingsprogram for kulturskolen. De statlige bidragene til kulturskolen går til Norsk Kulturskoleråd som felles utviklingsprogrammer. Kunne ikke talentutvikling være en del av et slikt program og sånn sett bli håndtert av Kulturdepartementet? Jeg må jo si at erfaringene med Kunnskapsdepartementet i kulturpolitisk sammenheng ikke er spesielt oppløftende. hadde vært mye tryggere hvis det var statsråd Huitfeldt som håndterte dette, enn statsråd Halvorsen. Jeg har lært meg at når jeg får komplimenter fra opposisjonen, får jeg det kun i den grad det har til hensikt å skade andre, og dette fikk vi nå et meget klart eksempel på. Jeg og kunnskapsministeren har et veldig godt samarbeid når det gjelder kulturskolene. Men det er altså store utfordringer, først og fremst fordi det er flere som ønsker å få opplæring i kulturskolene. Det er nesten sånn at jo flere timer man setter opp, jo større blir også etterspørselen. Det vil være et prioritert område for oss i tiden som kommer. Det handler om å gi mange tilgang til opplæring, kanskje gjennom skolene, men også å dyrke fram det enkelte talent og få fram dem uavhengig av hvilken sosial del av befolkningen de kommer fra.
Jeg har lyst til å spørre ganske konkret: Hva syns statsråden at jeg skal si til den mammaen jeg snakket med på lørdag, som har en sønn som er så talentfull innenfor ballett at han har kommet inn på en skole i utlandet – ikke en vanlig grunnskole i utlandet – for å forfølge sitt talent? Det å begynne å strekke muskler når man er 18–19 år, er litt meningsløst. Det skjønner både jeg og fru Huitfeldt. Og hva skal jeg si til den familien der 12-åringen har kommet inn på en nysirkusskole i Canada i sommer, men som ikke får muligheten fordi mamma og pappa ikke har råd til verken et skoleår i utlandet eller et sommeropphold på en nysirkusskole i
Jeg takker for at representanten kaller meg «fru Huitfeldt» – det er en favorittmåte å omtale meg på. For det andre vil jeg si at jeg kjenner ikke til hva slags lånekassestøtteordninger som fins for denne enkeltskolen. Men noen ganger er det ikke godt nok begrunnet hvilke studiesteder som får avslag. Noen ganger kan det være grunnlag for å endre regelverket på dette området. Mange ganger har det etablert seg nye typer kunstutdanninger som bør være støtteberettiget. Dette er en sak som man eventuelt får ta opp med Kunnskapsdepartementet og se om regelverket i Lånekassen er godt nok når det gjelder denne skolen. Men det er ikke sikkert at det alltid er det. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Etter ønske fra familie- og

Regionale kompetansesentre skal utvikle bransjen og musikkmiljøene. Hovedmålsettingen er en profesjonalisering av bransjen og å sikre rekruttering, nyskaping og mangfold. Kompetansesentre av denne typen finnes i dag i seks norske byer, og er under etablering i Østfold. De mottar kommunale og fylkeskommunale tilskudd og prosjekttilskudd fra private Et statlig driftstilskudd til nevnte type kompetansesentre for rytmisk musikk er en god og effektiv investering for å utvikle næringspotensial, kompetanse, nettverk, infrastruktur, nyskaping og musikalsk mangfold på det rytmiske musikkfeltet i regionene. For å styrke og sikre videreføring av kompetansesentrenes viktige arbeid i hele landet må disse sentrene få forutsigbare og like driftsvilkår. Problemstillingen som her blir løftet fram i representantforslaget, ble drøftet av Løken-utvalget, omtalt i St.meld. nr. 21 for 2007–2008. Her heter det at departementet er kjent med at de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk ikke har like finansieringsvilkår. gjorde gode vurderinger, som en enstemmig komité støtter i innstillingen til den samme stortingsmeldingen. Intensjonen var at ordningen skulle styrke de ulike kompetansesentrene for rytmisk musikk. Høyre ser i likhet med Venstre behovet for å støtte prinsippene om likebehandling av kompetansesentrene uavhengig av rytmisk musikksjanger, og at det benyttes objektive kriterier for tildelingen. Regjeringen viser til at kompetansesentrene for rytmisk musikk fra 2009 mottok tilskudd over kap. 320, post 74, som fra 2010 er forvaltet av Norsk kulturråd. Regjeringen viser videre til at ordningen er under evaluering, og at en rapport skal foreligge før sommeren. På bakgrunn av det vil man derfor ikke ta stilling til mener kompetansesentrene for rytmisk musikk er viktig for å utvikle musikkbransjen og for å skape innovasjon, mangfold og økt privat verdiskaping. Høyre støtter derfor forslagene fra Venstre, og jeg tar med dette opp forslagene i innstillingen. Representanten Linda C. Hofstad Helleland har tatt opp de forslagene

Me har innkjøpsordningar for fonogram, digital formidling, støtte til spelestader, lokale arrangørar, festivalar, og mykje meir kan nemnast. Det har vore ein betydeleg auke i dei åra me har styrt kulturpolitikken, og for 2012 blir musikk den største avsetninga hjå Kulturrådet. Samla auke på musikkområdet i den perioden me har styrt, inklusiv avsetningar på Kulturrådet, er på 554,1 mill. kr. Rytmisk musikk er ein svært viktig sjanger innafor kulturlivet, og utvikling av kompetansenettverka og kompetansesentra er viktig for feltet og for kulturlivet Men eg er einig med statsråden i svarbrevet hennar, at det er viktig å sjå på både styrkar og svakheiter ved ordninga og vente med å vedta konkrete forslag før ein har ferdig evalueringa av ordninga – dette fordi me ynskjer at ho skal vere føremålstenleg og til det beste for aktørane og kulturlivet. Derfor vil fleirtalet i komiteen ikkje at me føregrip evalueringa. Dei rytmiske kompetansesentra og kompetansenettverka er viktige, og eg meiner at regjeringa har gjort viktige grep for det rytmiske musikkfeltet, bl.a. gjennom stortingsmeldinga «Samspill Et løft for rytmisk musikk», som var den fyrste stortingsmeldinga på dette feltet nokon gong. Dei ulike kompetansenettverka er sette saman med ulik historikk, med ulik forankring og ulikt føremål, og det er etter fleirtalet sitt syn viktig å få greie på om ein har oppnådd dei måla ein har sett seg, og kva som kan gjerast vidare for å få ordninga til å fungere optimalt. Så sjølv om kan vere både gode og fornuftige, er eg oppteken av at me skal ha ein grundig gjennomgang av ordninga, slik at me får god kunnskap om korleis ordninga har fungert, som vil gje oss god lærdom om korleis ho skal fungere vidare. Når ein har sett i verk ein slik type evaluering, ynskjer eg å sjå kva ein der kjem fram til.

Som kulturpolitiker for Oslo må jeg si at de rytmiske sentrene har vært veldig viktige for utviklinga av kulturlivet i Oslo, for festivallivet i Oslo og som en drivkraft for kulturpolitikken i området. Der ser vi at de spiller en avgjørende rolle rundt omkring i landet. Det må også innrømmes at kulturpolitikere fra andre deler av landet har misunt det at man kan ha slike motorer som de rytmiske sentrene kan være. Ut fra det har vi i Venstre bestemt at vi mener at det må være likebehandling. Det foreslår vi også i våre budsjetter, men vi foreslår også i et Dokument 8-forslag å få en slik likebehandling. Jeg er glad for at vi får støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre støtter også å innføre et regelverk som gjør at dette blir rettferdig. Den rytmiske musikken har en måte å være organisert på som er mer krevende enn mange av de andre musikksjangrene, som i løpet av noen hundre år har havnet i gode former for sin formidling, opplæring og utvikling. Men den rytmiske musikken, med hele sitt spekter, har andre måter å oppstå, vokse videre og

Det var bakgrunnen for at vi ønsket å fremme dette forslaget i salen. Vi kommer til å følge dette opp videre, både i budsjetter og i andre sammenhenger hvor vi har muligheten til å påvirke. For oss er det viktig at det offentlige opptrer likeverdig rundt omkring i landet, jf. forrige sak. Det er viktig at det offentlige har gode støttemidler, slik at vi ikke får en ren «skipsrederstyrt kulturpolitikk» – jeg tror det var statsråden som at folk ikke trenger å ringe de rike for å få hjelp til prosjektene sine. Slik sett synes jeg det er viktig at det offentlige opptrer rettferdig med de ulike tiltakene man har, og det er viktig at man også opptrer sosialt utjevnende når man ser at det er viktige utfordringer man står overfor. Derfor la Venstre fram de to
Denne regjeringen har siden vi tok over i 2005, arbeidet grundig for å likestille de ulike sjangrene på musikkfeltet. Profesjonalisering og kompetanseheving på det rytmiske feltet har i den sammenhengen vært veldig viktig. I tråd med den stortingsmeldingen som vi kaller samspillmeldingen, er det stilt midler til rådighet til utvikling av kompetansesentre for rytmisk musikk. Hensikten er å bidra til landsdekkende nettverk av kompetansesentre og nettverk på det rytmiske området. I 2012 ble det satt av 5,3 mill. kr, fordelt på seks regionale kompetansenettverk av Norsk kulturråd. Disse nettverkene er sammensatt av ulike sjangersentre innenfor rock, folk, ulike interesseorganisasjoner og festivaler. Tilskuddsordningen som forvaltes av Norsk kulturråd, er basert på en tanke om at kompetanseutvikling skal foregå ved allerede etablerte strukturer i regionene. Det er stilt krav til at tilskuddet skal gå til kompetanseutviklende tiltak. De regionale kompetansenettverkene skal tilby et støtteapparat for profesjonelle utøvere og utøvere i etableringsfasen, uavhengig av musikkuttrykket. Samordning og samarbeid på tvers av og utover det rytmiske feltet er vektlagt. Det er ikke gitt tilskudd til drift av nye kompetansesentre etter St.meld nr. 21 for 2007–2008 Samspill. Driftstilskuddet til allerede etablerte og fungerende sentre og nettverk er imidlertid videreført som eksisterende strukturer med kompetanse som det er viktig å ta vare på. Norsk kulturråd har forvaltet avsetningen til kompetansesentre for rytmisk musikk siden 2010. Også driftstilskuddet til fire av de fem jazzsentrene og BRAK blir bevilget over post 74 under Norsk kulturråd. På oppdrag av Kulturdepartementet har Kulturrådet satt i gang en evaluering av de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk og tilskuddsordninger, og de skal se på mål, midler, prosesser og resultater. De skal se på målgrupper og faglige og organisatoriske løsninger. Hvilke resultater som er oppnådd, skal også belyses, og de skal også komme med forslag til endringer. Jeg vet at det er et sterkt ønske om driftsstøtte fra flere sjangersentre i regionene og spesielt innenfor rock og folkemusikk. Søknader kommer fra både sentre som inngår i de seks regionale sjangerovergripende kompetansenettverkene, og fra sentre og aktører som ønsker egne, selvstendige løsninger på kompetanseområdet. Jeg er glad for at komiteens flertall er enig i at man ikke skal foregripe denne evalueringsrapporten. På dette feltet er det mange ulike aktører, og likebehandling er i den sammenhengen ikke nødvendigvis at alle skal ha det samme tilskuddet. Evalueringsrapporten vil – etter at den er blitt kvalitetssikret av Kulturrådet – bli gjennomgått og vurdert. Vi ønsker å finne gode løsninger for det viktige arbeidet med profesjonalisering av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

Stavanger–Tau og Lauvik–Oanes vert lagde ned når Ryfast opnar. Ryfast omfattar i hovudsak to undersjøiske dobbeltløpa tunnelar: tunnelen mellom E39 i Stavanger og Hundvåg, Hundvågtunellen, på 5,7 km, og tunnelen mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune, Solbakktunnelen, som er 14,3 km Styringsramme for prosjektet er 5 220 mill. kr, og kostnadsramme er 5 950 mill. kr. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har fatta garantivedtak for eit maksimalt bompengelån på til saman 6 mrd. kr i 30 år, fordelt med 70 pst. på fylkeskommunen og 30 pst. på kommunen. Finansieringsplanen for Ryfast omfattar bompengar og lokale tilskot frå fylkeskommunen, kommunar og lokalt næringsliv. Det er også verdt å merka seg at det ikkje ligg an til statleg medfinansiering. Det har ikkje lukkast meg som saksordførar å få full semje i denne saka, sjølv om stemninga i komiteen har vore både god og konstruktiv. Komiteen har gjennom si handsaming enda opp med delt tilråding, der det store fleirtalet, Arbeidarpartiet, Høgre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti, tilrår at Ryfast vert bygd som foreslått i Prop. 109 S, medan Framstegspartiet «anbefaler ikke at rv. 13 Ryfylkesambandet bygges som foreslått i Prop. 109 S ». Dei tilrår at det vert starta ny KVU-prosess. Eg reknar med at Framstegspartiet i debatten vil gjera nærare greie for sitt forslag. Det før omtalte store fleirtalet står òg saman om mesteparten av komitémerknadene, men Høgre og Kristeleg Folkeparti har nokre tilleggsmerknader, som eg òg reknar med at dei vil gjera nærare greie for sjølve. Den eksterne kvalitetssikringa, KS2, har lagt fram ein eigen trafikkanalyse som gjev vesentleg lågare bompengeinntekter enn det ein finn i Statens vegvesen sin analyse, som har kome fram etter at det dei siste åra er føreteke i alt tolv utgreiingar kring trafikkgrunnlag og Fleirtalet syner til at det her er lagt til grunn noko ulike føresetnader, og at resultata difor ikkje lèt seg samanlikna direkte. Fleirtalet meiner òg at prosjektet har tilstrekkeleg lokalpolitisk oppslutning. Rogaland fylkeskommune og alle dei involverte kommunane, bortsett frå Forsand, har slutta seg til Ryfast og finansieringsopplegget. Fleirtalet peikar i sine merknader spesielt på at dei nedlagde ferjesambanda må erstattast med eit godt busstilbod, og at Bybrua i Stavanger vert reservert for kollektivtrafikk dersom det syner seg at trafikklekkasjen frå Hundvågtunnelen til Bybrua vert for stor. Vidare meiner fleirtalet at takstane i Solbakktunnelen må reduserast dersom økonomien i prosjektet vert betre enn føresett. Ryfast har vore ei spennande sak å vera saksordførar for. Det har hagla med e-postar og synspunkt også gjennom alle slags andre kanalar. Eg har vore på synfaring på sjølve prosjektet og fått møta engasjerte folk både i Stavanger og i Ryfylke. Så vidt eg kjenner til, er det ein meir enn 30 år lang debatt om ferjefrie løysingar mellom Nord-Jæren og Ryfylke som skal få sitt endelege vedtak her i dag. Ryfast er eit gedigent dobbeltløpa veg- og tunnelprosjekt. Men Ryfast er likevel, slik eg ser det, først og fremst eit gedigent regionutviklingsprosjekt for Ryfylke og Jæren og eit sårt etterlengta byutviklingsprosjekt for Stavanger. Ryfylke og Nord- Jæren ligg midt i hjarta av ein av dei sterkaste verdiskapingsregionane våre. Her har me olje- og gassklynger i verdstoppen, eit sterkt maritimt miljø og ei veksande marin næring. Denne regionen har den kraftigaste folkeveksten i landet. Det må då vera ei oppgåve for oss, for Stortinget, å gjera det me kan for å leggja til rette for at Stavanger og regionen også i åra framover kan ha ein positiv vekst, utan å kvelast. Vårt bidrag i dag må difor vera at Stortinget røystar for Prop. 109
Norge trenger modernisering av veinettet; vi trenger et mer effektivt, sikkert og miljøvennlig veinett. Gode prosjekter står i kø over hele landet. Nasjonal transportplan er jo ikke noe annet enn en venteliste for gode samferdselsprosjekt, spesielt veiprosjekt. Åpenbar regional effekt blir ofte også god nasjonal effekt. Fastlandssamband mellom Stavanger/Sandnes-området og er åpenbart et prosjekt med god regional virkning. Mange regionale prosjekt kommer fra regionale initiativ. Det mener Fremskrittspartiet er viktig, men vi registrerer at selv om Ryfast har tydelig støtte regionalt, er det også betydelig motstand mot den valgte løsningen. Fremskrittspartiet registrerer at heller ikke når det gjelder dette prosjektet, er det folkeavstemning knyttet til selve finansieringen. Fremskrittspartiet er for alle gode veiprosjekt – finansiert med statlige midler. Fremskrittspartiet er også for ekstern kvalitetssikring. Det er et system som ifølge retningslinjer fra Finansdepartementet er – og jeg siterer hva de selv sier om det: «Å kvalitetssikre styringsunderlag samt kostnadsoverslag for det valgte prosjektalternativ før prosjektet legges frem til investeringsbeslutning i Stortinget. Dels skal det være en kontroll av om prosjektet er veldefinert med realistiske rammer.» Også dette prosjektet er kontrollert. Konsulentene sier bl.a.: «Vi finner det lite sannsynlig at trafikkgrunnlaget ved de foreslåtte bomtakstene vil være tilstrekkelig til å finansiere prosjektet. Det er derfor tvilsomt om finansieringsplanen som forutsetter 92 pst. bompengefinansiering Ryfast har fått godkjent flere vesentlige fravik fra vegnormalen, noe som leder til en mindre optimal løsning.» – Og så argumenteres det for dette. La meg nevne at blant disse avvikene er det 8 pst. stigning. Oslofjordtunnelen har 7 pst., er vel 7 km lang og går 134 m dypt. Hovedtunnelen i dette prosjektet, Solbakktunnelen, vil bli på hele 14 km gå 290 m dypt. Konsulentene sier videre: «Den valgte løsningen gir betydelige geografiske fordelingsvirkninger sammenliknet med dagens løsning, og en svært høy kostnadsbelastning for pendlere med daglige reiser på strekningen.» De snakker også om «kryssubsidiering fra Solbakktunnelen til Hundvågtunnelen». i kvalitetssikringsrapporten KS2 er klar. Jeg siterer: «EKS» – ekstern kvalitetssikrer – «anbefaler på dette grunnlaget å utarbeide ny KVU, med alternative transportløsninger mellom Ryfylke og fastlandet.» Fremskrittspartiet støtter den konklusjonen. Jeg har nå i snart syv år vært medlem av transportkomiteen, og vi har snart behandlet 60 bompengefinansierte prosjekter – enkeltvis. Jeg kan ikke huske at ekstern kvalitetssikring så klart har anbefalt at prosjektet ikke gjennomføres, jeg gjentar: ikke gjennomføres! Fremskrittspartiet mener en fastlandsforbindelse er viktig, men at foreslått løsning er en dårlig løsning. Som det foreslås i kvalitetssikringsrapporten, mener Fremskrittspartiet at ny løsning må utarbeides. Forhold som er knyttet til transport- og trafikkløsninger i Stavanger, må løses separat fra Ryfast – Ryfylkesambandet. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i innstillingen. Så langt resten av tiden rekker, har jeg noen utfordringer til statsråden. Den ene går på vedlikeholdskostnadene, som fra Statens vegvesen er antydet å bli på minst 130 i den bompengeperioden på 20 år som vi snakker om, vil det altså påløpe 2,6 mrd. kr i vedlikehold. Det er ikke engang nevnt i proposisjonen. Det burde kanskje ha vært det. Jeg minner om at finansieringsrammen for prosjektet er på 5,2 mrd. kr. Klokskapen ved å bygge dyrt, med dyrt vedlikehold, er det grunn til å på både riksveinett og fylkesveinett. Jeg utfordrer også statsråden på økonomisk innestenging. Det er slik at pendlere og faste reisende med de to ferjene vil oppleve Ryfast som en form for økonomisk innestenging. Ferjene fjernes og alle tvinges til å bruke sambandet. Mange får lengre transportvei, og mange får dyrere transport. Er dette en distriktsvennlig, næringsvennlig og miljøvennlig

statsråden imponert meg litt – jeg hang på «litt». Hun har stått i en storm som har vært ganske formidabel. Jeg syns også saksordføreren har gjort en glimrende jobb i denne saken og forsøkt å binde komiteen sammen om dette prosjektet. Vi snakker om et av Norges største veiprosjekt. Det er faktisk et prosjekt som man lokalt så gjerne vil ha at man finansierer det 100 pst., både med brukerbetaling og med tilskudd. Det er intet mindre enn imponerende. Da skulle det bare mange at ikke vi her skulle si ja til prosjektet. Forutsetningene for prosjektet og hva det inneholdt, redegjorde jo saksordføreren utmerket for, men det er klart at Eiganestunnelen og som den heter i våre dokumenter – jeg syns det hadde vært flottere om den hadde hett Ryfylketunnelen – hører jo på mange måter sammen. Det ene er avhengig av det andre. Det er også slik at vi behandlet forbedringen i Nord-Jærenpakken for ikke så lenge siden. Da lå også dette som en del av forutsetningene. Alle store prosjekt har sine motstandere og er preget av at forskjellige geografiske interesser kommer til uttrykk. Slik er det også her. Fra Høyres side må jeg få si at vi i saker som dette som prinsipp følger de vedtak som ligger som flertallsvedtak i fylkeskommunen, også når det gjelder ønsket bompengeløsning. Så har det vært sagt at det blir store finansieringskostnader her. Ja, med de pessimistiske forutsetningene man forsøker å ta høyde for i saken, så gjør det det. Det er snakk om nesten halvparten av kostnaden. Men jeg tror faktisk at i det markedet vi ser i dag, er det mulig å løse dette gunstigere. Jeg har lyst til å si at det er ett eller annet med måten vi finansierer bompenger på i dette landet, som vi kanskje bør med litt nye øyne på. Det er jo slik at fylkeskommunene garanterer for riksveiprosjekt og stiller hele sin risikovilje til disposisjon. Her er også Stavanger kommune inne. Kanskje burde vi se mer i retning av – som mange andre land gjør – at man har et statlig garantiinstitutt for slike ting. Vi har det for en rekke andre ting i samfunnet vårt. Vi har sågar rentekompensasjonsordning på fylkesveier, vi har rentefrie lån på skolebygg, osv. Så det er mange løsninger som vi kunne se nærmere på, men det får vi kanskje komme nærmere inn på i forbindelse med NTP. Men jeg tror vi har et stort potensial for å forbedre oss med hensyn til å gjøre akkurat den biten av Fremskrittspartiets kritikk mot bompengeprosjekter bedre, for den har de på mange måter rett i: Det burde være lavere rentekostnader. Så har Kristelig Folkeparti og Høyre pekt på at denne saken ville egnet seg ypperlig som et OPS-prosjekt. Da ville man også fått inn vedlikeholdskostnadene i et med referanse til det som har vært tatt opp de siste dagene i mediene. Til slutt: Vi er opptatt av – som også flertallet i komiteen – at ulempen ved at Lauvik–Oanes legges ned, bør man, sammen med fylkeskommunen, forsøke å avhjelpe.
meg starta med å takka saksordføraren for eit godt og nyansert arbeid. Han tok seg òg tid til ei befaring i området og fekk snakka med ulike partar med ulikt syn på denne saka. Så det var veldig bra. Så vil eg sjølvsagt gratulera dei som er for Ryfast og Det gjeld jo òg statsråden, som no har ein god dag. Gratulerer til dykk. Eg var 17. mai-talar på Forsand. Der er nok ikkje flagga heist like høgt som på Hjelmeland og på delar av Strand – og heller ikkje på Jørpeland. Der får ein no ei løysing som eigentleg var bestilt av næringslivet i Stavanger, som ville ha biltrafikken inn til byen for 20 år sidan. Ein klarte å samla veldig mange parti bak det, og så blei det den løysinga. Eg trur det er veldig rett, det som ein har gjort: Ein har funne ei løysing, og så har ein klart å halda troppane samla bak denne løysinga. Då får ein det til. Det er ei erfaring. Det er ei erfaring som eg òg håpar Nord-Jæren lærer av når det gjeld korleis ein skal få til ein bybane på Nord-Jæren. Der er det jo sånn at næringsforeininga og andre sterke krefter, inklusive Arbeidarpartiet, har gått vekk frå den ideen og forsøkjer å få fram noko mindre, moderne løysingar. Dermed får ein gjerne ikkje noka løysing som er særleg god, fordi ein er splitta. Det burde ein ikkje vera. Det burde Ryfast-saka ha vist: Det er den måten ein må jobba på, dersom ein skal få det til. SV er det einaste partiet som konsekvent har vore imot dette i Strand kommune og i andre kommunar i i Stavanger og på fylkessida. Òg her, sentralt, har me vore imot. Me forsøkte ei stund å få bevegelse i Rogaland fylkesting, i desember i fjor. Det var ikkje mogleg. Samhaldet var sterkt bak dette prosjektet. Det betydde at eg for min del innsåg at slaget om Ryfast var tapt allereie då, i stilt mange vanskelege spørsmål til statsråden knytt opp mot dette prosjektet, så eg tippar ho kan svara på absolutt alle spørsmål ho no kan risikera å få, for det har ho iallfall gjort til meg. SV si løysing var eigentlig ein ferje–bru-konstellasjon – altså nye ferjer på Tau-sambandet. Det som har skjedd på Tau-sambandet over lang tid, er at det har vore gammalt ferjemateriell som av og til går, og som av og til ikkje går. Sjølvsagt hissar dei mange pendlarane – over tusen – seg opp over dette kvar gong, og så klarar ein sjølvsagt å mobilisera når ein treng eit alternativ som ikkje er ferja. Dersom ein hadde gjort det som no skjer, nemleg at det kjem nokre nye ferjer, men at dei hadde kome tidlegare og gjerne òg hadde gått frå Siriskjær til Solbakk, der tunnelen kjem opp, trur eg motstanden mot Ryfast ville vore større. Det er han ikkje no,

etter at ein har hatt forhandlingar, og etter at fleirtalet lokalt er som det er, men fordi ein på ein måte er laten i stikken med omsyn til at dei hadde ein tunnel, Espedal–Frafjord, som låg inne i pakken for Ryfylke ei stund, men så blei han teken ut, fordi det ville redusera inntekta til Ryfast. Det meiner eg at ein på eit eller anna tidspunkt må retta opp, og